de rike får skattelette mens arbeidsfolk får skatteskjerpelser – og i tillegg reduserer muligheten for å finansiere velferdssamfunnet framover, er en politikk som skal videreføres. Jeg har registrert usedvanlig lite entusiasme i de partiene som nå regjering. Det er kanskje ikke så rart. Vi vil uansett møte dem med sterk og saklig opposisjon fra opposisjonspartienes side. er kanskje ikke så rart. Vi vil uansett møte dem med sterk og saklig opposisjon fra opposisjonspartienes side. En saklig opposisjon ønskes mer enn hjertelig velkommen. I 1997 måtte Telenor gi opp å fjerne en telefonkiosk i Bjørkedalen etter at folk i bygda lenket den fast. Begrunnelsen for å fjerne den var at over 98 pst. av husstandene i bygda hadde egen telefon, og i tillegg var det utbygging av mobilnett. Det var ikke lenger behov for kiosken, mente Telenor. Men først Så ble postkontoret lagt ned. De røde telefonkioskene ble et symbol for Bygde-Norges kamp mot fraflytting. Og dette var i 1997. Politikk handler om de nære ting. Selv om telefonkiosken var overflødig, handlet kampen om noe helt annet. I en verden med store omveltninger rundt oss kan avmaktsfølelsen av og til ta overhånd. Vi ser det i sosiale medier, på plenen utenfor Stortinget og i den politiske debatten. Avmakt blir gitt makt gjennom slagord og kampanjer. Vi har en tidligere minister, nå partileder, som står i dress i tv-studio i Oslo og snakker om den virkelighetsfjerne eliten i dress i Oslo. Men er det ikke mer virkelighetsfjernt å drømme seg tilbake til da vi hadde flere postkontorer og telefonkiosker, enn å jobbe for det samfunnet vi kan få til når internett har desentralisert post og telefoni til alle husstander, og brakt kinosalen, shoppingsenteret og jentegjengen i Hønehjørnet på Facebook hjem til folk, som før bare hadde et postkontor og en telefonkiosk? Verden har aldri vært så nær som nå. Likevel finner noen det mest opportunt kun å snakke om forskjeller og avstander. Mitt poeng er ikke at disse ikke finnes, for det gjør de. Derfor har vi et omfordelende skattesystem som finansierer grunnleggende velferdsgoder, som rimelige helsetjenester av god kvalitet, skole og utdanning som gir muligheter til alle, og arbeidsmarkedstiltak som hjelper folk inn i eller tilbake til arbeidslivet. I motsetning til i land som Storbritannia og USA er det tverrpolitisk enighet i Norge om disse virkemidlene – og de er blitt brukt. Derfor er det underlig å se hvordan land vi ikke kan sammenligne oss med, brukes av våre norske politikere og kommentatorer til å polarisere vår hjemlige debatt. Det rokker ved robustheten i vårt demokrati. Med mindre det da har vært oljepengene som har bundet oss sammen, og roet stormfullt hav som olje på vann – for når noen har sagt at alle skal med, har det stort sett betydd at alle skal få. Forsøk på å gjøre mindre endringer blir kalt smålige og unødvendige – som endring av ordningen med Den kulturelle spaserstokken eller fjerning av en månedlig utbetalingsinformasjon om pensjon. Da kulturbudsjettet økte med over 6 pst. i 2014, kalte Norske Billedkunstnere det en katastrofe og varslet demonstrasjoner fordi 53 stipender likevel forsvant. Det var ingen som demonstrerte da 50 000 arbeidsplasser forsvant i vår mest lønnsomme næring. Det er grunn til å spørre hvor folk tror penger til kunstnerstipender og kulturelle spaserstokker kommer fra – særlig når vi skal omstille oss og sørge for lønnsomme arbeidsplasser over hele landet, som bidrar til velferden vi ønsker, i byer og bygd. Selv om forskjellene har økt de siste 20 årene, ligger Norge helt i toppen i verden når det gjelder økonomisk likhet. I Norge har ansvarlige styringspartier over tiår ført en politikk som har bidratt til å endre for å bevare de verdiene vårt samfunn er tuftet på. De som rokker ved dette for å skape kortsiktig partipolitisk vinning – med dagens internasjonale strømninger – leker med krefter som er større enn dem selv. Høyre vil trygge Norge for framtiden og skape et bærekraftig velferdssamfunn med muligheter for alle. Vi mener at samfunnet er til for enkeltmennesket, og at fellesskap er noe mer enn det som kan vedtas i budsjetter. Det er ikke ett fellesskap, men de mange fellesskapene, som gir Norge sosial bærekraft. Noe av det viktigste vi satser på, er en skole som bidrar til like muligheter til alle. De sier at en god barndom varer livet ut. Vår oppgave er å sørge for at en dårlig barndom ikke gjør det. Under Høyre-byrådet ble Osloskolen et begrep – en skole for sosial mobilitet, som løftet dem med dårligst forutsetninger. Nå vil Arbeiderpartiet i Oslo se på inntaksgrensene for skolen og igjen la sosioøkonomisk bakgrunn bestemme hvilke muligheter barna våre får. Det har en betydning hvem som styrer skolepolitikken, både nasjonalt og lokalt. Med denne regjeringen peker resultatene i skolen nasjonalt i riktig retning, der flere fullfører, flere får læreplass, og færre faller utenfor. Jeg håper Oslo får et byråd som sørger for det samme. Det står fortsatt en rød telefonkiosk i Bjørkedalen, men summetonen er borte. Norge er i omstilling, en omstilling som gir store muligheter for framtiden over hele landet – dersom vi velger å bruke dem. Regjeringsplattformen lenker oss ikke fast i fortiden, men legger grunnlag for at vi gjør som generasjonene før oss, som gjennom hardt arbeid foredlet de mulighetene de ble gitt, til å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Og hvis det er noen tvil, er jeg en entusiastisk tilhenger av nettopp det.

videreføre og styrke den historiske satsingen på samferdsel og infrastruktur og sist – men ikke minst – skulle skatter og avgifter videre ned for folk flest og næringslivet, ikke opp. Når man leser aviser nå om dagen og lytter til debatter her i Stortinget, er det tydelig og klart at det er ikke bare vi i Fremskrittspartiet som mener at vi har fått godt betalt i erklæringen. Det mener også opposisjonen – og i særdeleshet Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre, kan vi lese og høre. Jeg er glad for at Arbeiderpartiet deler vår oppfatning om at plattformen inneholder mye god FrP-politikk. Vi kan i alle fall være enig på ett punkt. Alternativet til politikken i denne plattformen er en politikk som øker skattene og avgiftene for helt vanlige folk, en politikk som ville reversert de over 11 000 kr som en helt gjennomsnittlig familie har fått i lettelser så langt av Alternativet ville vært en politikk som satte opp promillen på eiendomsskatt, som helt vanlige arbeidsfolk betaler bare fordi de har en plass å bo. Alternativet ville vært økte bil- og bilrelaterte avgifter, som først og fremst rammer dem som ikke har alternativer som trikk, buss og tog – folk utenfor de store byene. Skatte- og avgiftslettelser betyr en romsligere økonomi for den enkelte og for den enkelte familie, men det har også en verdi ut over det. Det betyr at folk får litt mer ansvar for eget liv på bekostning av oss politikere. Det går særlig ett skille i denne salen. Det går mellom dem som mener at en politiker alltid er den beste til å ta vare på og bruke folks penger, og oss, som mener at staten ikke skal ta inn mer enn staten strengt tatt klarer seg med. For enkelte partier virker det som at det å kreve inn skatter og avgifter har en verdi i seg Det mener heldigvis ikke flertallet i denne salen. Derfor slår vi klart og tydelig fast i regjeringsplattformen at det samlede skatte- og avgiftstrykket skal videre ned. Eiendomsskatten er en av de mest usosiale skattene vi har i dette landet. Den tar hensyn til verken hva man tjener eller hva man har av verdier på konto, bortsett fra eiendommen man bor i. Vi mener at folks hjem skal være nettopp det – et hjem, ikke et skatteobjekt. Derfor ønsker vi å fjerne hele eiendomsskatten. På veien dit fikk vi i Jeløya-plattformen gjennomslag for å kutte makssatsen fra 7 til 5 promille. Nå går vi videre ned til 4 promille, slik at omtrent én av tre kommuner må kutte i eiendomsskatten. Dette er ikke først og fremst en seier for oss i Fremskrittspartiet, men en seier for landets innbyggere. Jeg ser at noen forsøker å få dette til å handle om at kommuner mister sårt tiltrengte midler til viktige velferdsoppgaver. Da er det verdt å minne om at velferdsoppgavene som kommunene utfører, allerede er finansiert av de skattene som vi alle betaler. Det finnes nok av eksempler på kommuner som klarer seg godt uten eiendomsskatt. Os i Hordaland og Ullensaker er eksempler på gode FrP-kommuner uten eiendomsskatt. Stjørdal og Orkdal, to Senterparti-styrte kommuner fra mitt hjemfylke, er det samme. Disse har ikke dårligere tjenestetilbud bare fordi de ikke har eiendomsskatt – tvert imot. Eiendomsskatten fritar i stor grad politikere rundt omkring i kommunene fra å prioritere. Man sender bare en ekstraregning til kommunens innbyggere i stedet. Det er nok den enkleste måten å drive politikk på, men også den feigeste. Noen andre punkter som Fremskrittspartiet er veldig fornøyd med, er at veibruksavgiften på bensin og diesel ikke skal økes, og at man fortsetter arbeidet med å legge om engangsavgiften i en grønn, men provenynøytral retning. CO 2 - og NO x -komponentene økes, samtidig som andre reduseres. Slik kan bilparken bli både grønnere og tryggere uten at bilistene flås. Bil- og bilrelaterte avgifter har faktisk gått ned de siste årene, i motsetning til hva tilfellet var under Senterparti-styret av Norge – selv om man prøver å gi inntrykk av noe annet. På skatte- og avgiftsområdet har vi fått en veldig god erklæring, som slår fast at skattene og avgiftene skal videre ned – ikke opp. Det er Fremskrittspartiet særdeles fornøyd med. Det norske samfunn preges av tillit, åpenhet og små forskjeller. Vi har høy verdiskaping og velutbygde velferdsordninger. Det er

Siden valget i 2013 har Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti samarbeidet om nødvendige reformer. Vi har lettet byrden for dem som skaper arbeidsplasser, og investert mer i barn og unges utdanning. Resultatene viser at vi er på rett vei. Ledigheten går ned, og flere kommer i arbeid. I skolen har resultatene blitt bedre. Elevene lærer mer, de er mer til stede, og flere fullfører og består. At det går i riktig retning, betyr ikke at vi er i mål. Granavolden-plattformen hever ambisjonene på flere områder. Bærekraften i velferdssamfunnet vårt krever at vi fortsetter omstillingen i norsk økonomi, at vi fremmer det grønne skiftet, og at flere må inkluderes i arbeidslivet samtidig som vi står lenger i jobb. Vi må gjøre nødvendige endringer i dag av hensyn til klima og miljø, økonomisk og sosial bærekraft og fremtidige generasjoners velferd. Det siste året er det skapt 56 000 nye jobber – tre fjerdedeler i privat sektor. Det viser at politikken virker. Selvsagt er konjunkturene viktige. Samtidig er næringspolitikken et viktig konfliktområde i norsk politikk. Der de rød-grønne vil gjøre det dyrere å jobbe og dyrere å skape arbeidsplasser, vil vi lette byrdene for jobbskapere og redusere skatten på arbeid. I regjeringsplattformen varsler vi også en egen strategi for små og mellomstore bedrifter. Norsk næringsliv består i hovedsak av små og mellomstore bedrifter. Vi vil skape en enklere hverdag for jobbskapere og vurdere om virkemiddelapparatet treffer dem på en god nok måte. Den viktigste investeringen vi gjør fremover, er i folk – i barna i barnehage og på skole, i lærlingene som har valgt yrkesfag, i studentene i høyere utdanning og i arbeidskraften. Mye går i riktig retning i skolen. I går kom nye tall som bekrefter det. Færre barn opplever nå mobbing på skolen. Det er bra at det går riktig vei, men fortsatt er det for mange barn som går med en klump i magen når de går til skolen. Inkluderende og gode skolemiljø er en viktig forutsetning for at alle skal oppleve mestring og læring. Barna skal etter hvert ut i et internasjonalt arbeidsliv hvor ny teknologi endrer arbeidsprosessene raskere enn før. Derfor skal vi fortsette å fornye skolen. Elevene skal møte kvalifiserte og dyktige lærere. Vi skal styrke realfag på mellomtrinnet og engelsk i videregående. Siden 2013 har vi løftet yrkesfagene. Flere velger nå yrkesfag, og rekordmange får læreplass. Det arbeidet skal fortsette. Vi har også startet opp arbeidet med en kompetansereform. Vi må alle forberede oss på å lære hele livet. Regjeringen har lagt frem en ny strategi for integreringspolitikken. Hovedgrepet er å bygge kunnskapsveien inn i arbeids- og samfunnsliv. For å lykkes med integrering må vi også forebygge utenforskap og fattigdom, som særlig rammer barn. Alle som bor i Norge, må kunne snakke og forstå norsk. Uten å kunne slå av en prat, blir man stående utenfor små og store fellesskap i samfunnet. Det er vanskelig å komme i jobb eller hjelpe barna med leksene uten å kunne språket. Vi har derfor innført obligatorisk opplæring i norsk og samfunnsfag i asylmottak og krav om norskkunnskap og samfunnskunnskap som vilkår for oppholdstillatelse og statsborgerskap. Vi vil også heve kravet til norskkunnskap for å få statsborgerskap i Norge – ikke for å holde noen utenfor, men for å få flere inn i det norske samfunnet og fellesskapet. Av samme grunn strammer vi inn bosettingspolitikken og unngår bosetting av flyktninger i områder med høy innvandrerandel fra før. Flere innvandrere må komme i jobb, forsørge seg selv og sine og bidra til verdiskaping og vekst. Det krever en stor innsats fra den enkelte, men også at vi som samfunn stiller opp med Regjeringen reformerer nå kvalifiseringsordningene for å sikre at innvandrere har den kompetansen de selv og arbeidslivet trenger. Det blir replikkordskifte.

Det har vært en stadig økning av elever i private skoler; det er nå nesten 40 pst. flere elever i private grunnskoler enn i 2013. Og dette er en ønsket utvikling – først med den nye privatskoleloven, eller friskoleloven, som Høyre sier, deretter med regjeringserklæringen, der man ønsker flere private aktører velkommen inn i velferden.

frislipp; det innebærer en grundig vurdering. Vi er opptatt av at det skal være like vilkår, og det betyr at vi selvsagt vil se på rammebetingelsene for friskolene – kapitaltilskuddet er nevnt – og også at det i budsjettet for inneværende år har blitt bevilget ekstra penger, slik at friskolene kan få flere lærere. Det var egentlig ikke svar på spørsmålet. Jeg lurte på formuleringen om at friskolene skal ha mulighet til å gi undervisning av samme kvalitet som den offentlige skolen. skolen. Betyr det at den Høyre-ledede regjeringa har latt tusenvis av elever – det har vært en 40 pst. økning i antall elever på private skoler de siste årene – begynne på skoler som ikke gir den samme kvaliteten som offentlige skoler? Men det jeg da har lyst til å spørre kunnskapsministeren om i stedet, gjelder forskjellen på retorikken og resultatet. I 2015, da dette stortinget diskuterte innføringen av en ny privatskolelov, var et av argumentene, som kunnskapsministeren også brukte nå, innføring av flere realfagsgymnaser. Det skulle bli et større mangfold. Men hva er resultatet så langt? Det har blitt opprettet ett nytt realfagsgymnas i Norge. Samtidig har det blitt opprettet rundt 20 nye idrettsungdomsskoler med til sammen 3 000 elevplasser. Jeg mener det er grunn til å spørre om dette egentlig er skoler som tilbyr noe vesentlig annet enn den offentlige skolen. Det er ikke et supplement; det er heller en konkurrent. Jeg lurer på om statsråden vil være med på å se på endringer av politikken som sørger for at de nye privatskolene som opprettes, ikke er en direkte konkurrent og tar kroner ut av det offentlige budsjettet uten egentlig å tilføre noe nytt i skoletilbudet. For det første svarte jeg på spørsmålet. Dernest representerer jeg en firepartiregjering. jeg på spørsmålet. Dernest representerer jeg en firepartiregjering. Jeg legger merke til at Arbeiderpartiet forsøker å kalle det en Høyre-regjering. Jeg synes selvfølgelig det er veldig hyggelig at Høyre nevnes, men det er en regjering med fire partier som alle har satt sitt tydelige preg på regjeringsplattformen, og ikke minst fremhever vi den politikken vi står sammen om. Når det gjelder friskoler, blir jeg stående og lure på hva representanten Martin Henriksen er så veldig redd for. Hvorfor er man så redd for mangfold – at man har steinerskoler og montessoriskoler, og ikke minst at vi nå også har åpnet for friskoler innenfor yrkesfag, som gjør at noen går andre veier og kanskje finner nye løsninger, og at man kan inspirere hverandre? Det er ingen tvil om at den offentlige skolen står bunnsolid i Norge, og de aller fleste skolene er offentlige skoler, men vi har altså en liten åpning for friskoler, og det er et mangfold jeg hadde trodd at Arbeiderpartiet i 2019 også så på som verdifullt.

Da vi diskuterte privatskoleloven i denne salen i 2015, sa daværende kunnskapsminister – og Høyre og Fremskrittspartiet – at de lokale folkevalgte nå skulle få mer å si, mer medbestemmelse i spørsmålet om hvorvidt privatskolene skulle opprettes eller ikke. Det har ikke skjedd. For eksempel sa fylkestinget i Nordland enstemmig nei, inkludert Høyres og Fremskrittspartiets stemmer, til ny privat videregående skole fordi de mente det svekket det offentlige tilbudet. Og som ved én av tre private skoler som er startet opp, ble de overkjørt fikk til svar at skolen skulle opprettes på tross av deres ønske. Er det sånn at lovnadene om mer lokal medbestemmelse egentlig var et luftslott? Vi lytter til lokalpolitikerne, men det er nå engang slik at det er Utdanningsdirektoratet som i første omgang avgjør, og statsråden hvis det ankes. Slik kommer det fortsatt til å være. Jeg hører at representanten Martin Henriksen frykter for den offentlige skolen.

Åpenbaringen av karriereveier og videre muligheter for yrkesfag i høyere utdanning har definitivt bidratt. Søkertallene til fagskolene var i høst igjen formidable. Likevel er det uklart hva flertallsregjeringen nå vil gjøre. Må opposisjonen fortsette å ta initiativ for økt satsing på fagskoler? Hvordan mener statsråden Diku skal kunne ivareta faglig utvikling ved fagskolene? Og hvorfor sier ikke Granavolden-plattformen noe om økning i antall fagskoleplasser?

Så opplever jeg at det samspillet som vi har hatt med den konstruktive del av opposisjonen, og jeg inkluderer representanten i det, har bidratt til at vi har videreutviklet og løftet ikke minst høyere yrkesfaglig utdanning, og jeg kommer til å være lydhør for innspill fra opposisjonen også i årene som kommer. Vi har økt antall plasser innenfor høyere yrkesfaglig utdanning i 2018 og 2019, og vi slår fast at vi skal fortsette å satse på høyere yrkesfaglig utdanning, både de offentlige – de fylkeskommunale – og de private. Det er ingen tvil om at hvis vi skal ha økt vekst og positivisme innenfor fagskolene, må vi ha flere fagskoleplasser, så det håper jeg vi kan fortsette å jobbe for. Videre kan vi lese i plattformen at vi nå får forslag om en ekstra skoletime i realfag. Flertallet i opposisjonen sikret at vi skal få en time fysisk aktivitet i grunnskolen daglig. Kritikken lot ikke vente på seg fra posisjonen, med Høyre i spissen. Da lurer jeg rett og slett på hva som gjør at dette forslaget ikke overkjører lærernes faglige skjønn, mens en time fysisk aktivitet gjør det. Jeg lurer også på om det er slik at vi nå må vedta en time av alt vi mener er bra, for at det skal bli representert i skolen.

Så er det slik at regjeringen gjennom flere år har satset spesielt på realfag. Vi mener at det er viktig i det arbeidslivet som elevene etter hvert skal ut i, så vi har pekt på to fag hvor vi ønsker å styrke med en ekstra time. Det skal ikke tas innenfor dagens timetall, men en ekstra uketime i realfag på mellomtrinnet. Vi har også sagt at engelsk skal være obligatorisk i hele videregående skole – at man ikke slutter med engelsk etter første klasse på videregående, går to år uten, og så skal man kanskje inn på et universitet eller en høyskole hvor engelsk er et av de viktige Ifølge den nye regjeringsplattformen åpner nå regjeringen for å gi kommunene mulighet til å prøve ut nye modeller for en mer fleksibel skolestart. Erfaringene fra bl.a. Oslo-skolen fra begynnelsen av 2000-tallet under Høyres ledelse viste dessverre at en slik ordning, der barnet, når det ble 6 år, kunne begynne på skolen når man ville i løpet av skoleåret, var vanskelig å håndtere for skolene. Dessuten advarte forskerne mot lite effektiv læring og mye uro. Hvem mener kunnskapsministeren er best kvalifisert til å vurdere om fleksibel skolestart er bra for elevenes læring og skolenes mulighet til å skape et godt læringsmiljø – politikere eller lærere? Diskusjonen om fleksibel skolestart har gått lenge. Jeg var selv en av dem som foreslo det i 1998, sammen med Inge Lønning, som da var sentral i Høyres utdanningspolitikk. Jeg ser at det er både fordeler og ulemper. Jeg mener at det aller viktigste er at skolen må være forberedt på å ta imot elevene, og elevene har ulik modningsgrad, ulike interesser, ulik bakgrunn. så ser vi også at det er stor forskjell på elevene. I dag er det en veldig smal åpning, og vi har pekt på i plattformen at vi ønsker å vurdere å åpne for forsøk og ulike piloter på dette. Jeg vet at dette også er et av de spørsmålene som ble diskutert i Stoltenberg-utvalget. Rapporten kommer til uken, så da kan det jo tenkes at vi får litt andre og ulike faglige vurderinger av dette spørsmålet. Jeg vet ikke om ministeren inkluderer meg i den konstruktive delen av opposisjonen, men i fjor vår da vi diskuterte en tillitsreform i skolen og jeg argumenterte sterkt for mer tillit til lærerne, var svaret fra Høyre at lærerne har metodefrihet og et stort faglig handlingsrom. Men å innføre modeller for fleksibel skolestart er en stor Men å innføre modeller for fleksibel skolestart er en stor inngripen i hvordan lærere må jobbe. Mener kunnskapsministeren at en kommune som innfører fleksibel skolestart på tross av lærernes ønsker, ville være i strid med metodefriheten som han argumenterer så sterkt for? Svaret på det spørsmålet er nei – fordi spørsmålet om metodefrihet metodefrihet handler om hvordan den enkelte lærer legger opp pedagogikken og undervisningen i timen, mens spørsmålet om skolestart gjelder når eleven skal starte på skolen. I dag må man gjennom en vurdering av PPT, og vi vet at det er en veldig smal åpning og veldig få som får utsatt skolestart. En del gutter modnes senere enn jenter, og det kan være veldig stor forskjell på en gutt som er født i desember, og en jente som er født nesten et år før, i januar. Derfor mener jeg at dette er spørsmål vi skal diskutere. Jeg ser både fordeler og ulemper ved å åpne for mer fleksibel skolestart. Men jeg er åpen for at vi skal vurdere dette, slik vi også har nedfelt i

på samme måte som offentlige og kommunale skoler. Det som det punktet handler om, er at vi nå har brukt mye penger på den offentlige skolen for å oppnå lærernormtallet. I fjor høst fikk Kristelig Folkeparti inn ekstra midler slik at friskolene også kan ansette flere lærere, har i plattformen pekt på at man også skal øke kapitaltilskuddet. Det er det dette handler om. Kvaliteten skal være god både i offentlige skoler og i friskoler. Alle elever skal møte kvalifiserte, dyktige lærere og skoler av høy kvalitet, og vi ser på resultatene at det er den veien det går. Replikkordskiftet er omme. Vi har fått en utvidet høyreregjering, men erklæringen er ikke veldig ny. Mye har vi hørt før, de nye ideene glimrer med sitt fravær. Og

i velferden. De vil «legge til rette for å la private tilbydere konkurrere om å levere offentlig finansierte tjenester der det er fornuftig», som det står i regjeringsplattformen. Det kan forsterke forskjellene, og det gjør at mer av fellesskapets penger går til utbytte hos kommersielle aktører. Det er en resept som strider mot det beste i den norske modellen, der det offentlige tar ansvar for å sikre alle et godt tilbud, en god opplæring og en trygg barnehageplass. i den norske modellen, der det offentlige tar ansvar for å sikre alle et godt tilbud, en god opplæring og en trygg barnehageplass. I denne regjeringserklæringen er det ingen klare målsettinger om å stoppe profitt i barnehage. Det er ingen klare målsettinger om å styrke de ideelle aktørene i barnehagesektoren, som trues av oppkjøp av kommersielle selskaper, og det forundrer meg. Det tas også få nye grep for å styrke enn det. Arbeiderpartiet vil heller satse på kvalitet, og at pengene går til barna i barnehagen, billigere barnehager og skolemat til alle barn. Den offentlige fellesskolen er et av de vakreste byggverkene i det norske velferdssamfunnet. Det er en skole der alle, uansett bakgrunn, går sammen og skal få samme mulighet til å lykkes. Nå kommer fellesskolen sakte, men sikkert under press. press. Representanter fra Høyre og Fremskrittspartiet vil sikkert si at vi er alarmistiske når vi advarer, men vi har sett utviklingen i andre land, ikke minst i form av den borgerlige politikken i Sverige, som fra 1990-tallet og fram til i dag har gjort den svenske skolen resultatmessig dårligere, men først og fremst mer segregert. De siste årene, siden 2013, har antallet elever i privatskoler økt med nesten 40 pst. Én av fem privatskoler i Norge er siden 2013 blitt godkjent under en kunnskapsminister fra Høyre. Under denne regjeringa har hver tredje privatskole som er opprettet siden 2015, blitt startet på tvers av kommunens og fylkeskommunens ønske. Da den nye friskoleloven ble vedtatt i 2015, mot Arbeiderpartiets stemmer, sa regjeringa at kommunene nå skulle få mer å si når det gjaldt etablering av Nå ser vi at det kun var fagre ord – det var et løfte som ikke ble holdt. Nye skoler i hele landet har fått godkjenning, til tross for at de lokale folkevalgte advarte og sa nei: Dette ønsker vi ikke! Det er en grunn til at de lokale folkevalgte gjorde det, ut fra sin kjennskap til sitt lokalsamfunn. Det er fordi hver krone som går til en privatskole, tas fra kommunebudsjettet. Det dukker ikke magisk opp nye midler dersom det startes en privatskole. Det er de samme midlene som brukes på fellesskolen, som flyttes. Jo større andel private, jo mindre folkevalgt innflytelse over skolestrukturen – de som folket har valgt til å styre i sin kommune. Jo mer oppdelt elevene blir etter tro, bakgrunn og foreldrenes status, jo større forskjeller vil vi se etter hvert. Arbeiderpartiet er ikke imot private alternativ i skolen. Tvert imot styrte vi i åtte år – eller i hvert fall i sju år – på en privatskolelov som ble vedtatt sammen med Kristelig Folkeparti, og som sikret foreldrenes rett til å velge pedagogiske og religiøse alternativ. Men vi er imot en utvikling der en stadig større andel av elevene og en stadig større del av kommunenes budsjetter overføres fra de offentlige skolene til de private skolene.

leker sammen, lærer sammen, spiller fotball sammen, der man kan lære toleranse og forståelse. Det er fellesskolen som er mangfold – ikke at vi deles opp i hver vår skole etter evner, lommebok, religion eller foreldrenes bakgrunn. Utviklingen med stadig flere private skoler har vi sett konsekvensene av i andre land, og at en slik politikk, i et land med sterke fellesskapsverdier hos folk flest, har flertall i denne salen, er et paradoks. For Arbeiderpartiet er det tydelig at vi som fellesskap bør løse de viktigste oppgavene sammen og bidra til et mer rettferdig samfunn på den måten. Dette er en plattform som på lengre sikt svekker fellesskapet og de mulighetene vi har til sammen å gi alle – ikke bare noen få – mer makt og frihet i egne liv. Om den franske makteliten som reiste tilbake til Frankrike etter å ha søkt tilflukt i England under revolusjonen, ble det sagt at de intet hadde glemt, men at de dessverre heller ikke hadde lært noe. Jeg ble minnet om dette sitatet etter å ha hørt våre fremste opposisjonspolitikeres innlegg i dag. Man har ikke glemt nederlaget i 2017, men har tydeligvis ikke lært Ifølge Arbeiderpartiet med følge skulle man tro det norske folket nå på sjette året befinner seg mer eller mindre i en jammerdal. Først, nærmest ved en feiltagelse og i strid med sine egentlige interesser, ga de Stortinget en sammensetning i 2013 som først aksepterte en mindretallsregjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet, som de rød-grønne har brukt sterke ord om fra første dag. dag. Slik har de nedsettende omtalt først Venstre og så Kristelig Folkeparti etter hvert som de har tilsluttet seg regjeringen. I åpenbar uvitenhet om hvor dårlig det går i Norge, gjentok det norske folket sine feil ved valget i 2017 og ga oss den sammensetning av Stortinget som har ført oss frem til en flertallsregjering bestående av fire borgerlige partier. Det er opposisjonens oppgave å være kritisk til regjeringen, men den er ikke forpliktet til å være smålig til å være smålig og mer opptatt av å beskrive andres synspunkter til det ugjenkjennelige, slik at man selv glemmer å få frem hvilke alternative visjoner man selv har å presentere for velgerne. Med all respekt for skolemat, fradrag for foreningskontingent og forsvar av Justis- og beredskapsdepartementets lovtolkning om fosterreduksjon, må man stille seg spørsmålet om dette virkelig er de største truslene Norge står overfor. Kanskje Arbeiderpartiet burde reflektere over hvorfor de stadig taper valg. I tider hvor demokratiene rundt oss er i motgang, hvor gamle partimønstre i våre naboland går i oppløsning, og hvor regjeringene er svekket, kan vi glede oss over at Norge går mot strømmen. Vi får nå en forutsigbar flertallsregjering som også ønsker å samarbeide med hele Stortinget om samlende løsninger. Det er en stor fordel, med tanke på å løse landets problemer, at det kan bli grunnlag for å treffe vedtak som ikke umiddelbart er populære, men som er nødvendige, og som tjener landet på sikt. Av de viktigste oppgaver en regjering og et storting kan løfte, er, i en usikker tid, å passe på Norge og identifisere det som truer oss som nasjon, Det er derfor betryggende at plattformen legger så stor vekt på en sikkerhets-, forsvars- og utenrikspolitikk som møter de nye truslene, og at sikkerhetsarbeidet ikke er begrenset til de tradisjonelle sektorområdene «forsvarspolitikk» og «utenrikspolitikk». Cybertrusler, fremmede makters produksjon av falske nyheter for å påvirke opinionen i åpne samfunn, terrorisme, trafficking, sikkerhetstrusler knyttet til uavklarte identiteter for destruktive krefter som misbruker asylinstituttet – alt dette krever det motsatte Statens viktigste oppgave er å sørge for innbyggernes trygghet og sikkerhet. Forsvars- og sikkerhetspolitikken må bygge på avspenning, avskrekking, konfliktforebygging og sikkerhet og stabilitet i våre nærområder samt arbeid for å forhindre at internasjonal terrorisme sprer seg. Plattformen er et utmerket grunnlag for dette. Regjeringen vil utvikle Forsvaret, slik at det er godt rustet for å sikre Norges interesser og vår suverenitet og til å Operativt forsvar, kampkraft og utholdenhet i alle forsvarsgrener blir prioritert. Henvisningen til enighet fra NATO-toppmøtet oppfatter jeg som et gjentatt løfte om å oppfylle Wales-erklæringen helt og fullt. Erklæringen har en betydning utover måltallene og er et uttrykk for at vi bidrar med det vi skal for å kunne forvente solidaritet den dagen vi trenger den fra andre. Når internasjonale institusjoner som regulerer samarbeid mellom stater og og håndhever rettsregler, svekkes, blir verden et farligere sted for alle stater, men i særlig grad for de små statene. De kan ikke erstatte tapt respekt for internasjonal rett med egne maktmidler. Vår historie viser at et nært økonomisk samkvem er det sikreste for å hindre konflikt og fremme fred mellom land gjennom en troverdig alliansepolitikk. Norges økonomi er mer enn de fleste avhengig av eksport. Tollfri adgang til et forbrukermarked på 500 millioner mennesker, som EØS-avtalen gir, er avgjørende for norske arbeidsplasser og felles velferd. Under replikkordskiftet tidligere i dag ble Arbeiderpartiets gruppeleder, Jonas Gahr Støre, spurt om hva hans eventuelle regjering måtte ha gitt av innrømmelser til anti-NATO- og anti-EØS-partiene SV og Rødt og anti-EØS-partiet Senterpartiet. Jeg la merke til at det han viste til, var stortingsflertallet, men det trenger vi jo ikke en Arbeiderparti-regjering for å sikre oss. Denne regjeringen har ført en forutsigbar og rettferdig innvandringspolitikk. Etter migrasjonsbølgen i 2015 er

Siden migrasjonsbølgen i 2015 har det vært en sterk nedgang i antall asylsøknader. Vi må over 20 år tilbake i tid for å finne så lave tall som i 2018. Det har også vært en nedgang i antall innvilgede asylsøknader. Innvilgelsene i UDI gikk ned med 67 pst. i fjor sammenlignet med i 2017. I UNE gikk antall innvilgelser ned med 40 pst. i samme periode. Også familieinnvandringen for mennesker med flyktningbakgrunn gikk ned i 2018, med en reduksjon på 74 pst. Granavolden-plattformen viderefører den restriktive og ansvarlige innvandringspolitikken som har vært ført de siste årene. Jeg vil peke på noen av punktene om Regjeringen vil videreføre det vedtatte nivået på antall kvoteflyktninger, men mener at antall kvoteflyktninger må ses i sammenheng med øvrige innvandrings- og integreringsutfordringer. Om antall asylsøkere øker betydelig, bør antall kvoteflyktninger reduseres. Det samme gjelder ved en eventuell relokalisering av asylsøkere fra EU. Det gjør det mulig å se de ulike typer av innvandring relatert til flukt, i sammenheng. Returpolitikk er viktig. Regjeringen vil legge til rette for flere assisterte returer, men også opprettholde innsatsen på tvangsretur av utlendinger uten lovlig opphold, arbeide for å få på plass flere returavtaler og videreføre innsatsen for å tilbakekalle tillatelser når beskyttelsesbehovet er bortfalt. Vi vil bruke Norges posisjon som bistandsyter til å sikre flere returavtaler og øke aksepten for prinsippet om at alle land har plikt til å ta imot egne borgere. For å sikre innvandringspolitikkens og regelverkets legitimitet er det viktig at muligheten for misbruk hindres. Regjeringen vil intensivere arbeidet mot juks og falske dokumenter og styrke innsatsen for å avdekke personer som har fått opphold i Norge på falske premisser. Vi vil også bruke DNA-testing for å avklare slektskap i forbindelse med familiegjenforening. Videre vil vi styrke saksbehandlingen for konvertitter og vurdere praksisen i klagesaker som knytter seg til forfølgelse på grunn av religion. Regjeringen vil også innskjerpe regelverket for flyktninger som drar på reise til hjemlandet uten forutgående avtale med norske myndigheter, og som ikke kan sendes ut på grunn av folkerettslige forpliktelser. Regjeringen fører en forutsigbar politikk som ikke vingler fra grøft til grøft, og en etisk solid begrunnet politikk. I dette ligger det at vi fortsatt vil føre en restriktiv, ansvarlig og rettssikker innvandringspolitikk innenfor rammen av internasjonale forpliktelser. Det er avgjørende for å sikre regjeringens overordnede mål om et bærekraftig velferdssamfunn for framtiden. Det blir replikkordskifte. Situasjonen for ofre for kriminalitet er alvorlig. Kriminelle får strafferabatt, folk står i uverdig lange køer i domstolene og replikkordskifte. Situasjonen for ofre for kriminalitet er alvorlig. Kriminelle får strafferabatt, folk står i uverdig lange køer i domstolene og hos politiet, og folk mister tillit til rettsapparatet. Likevel velger landets justisminister i dag utelukkende å snakke om innvandring. Tar ikke justisministeren situasjonen i sitt eget felt på alvor? Justis- og innvandringsministeren tar situasjonen i politiet svært alvorlig. Det samme gjelder situasjonen for domstolene. Og som representanten vet, pleier jeg å bruke de fleste av mine innlegg i Stortinget til å snakke om politireformen. Jeg merker meg at Arbeiderpartiet sjelden vil snakke om innvandringspolitikk, men la oss gjerne snakke om politiet. Det har vært en historisk styrking av politiet under denne regjeringen. 1 600 flere politifolk gjør at vi har en politikraft som vi aldri har hatt før. Grunnen til at vi har hatt denne satsingen, er at verden har endret seg, kriminaliteten har endret seg, og da må også politiet endre seg. En av de store og viktige utfordringene er en endring i kriminalitetsbildet som legger beslag på store ressurser. Det gjelder og overgrepssaker, som har hatt en eksplosiv kraft, en eksplosiv vekst, som vi er nødt til å omprioritere ressurser for å kunne møte.

Det er åpenbart at justisministeren ikke lytter til opposisjonen, men tar justisministeren disse poengene mer på alvor nå som den samme situasjonen slås fast i flere uavhengige rapporter? Politireformen ble gjennomført i 2018. Vi er nå kommet til januar 2019. Jeg synes det er litt tidlig å felle dom over noe vi har holdt på med i 2018. Det er en svær reform. Det er en veldig omfattende reform, og den kommer etter min mening kanskje i seneste laget. Dette er noe vi burde ha gjort for lenge siden – med stort trykk og med stor kraft. Det er en omstilling som også politiet må ta. Når verden endrer seg, må også offentlig sektor, endre seg, og da må også politiet endre seg. Jeg er villig til å forstå og skjønne at omstilling er krevende, og at ikke alle er like fornøyd hele tiden. Det vi har gjort, er at samtidig som vi har hatt en omstilling,

men om han ønsket å lytte til de tilbakemeldingene som har kommet. Da ønsker jeg å spørre om et annet tema som statsråden selv har tatt opp, og som er nevnt flere ganger i erklæringen – vold og overgrep. Statsråden sier selv at det har vært en eksplosiv økning, og det er sant. Erklæringen bærer et løfte om at dette nå skal tas tak i. Likevel lurer jeg på om vi kan stole på disse store ordene, for hittil har det nettopp blitt med store ord. store ord. Kan vi stole på at høyreregjeringen og statsråden nå vil følge opp med både penger og konkrete tiltak i denne alvorlige situasjonen? Vi har hatt flere handlingsplaner og opptrappingsplaner på området. Det har ikke bare vært store ord. Det har vært «hard cash», det har vært penger, det har vært mennesker, det har vært politifolk, det har vært barnehus, og det har vært spesialister innenfor dette området. Fortsatt øker det, for det er en utfordring med en del av disse sakene. Hvis man har overgrepssaker, spesielt på nett, og man gjør en god innsats fra politiet, et godt politihåndverk, og avslører det, så dukker det opp flere saker – og flere saker. Så en del av den veksten som vi har hatt innenfor vold, overgrep og voldtekt, skyldes faktisk at politiet prioriterer disse oppgavene mer og dermed avdekker det som jeg i veldig stor grad tror

der barnevernet skal overta straffegjennomføringen og ansvaret for dette. Det virker på meg som en voldsom tilstramning og endring av barnevernets formål. Bør ikke heller barnevernet løse sine oppgaver, og så kan ungdomsenhetene, med sin kompetanse, sine spesialister, ta seg av straffegjennomføringen? Linjen fra høyreregjeringen virker både tøff og hard, men mener og kan statsråden begrunne det – for det er ikke helt opplagt for meg? Det er fortsatt ungdomsenhetene, politiet og domstolene som skal ta hånd om dem mellom 15 og 18 år. Dem skal vi ha på spesielle ungdomsenheter, og vi prøver å unngå bruk av fengselsstraff så mye som mulig. Det representanten sannsynligvis tenker på, er dem som er under 15 år, dvs. under den kriminelle lavalder,

må håndtere. Før den norske politireformen ble gjennomført, hadde allerede en rekke av våre naboland gjennomført liknende reformer, og i en felles kronikk i 2016 skrev lederne av de nordiske politiforbundene: «I Norge vil en reform, som ligner den svenske, bli gjennomført ved Sannsynligvis med samme kaotiske konsekvenser og med mindre nærhet som resultat. I Danmark har man stort sett avskaffet nærhet og lokal patruljering.» Fra regjeringshold var svaret at selv om man skulle ta de samme grepene i den norske reformen, skulle man på et eller annet vis få andre resultater enn man fikk i våre naboland. Politireformen i Norge skulle nemlig ikke være noen sparereform, men i dag kommer det melding på melding om politidistrikt som er nødt til å innføre store sparetiltak, og alvorlige saker som hoper seg opp på grunn av kapasitetsproblemer. Kan statsråden fortsatt stå rakrygget og si at politireformen ikke er en sparereform, og kan han i så fall si hvor pengene tar veien, når de åpenbart ikke når politidistriktene? Det er veldig lett å vise og dokumentere at politiet har fått økt ressursene – betydelig økt ressursene, i milliardbeløp – og det fortsetter i 2018. Det har vært 400 nye årsverk i politiet i 2018, og det kommer enda flere årsverk i 2019. Samtidig er det visse typer kriminalitet som øker voldsomt, og det er en type kriminalitet som legger beslag på store ressurser. Når man står overfor en overgrepssak med 400–500 fornærmede som skal håndteres, er det klart at det legger beslag på store ressurser. Jeg synes det er bra at vi prioriterer disse sakene og bruker ressurser på dem, men jeg ser også at det spiser ressurser i forhold til en del av de andre tingene som politiet gjerne skulle gjort mer av. Men man har altså fra både Stortingets og regjeringens side ønsket å prioritere overgrepssaker, man ønsker å prioritere voldtektssaker, og da må politiet prioritere og da må politiet prioritere de ressursene. Til tross for milliardsatsing de senere årene, skulle jeg ønske at man kunne gjort mer. Det er også veldig lett å vise at tjenesteproduksjonen i politiet har blitt svekket mange steder etter reformen. Det er bare å ta en liten titt i media og se på alle sakene om de mange sakene som hoper seg opp, og om lang liggetid, også i alvorlige saker. Det er ikke bare politiet som sliter, også domstolene er hardt presset på kapasitet. Saksbehandlingstiden er langt over lovens krav i mange domstoler, og domstolene har uttrykt at de er overrasket over nedgangen i antallet straffesaker som har kommet inn til domstolene, og vist til at en vesentlig del av det skyldes politireformen, som har ført til at tjenesteproduksjonen på straffesaker har gått ned hos politiet. Regjeringen har nylig lagt ned seks fengsler og skryter veldig av at soningskøene er borte. Men jeg lurer på om statsråden kan se noen sammenhenger mellom lavere tjenesteproduksjon i politiet og i domstolene og mindre behov for fengselsplasser. Restansene har gått ned siden Senterpartiet satt i regjering. Oppklaringsprosenten har gått opp siden Senterpartiet satt i regjering. Fengselskøen er fjernet under denne regjeringen. Det er helt riktig at vi legger ned noen fengsler – lavsikkerhetsfengsler – og det synes jeg er en helt naturlig omstilling som man må kunne ha. Det kan ikke være meningsfullt å drive tomme fengsler. Det kan heller ikke være meningsfullt å prøve å fylle fengslene ved å skaffe seg flere kriminelle i landet. Det viktige er at vi bruker ressursene på forebygging, så vi slipper å ha folk i fengsel. fengsel. Derfor er forebygging hovedstrategien også her. Og kriminaliteten i Norge går faktisk ned. Den vokser på noen områder – vold og overgrep, seksuallovbrudd. De skal ikke i lavsikkerhetsfengslene. Men på de andre typene kriminalitet er det en fallende tendens, i tillegg til at vi bruker fotlenkesoning, som gjør at vi har en overkapasitet. Når statsråden snakker, kan det høres ut som om flyktningkrisen i verden er overkapasitet. Når statsråden snakker, kan det høres ut som om flyktningkrisen i verden er over. Men det er jo ikke sant. Europas grenser er stengt, og folk forkommer nå i flyktningleirer, også i Europa, i Hellas. Antallet flyktninger i verden har økt, men Norge skal gjøre mindre. Norsk helsepersonell har vært i Hellas, og de sier de aldri har sett verre. Der er det altså barn som ikke får skolegang på mange år, ikke helsehjelp, knapt et telt eller en sovepose å klare seg med. I tillegg til dette mener regjeringen at 541 av de asylsøkerne som er kommet til Norge, skal tilbake igjen til Hellas. Hva er grunnen til at regjeringen vil øke nøden i flyktningleirene i Hellas, og mener at de ikke har kapasitet til å behandle disse søknadene i Norge? Det ligger til grunn et Dublin-regelverk som denne regjeringen mener det er viktig å følge. Det betyr at asylsøknader skal behandles i det landet hvor man først blir registrert. Det er en allmenn europeisk forståelse for at det er sånn det skal være, og jeg tror at det er en veldig stor fordel at man på disse områdene prøver å få felles europeiske løsninger og felles europeiske forståelser, sånn at man ikke kan ha «asylshopping» fra land til land. Denne regjeringen øker jo antallet kvoteflyktninger, og utvelgelsen av kvoteflyktningene skjer i hovedsak i samarbeid med FNs høykommissær. Hvis man mener at vi liksom skulle ta disse flyktningene fra Hellas nå fordi noen har vært og sett noe,

høykommissæren har gjort oppmerksom på denne situasjonen, og at det er høykommissæren som kan plukke ut hvem som er mest i behov. Da kan man f.eks. nevne en del av de unge jentene som sitter der nå uten beskyttelse, som blir utsatt for overgrep og vold, som blir gravide, en del av de ungene som ikke får skolegang, eller en del av de andre, som er sjuke, og som absolutt trenger å komme inn under bedre forhold. Norge bruker til og med EØS-midler til disse leirene, uten at jeg er helt sikker på at justisministeren eller regjeringen har kontroll på at de pengene blir brukt slik at det er verdige forhold i disse leirene. Mitt spørsmål er igjen, jeg vil gjenta det: Hvorfor vil regjeringen øke nøden i Hellas? ingenting i Dublin-regelverket som tvinger oss til å gjøre det. Vi ønsker ikke å øke nøden i Hellas. Derfor gir vi betydelig støtte, økonomisk støtte, til Hellas. Det har vi gitt de siste årene, gjennom EØS-midler, og det kommer vi til å fortsette å gjøre. Det handler om å hjelpe flyktningene i deres nærområde, som er et velkjent og ganske godt akseptert prinsipp.

ut 3 000 kvoteflyktninger i 2019. Det er kvoteflyktninger som i all hovedsak er kvoteflyktninger som har ventet lenge, og som er i leirer som man gjerne skulle ønske å avskaffe, men vi kan ikke ta imot alle. Replikkordskiftet er omme. Byen Hebron på Vestbredden er hjem for 220 000 palestinere. I sentrum av Hebron har 500 israelske bosettere slått seg ned. I 1997 drepte en israelsk bosetter 29 muslimer i moskeen i Hebron. Siden den gang har en norskledet internasjonal observatørstyrke, på oppdrag fra israelske og palestinske myndigheter, jobbet for å bedre forholdene i byen. I 20 år har de sivile observatørene fulgt redde skolebarn til skolen, de har stanset slåsskamper, og de har hindret konflikter. Det kan det bli en slutt på nå, for Netanyahus ytterste høyre-regjering vil kaste Hebron-observatørene ut allerede i morgen, 31. januar, de samme observatørene som i desember dessverre måtte konstatere at israelske myndigheter begår systematiske overgrep mot palestinere i Hebron. Samtidig har vi her hjemme fått en regjeringsplattform hvor Israel som eneste land gis en særstatus. I Arbeiderpartiet er vi for samarbeid, vi er for handel med Israel, vi er motstandere av boikott, men det er et for en norsk regjering å fremme ukritisk favorisering på, av et Israel på helt feil kurs, der uforsonlige krefter på ytre høyre fløy får stadig mer makt. Israels regjering opptrer stadig mer kompromissløst, også overfor noen av de aller svakeste, som skolebarna i Hebron. Tostatsløsningen står dessverre stadig svakere. Da er det et alvorlig feilgrep å omfavne en regjering som attpåtil bryter Oslo-avtalen. Derfor: Om ikke denne regjeringa makter å ta tydelig til motmæle mot den varslede utkastingen av Hebron-observatørene, gir det etter min mening liten mening å snakke om en balansert Midtøsten-politikk. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i våre nærområder har endret seg siden 2014. Med økt spenning må vi ta større ansvar for vår egen sikkerhet. Da er det ikke særlig betryggende å høre at statsministeren i erklæringen i går snakket misvisende om Norges forsvar og forpliktelser overfor våre NATO-allierte. For statsministeren påsto at høyreregjeringen vil bevege forsvarsutgiftene «ytterligere i retning av 2-prosentmålet». Det er jo direkte feil: Denne regjeringa beveger ikke forsvarsutgiftene ytterligere i retning av 2 pst. Denne regjeringa beveger forsvarsutgiftene ytterligere i retning av 2 pst. Denne regjeringa beveger seg tvert imot vekk fra 2-prosentmålet, for fra 2018 til 2019 synker BNP-andelen til Forsvaret. Arbeiderpartiet vil prioritere vårt felles forsvar, vi setter av penger til å satse på hær, på norske soldater, helikopter og moderne utstyr. Kvinners rett til abort blir brukt som brikke i et spill om politisk makt. Hvor skal det stanse? Det spørsmålet stilte et internasjonalt helsenettsted om abortdebatten i Norge før jul, et anerkjent helsenettsted. Statsministerens invitasjon til å endre abortloven vekker altså oppsikt internasjonalt. Jeg frykter at denne høyreregjeringen har Norges troverdighet som likestillingsland. Jeg er for en debatt om genteknologi og etiske spørsmål, men abort må aldri brukes i et maktspill! Vi er enige om å gjøre noen begrensninger i abortloven, sa Fremskrittspartiets parlamentariske leder tidligere i dag. Det er rene ord for pengene. Arbeiderpartiet sier nei til ethvert tilbakeskritt for kvinners rett
til å bestemme over egen

som få i Norge vet noe om, som ingen egentlig savner så veldig i hverdagen sin, men som er tiltak vi alle trenger, nemlig tiltak for å trygge Norge. De gjemmer seg gjerne bak tørre titler i budsjettpostene – IKT-sikkerhet, sikringstiltak, Politidirektoratet og underliggende etater, digital infrastruktur, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, investeringer for Forsvarets logistikkorganisasjon, byggesaker i politiet, sivil klareringsmyndighet, nød- og beredskapskommunikasjonen – you name it! Det kan være én million, og det kan være én milliard, men fellesnevneren er at dette er pengebruk som går under radaren for de aller, aller fleste i Norge. En notis om at regjeringen bruker en halv milliard på IKT-sikkerhet, vil gli veldig fort nedover forsiden på vg.no. Heldigvis har vi det Heldigvis sitter ikke nordmenn klistret til radioen og lytter anspent for å høre om regjeringen bevilger mer penger til tiltak for trygghet. Det er fordi vi stort sett kan føle oss trygge i Norge. Vi har en regjering som sikrer trygghet, og det er det viktigste den kan gjøre for sine innbyggere. Tryggheten vår fikk seg riktignok en solid trøkk etter terrorangrepet mot Arbeiderpartiet og mot landet vårt. Det å sovne uten trygghetsfølelsen, å se seg over skulderen,

dersom noe skulle skje igjen. Å satse på trygghet gir kanskje ingen kortsiktig politisk gevinst, men det er en av de viktigste langtidsinvesteringene vi kan gjøre. Etter hvert vil de tørre, grå budsjettpostene slå ut i blomst og ende opp i ekte trygghetstiltak for innbyggerne i Norge. Midler til IKT-sikkerhet blir til cybersentre, midler til POD og underliggende etater vil bli hundrevis av nye politifolk, nye politibiler, nye Midler til byggesaker i politiet blir til et av verdens beste og mest moderne beredskapssentre, og midler til investeringer for Forsvarets logistikkorganisasjon blir til luftvern, nye avdelinger i nord, ubåter, kampfly, helikoptre, stridsvogner og til soldater som drar ut for å holde oss andre trygge. Denne listen kunne fortsatt. Justisdelen av den nye regjeringsplattformen inneholder heldigvis ingen nye dramatiske punkter. Det skal vi være glade for. Justis er heldigvis et stabilt og ganske konservativt politikkområde, men det adresserer likevel noen av de særlige utfordringene som har oppstått de siste årene. For det første: Vi skal komme gjengkriminaliteten til livs, og unge gjengkriminelle skal håndteres med tydelighet, og det er ikke for å skade, men det er for å hjelpe. For det andre: Politiet står i en vanskelig reform, og vi må innrømme at vi går gjennom en skyggenes dal når det gjelder politireformen, før resultatene virkelig viser seg. Og når vi går gjennom en sånn dal, er det ganske lurt å gå videre. Der andre partier vakler i møte med litt motstand, er plattformen tindrende klar på at politireformen skal fullføres, den skal få virke, og om noen år er det ingen som kommer til å ønske å gå tilbake igjen til det politiet man hadde før. For det tredje skal vi ta tak i straffesaksbehandlingen. Vi har sett at noen saker hoper seg opp i rettsvesenet fordi kriminaliteten blir mer kompleks. Kriminalitet handler ikke bare om å ta fartskontroller og patruljere i gatene; det handler også om organisert kriminalitet, vanskelige voldtektssaker og uhyrlige overgrepssaker mot barn på nett. Plattformen er også tindrende klar at politiet og påtalemyndigheten skal settes i stand til å håndtere den type kriminalitet. Avslutningsvis vil jeg si at vi politikere er glad i målinger, spesielt når de går bra. Og målinger går opp og ned, men én måling er tindrende klar, og det er den som viser at regjeringen har skyhøy tillit når det kommer til å skape trygghet for folk i Norge.

samtidig som utgiftene skal økes. Det er et regnestykke som ikke går opp, og jeg skjønner det, når Høyres finanspolitiske talsperson for noen dager siden sa at man ikke hadde tatt seg bryet med å beregne hva plattformen koster, ei heller visste når den kunne gjennomføres. Dette henger jo ikke sammen. jo ikke sammen. Mange forslag i regjeringserklæringen koster mye penger. Barnetrygden for de minste vil koste milliarder, nærpolitireformen skal oppfylles, kriminalomsorgen skal styrkes, forpliktelsene overfor NATO skal trappes opp, bistandsbudsjettet skal utgjøre 1 pst. av brutto nasjonalinntekt hvert år. Alt dette er utgiftsøkninger i milliardkronersklassen, som skal kombineres med kutt i skatter og avgifter. Da blir det unektelig mindre inntekter i statskassen. Og hvor skal så pengene komme fra? Det er ikke godt å si. Hva betyr egentlig de motstridende setningene i plattformen? Miljøavgiftene skal økes – eller skal de ikke det? Handlingsregelen skal bevares – men samtidig muligens skrotes. Å utrede hvordan man kan omgå handlingsregelen, er et dårlig tegn.

Og til tross for at et nytt parti har kommet inn i regjeringen, er det jo egentlig ganske lite nytt i plattformen. Regjeringen tar med seg det aller meste fra Jeløya-plattformen. Men det er ett unntak – som er nytt. Det står nemlig at høyreregjeringen vil jobbe for at «flere private tjenestetilbydere i større grad kan bidra til å løse fellesskapets oppgaver». Og her er det ikke satt noen grenser. Hva blir det neste som skal løses av private tjenestetilbydere? Dette viser i hvilken retning regjeringen vil ta oss. Mer privatisering betyr at vi får et todelt helsevesen, hvor de som har råd, kan kjøpe seg ekstra tjenester. Det offentlige helsetilbudet, som er til for alle, kan komme til å forvitre. I andre land hvor privatisering har fått fritt leide, har det ført til økte egenandeler. Vi vil ikke havne i en situasjon hvor det er lommeboka som skal avgjøre hvor gode tjenester en får. En annen ting som ikke er nytt, er at forskjellene mellom folk øker, og at høyreregjeringen ikke gjør noe med det. Dette er vår tids store utfordring. Hele samfunn snus på hodet når folk føler seg forfordelt. Resultatet kan bli en situasjon der folk opplever uro. Resultatet bli en situasjon der folk opplever uro. Resultatet er at økonomien vokser mindre og i verste fall krymper. Handelsavtaler skrotes, og kaos herjer i Storbritannia. Folk blir motvillige til politiske løsninger, og statlig styring blir vanskelig. Dette er alvorlig. Men det er likevel overraskende, synes jeg, at høyreregjeringen ikke sier noe om denne problemstillingen i regjeringserklæringen. For oss i Arbeiderpartiet vil det å forhindre en utvikling i retning av et todelt samfunn være det aller viktigste, forhindre økte forskjeller. Med vårt budsjett ville folk med lave inntekter, under 750 000 kr, fått mer å rutte med, og og det trengs, for utgiftene til barnehager, til bompenger og til strømutgifter øker. Mer til dem som trenger det, betyr mer i skatt for dem som tåler det. Regjeringen senker skattene for dem med høye inntekter og formuer. De 1 000 rikeste har fått 1,3 mill. kr i skattelette, mens den siste skatteøvelsen til regjeringen er å skattlegge frikort til bussjåfører og

Det er ikke alltid at det er representantene som sitter på Stortinget, som vet best hva som er rett å gjøre i kommunene eller for folk. Derfor er det et viktig prosjekt at vi må flytte mer makt bort fra denne salen Vår jobb er å sette små og store fellesskap i stand til å styre sin egen hverdag og forme framtiden for seg og sine, for nettopp når folk og lokalsamfunn får tillit, vil de også ta ansvar, enten det er til familiens beste, til eget beste eller til lokalsamfunnets beste. Derfor vil denne regjeringen ha færre innsigelser i kommunenes planer, vi vil fortsette å lytte til lokaldemokratiet. Flere oppgaver skal flyttes til kommunene og til fylkene, og folk flest skal få mer makt. Det går godt i Norge, men vi har noen store utfordringer. Handlingsrommet i økonomien vil bli mindre. Inntektene fra olje og gass kommer til å gå ned, og selv om det er positivt at folk lever lenger, vil det også være en utfordring for velferdstjenestene våre. Derfor må vi legge til rette for at det skapes nye arbeidsplasser, som bidrar til statsbudsjettet. Da må vi fortsette den massive utbyggingen av infrastruktur, folk og bedrifter må få lov til å beholde litt mer av sine egne penger, det må forskes og utvikles mer, og det må bli lettere å være gründer – for å nevne noe. Dette er god næringspolitikk, og god næringspolitikk og den er spesielt lav i distriktsfylkene. Det går godt både med landbruket og i havbruksnæringen. Den stakkarsliggjøringen og svartmalingen av distriktene som venstresiden kommer med, stemmer fremdeles ikke med virkeligheten. SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, sammen med MDG og Rødt, er ikke akkurat noen allianse for verdiskaping. Det er tvert imot heller en allianse for reversering, og det vil ikke skape levedyktige byer og bygder. Den reverseringsalliansen de partiene står for, takket befolkningen nei til to ganger, og jeg er også glad for at denne regjeringserklæringen setter en stopper for

av. Hvis vi f.eks. klarer å fulldigitalisere byggesaksprosessene, kan vi frigjøre flere milliarder kroner, både for kommunene og for byggenæringen. Kommunene trenger større og sterkere fagmiljø for å ta ny teknologi mer i bruk, men i tillegg til å bygge nye og større fagmiljø må vi f.eks. fortsette den suksessen som den kommunale medfinansieringsordningen har vært. Det gjør at man klarer å realisere lønnsomme små og store digitaliseringsprosjekt, og på to år har vi brukt omtrent 330 mill. kr på ordningen. Men de prosjektene som har fått penger, kan frigjøre over 7 mrd. kr over ti år. Det viser oss at hvis vi tør å tenke nytt, ta i bruk ny teknologi, kan vi få

Det er enten økte skatter eller mer reguleringer, og konsekvensen av politikken er fremdeles stillstand og på sikt forvitring. Den politikken gir oss ikke et bærekraftig velferdssamfunn. Skal vi lykkes med det, trenger vi modernisering, digitalisering og mer frihet og ansvar til enkeltmennesket, til familien og til lokalsamfunnet. Det sikrer vi

Hvor var humøret, hvor var smilene, hvor var entusiasmen? Det virket som det var helt borte. Jeg var litt spent. Jeg var spent på hva Kristelig Folkepartis inntreden faktisk ville bety når det gjelder verdier jeg synes er viktige i samfunnet. Skulle vi få en politikk hvor vi tok mer ansvar for hverandre, bygde et sterkere fellesskap og større likeverd? Svaret når vi leser regjeringserklæringen, er dessverre nei. Men det er det vi egentlig burde ha behandlet i dag. Vi burde ha behandlet en regjeringserklæring hvor det politiske fundamentet og trykket faktisk ble brukt for å redusere forskjeller, hvor det kunne ha blitt enklere for dem som har det vanskelig, hvor flere kunne ha fått muligheter til å lykkes. Vi kunne ha behandlet en regjeringserklæring hvor vi fikk et samfunn med mer toleranse og større evne til å inkludere. Men det er ikke en slik regjeringserklæring vi har fått. Høyrepolitikk bygger ikke et varmere samfunn. Høyrepolitikk fører ikke til et rausere og mer inkluderende samfunn. Nei, høyrepolitikk er ikke et fundament for mer inkludering og mangfold. Høyrepolitikk skaper større forskjeller og mer avstand og mindre forståelse mellom og blant folk. Et annet vesentlig spørsmål akkurat i dag når det gjelder regjeringserklæringen, er om denne erklæringen gir et større politisk grunnlag for å skape verdier og utnytte de fantastiske mulighetene vi har, og sånn sett også sikre at flere kommer i arbeid. Jeg kan ikke finne noen gode svar som underbygger at en vil bruke muligheten i større grad. Men vi kan i dag lese i Klassekampen at næringsministeren har laget seg åtte teser om norsk industripolitikk – ja, egentlig åtte selvfølgeligheter om industripolitikken. Han sier at myndighetene skal tørre å prioritere industrien over andre næringer. Men ser vi noe av det i regjeringserklæringen? Nei, vi gjør ikke det. Vi ser ikke noe til at industripolitikken blir prioritert over noe annet i regjeringserklæringen. Jeg kan i hvert fall ikke se hva det er som uttrykker det. Det blir ikke mer industriproduksjon av næringsministerens åtte teser. At Norge er et industriland, er en selvfølgelighet. Industrien har vært, er og vil forbli en viktig del av norsk verdiskaping. Men man må da velge å satse på industrien i tiden framover. framover. Vi burde i den tiden vi nå har bak oss, de siste fem årene med lavkonjunktur, ha brukt muligheten til å omstille oss og til å styrke industrisatsingen inn mot et lavutslippssamfunn. Men er det det som har skjedd? Nei, det har ikke skjedd. I går kom Norsk Industri med sin konjunkturrapport. Den viser heldigvis vekst. Men det understrekes at den veksten er skjør – veldig skjør, og veldig usikker. Vi hadde hatt muligheten til at den veksten som ligger i den konjunkturrapporten, hadde gitt enda mer optimisme og vært enda mer kraftfull, og ikke minst: De mulighetene vi hadde, og har, burde i større grad ha vært brukt. Det burde allerede nå ha vært en prinsipiell avklaring omkring karbonfangst for prosjektene i Norcem i Brevik og Klemetsrud i Oslo. Vannkraften burde ha vært et betydelig og varig fortrinn for norsk industri. Vi burde ha hatt mer risikovillig kapital tilgjengelig, i fleksible ordninger som bidro til at mulighetene kunne realiseres. Det har vært snakket mye om satsingen på yrkesfagene i dag, og det er bra. Men det burde ha vært satset enda mer på yrkesfagene, nettopp for å underbygge industriens framtidsmuligheter. Det burde i langt større grad ha vært lagt til rette for å utvikle industriproduksjonen på de fantastiske ressursene som f.eks. skogen gir – biodrivstoff er ett eksempel. Det samme burde så absolutt ha vært gjort for ressursene som f.eks. skogen gir – biodrivstoff er ett eksempel. Det samme burde så absolutt ha vært gjort for fiskeriressursene våre. Det er ingenting nytt i regjeringserklæringen som kan tydes dit hen at flere muligheter skal utnyttes i tiden framover. Det som understrekes i denne regjeringserklæringen, er at det nå legges til rette for en storstilt privatisering av offentlig velferdsproduksjon som eldreomsorg, skole og helse. Jeg synes det er bekymringsfullt. Vi ser, når vi nærmer oss 2021, at høyrepolitikken som skal føres nå de neste årene, vil føre til at forskjellene vil fortsette å øke. Individualiseringen forsterkes, og fellesskapet reduseres. Mangfoldet og solidariteten vil blekne, og de mange mulighetene vil forbli uutnyttet. Jeg synes det er synd, og vi går mot nye tapte

Som kommunal- og moderniseringsminister er jeg opptatt av levende lokalsamfunn og vekst i hele landet, og jeg er derfor veldig glad for at det går så bra i Distrikts-Norge. Og det er viktig at vi snakker godt om distriktene, for det er ingen som flytter til et sted som blir snakket ned med begreper som nedgang, utflytting og pessimisme. Regjeringen fører en distriktspolitikk som virker: Det bygges ut vei og bane som aldri før, vi får bedre resultater i skolen gjennom tidlig innsats, vi satser på forskning og utvikling, og vi gir skattelettelser til norske bedrifter som vil skape nye arbeidsplasser. Vi ser nå at arbeidsledigheten er rekordlav, og næringslivet blomstrer. Norsk Industri presenterte i går en rapport som sier at industrien vil få en vekst på 6–8 pst. i år. Det er veldig bra. Og når det bygges ut vei og bane som aldri før, knyttes byer og bygder sammen, avstander betyr mindre, og vi vet at god infrastruktur er viktige rammebetingelser for vårt næringsliv. Selv om det går bra nå, er det ingen selvfølge at det fortsetter. I Granavolden-plattformen legger vi grunnlaget for nettopp den veksten som kreves i distriktene. Den første utfordringen er den viktigste: Å skape et bærekraftig velferdssamfunn krever at vi lykkes med å omstille norsk økonomi til en ny tid. Vi må også skape vekst og flere jobber, og vi må bygge infrastruktur i hele landet. Og sist, men ikke minst: Vi må fremme det grønne skiftet og sikre at Norge har flere bein å stå på i framtiden. Når jeg reiser rundt i landet, sier nesten alle at det viktigste behovet deres er å få folk med riktig kompetanse.

Det er mye bedre enn to. Og det blir mer attraktivt å jobbe der, fordi flere kloke hoder kan jobbe sammen. Og det aller viktigste er at det betyr bedre tjenester for våre innbyggere. I tillegg til utfordringen med å få tak i riktig kompetanse står Kommune-Norge overfor en annen utfordring de neste tiårene: Befolkningen blir eldre, samtidig som andelen unge i yrkeslivet vil falle alle andre steder enn i de største byene. I dag er det flere enn 2,5 arbeidstakere bak hver pensjonist i de aller fleste kommunene, men allerede i 2030 vil rundt halvparten av kommunene ha under 2 arbeidstakere per pensjonist. Da sier det seg selv at det blir økonomisk krevende å finansiere pensjoner og velferd, og det blir mer krevende for små kommuner å klare å gi innbyggerne sine gode tjenester. Mange vil slite med å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. Det kan ikke alene løses gjennom økte kommunerammer. Vi gjennomfører ikke reformer for moro skyld. Vi mener reformer er helt nødvendige for å ruste oss for årene framover. Regjeringen mener at vi må skape før vi kan dele, og vi skal legge til rette for mer jobbskaping i hele landet. Vi trenger flere personer som skaper både sin egen og andres arbeidsplass, og som Da må samfunnet legge til rette gjennom gode rammevilkår og et skattesystem som stimulerer til arbeidsplasser og norsk privat eierskap. Norsk næringsliv består i all hovedsak av små og mellomstore bedrifter, og regjeringen vil derfor sikre rammebetingelser nettopp til disse bedriftene. Den nye regjeringsplattformen er ambisiøs – det handler om å legge til rette for trygge og bærekraftige lokalsamfunn i hele landet.

fra min tid i kommunen – at konkurranse skjerper. Det skjerper den offentlige tjenesten, og det skjerper den private tjenesten. Så jeg vil legge til rette for at kommuner kan velge, men det er opp til kommunene å avgjøre hvordan de vil innrette sine tjenester. Arbeiderpartiet heier på Oslo, som vil fase ut de kommersielle og satse på fellesskapet og de ideelle. Det betyr valgfrihet for alle, uansett størrelse på Det betyr bedre kvalitet på omsorgstilbudet til innbyggerne i byen vår. Når vi i tillegg ser at avkastningen av velferdstjenestene våre havner i private hender, gjerne i skatteparadis, bør ingen være overrasket over at viljen til å betale skatt for å finansiere disse tjenestene blir mindre. Hvorfor vil regjeringen ha mer marked og mer privatisering av offentlige tjenester, når konsekvensene er at det rammer fellesskapet vårt? Det er fullt mulig å heie på sine partifeller i Oslo. Jeg gjør ikke det. I Oslo blir eldre fratatt valgfrihet. I Oslo legges gode tilbud ned fordi man er så opptatt av ideologi. I Oslo er man ikke opptatt av å få vite hvilke tjenester som er best, hva som fungerer best – man ønsker ikke konkurranse. Jeg mener det gir et dårligere tjenestetilbud. Jeg vet selv av egen erfaring fra da vi skulle konkurranseutsette praktisk hjelp i hjemmet, at det første vi måtte skjerpe, var den offentlige tjenesten. Den ble bedre, folk visste når man kom, om man kom, og sykefraværet gikk ned. Erfaringene med konkurranseutsetting er veldig bra. Det gir valgfrihet, og jeg ønsker å legge til rette for det, hvis kommunene ønsker det. Jeg visste jo at for høyreregjeringen er ikke Oslo et Høyre ønsker jo svenske tilstander. Det betyr – som i Stockholm – privatisering, shopping av omsorgstilbud, markedsføring og et enormt byråkrati. Helseministeren har uttalt at det ikke spiller noen rolle om norske velferdspenger havner i utlandet. Et nytt storkonsern kontrollerer nå 25 pst. av privat omsorg i Norge. I Sverige har de tatt ut 2 mrd. kr i profitt fra fellesskapet og betalt usle 22 000 kr i skatt. Fellesskapets penger havner i skatteparadis i Mener statsråd Mæland at det er uproblematisk at penger som skulle vært brukt til velferd i norske kommuner, ender opp i skatteparadis? Nei, det synes jeg selvsagt ikke. Det synes jeg ikke om noen som plasserer pengene sine i skatteparadis. Men det er et skremselsbilde som skapes av deler av tjenesteytende sektor som jeg synes er helt utrolig. Man heier altså på at industrien skal tjene penger, at næringslivet skal tjene penger. Det er lov å tjene penger på å bygge et sykehus, men det er ikke lov å tjene penger på å yte tjenester i sykehus. De delene av tjenesteytende sektor hvor kvinnene dominerer, hvor man kan få flere kvinnelige ledere, kvinnelige eiere, snakkes ned. Det er altså en uting å tjene penger på å passe på barna våre, men det er helt greit å tjene penger på å bygge barnehagen til barna våre. Jeg forstår ikke det skillet. Det er å ha ideologiske skylapper, som jeg er helt uenig i. Jeg heier på så mange i dette samfunnet som gjør en kjempejobb, både ved å drive barnehager og ved å drive omsorgstjenester. Jeg synes en sykepleier kan drive egen virksomhet like godt som en

kommuner. Vi har hatt mange suksesshistorier med det tidligere. Jeg kan nevne Leikanger med Difi, Nav og Skatteopplysningen m.m., Brønnøysundregistrene osv. Digitaliseringen gjør at geografisk arbeidssted nå blir mindre og mindre viktig. Vi har nå mulighet til en betydelig omfordeling av kompetansearbeidsplasser, uavhengig av geografi. Vil regjeringen bruke denne muligheten til å sørge for en betydelig utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo, og er det vilje til å sørge for en omfordeling som gjør at også små og mellomstore kommuner får en betydelig andel av de arbeidsplassene, slik at det ikke bare blir omfordeling mellom de største byene?

Så sier vi i plattformen at vi skal gjøre en større jobb med å se sektorer på tvers, for det vi har sett, er at hver virksomhet og hver sektor tenker fornuftig hver for seg, men samlet for landet blir det uheldig. Så svaret er: Ja, vi skal ha en politikk for å se sektorer på tvers, slik at vi også ser at plasser utenfor de store byene selvsagt kan tiltrekke seg statlige

virksomheter. SV er veldig opptatt av trygghet i hus og hjem, også for dem som har det vanskelig. Derfor ønsker vi et stort løft i bostøtten, for den har falt som en stein under denne regjeringen, og vi ønsker et stort bunnfradrag i eiendomsskatten, slik at folk med vanlige boliger og små inntekter ikke rammes av den, og at vi får vekk det usosiale med den. vi får vekk det usosiale med den. Men jeg merker meg at det er regjeringen imot. I regjeringsplattformen står det til og med at bostøtten nå skal være målrettet. Jeg lurer på hvem det er som da skal få den, for nå er altså snittinntekten per husholdning som mottar bostøtte, 134 000 kr. Da er mitt spørsmål: Hvorfor er hjemmet til dem med dårlig råd mindre viktig for denne enn hjemmet til dem som har råd til å kjøpe seg både ett, to og tre hyttepalasser og ett, to og tre hus, som får skattelette for de formuesverdiene de har? Jeg er nødvendigvis uenig i premissene for spørsmålet. Det er ikke slik at bostøtten har falt som en stein. Det er slik at bostøtten skal treffe dem som trenger det mest. Det gjør den nå. Og jeg er veldig fornøyd med at flere barnefamilier enn noen gang får bostøtte. Vi styrker bostøtten i inneværende år med 60 mill. kr, slik at familier med flere barn får økt bostøtte. Det er viktig for å komme familier med lav inntekt i møte, fordi det å bo er viktig. Vi vet at det å ha en trygg bolig er viktig for å være i jobb, for en trygg skole etc. Så vi er helt enig i at bostøtten er viktig, men vi ønsker altså å rette den inn mot dem som trenger det mest, ikke smøre den tynt utover til alle, for det er ikke nødvendig. De fleste bor, de fleste har penger til å bo, og de fleste eier sin egen bolig.

som er interessant, er jo at i plattformen som regjeringen bygger sitt arbeid på, står det at man skal «sørge for et inntektssystem som gir innbyggerne gode, likeverdige tjenester over hele landet». Samtidig opplever vi en regjering som legger opp til endringer i inntektssystemet, som svekker muligheten til å skrive ut lokale inntekter for kommunepolitikerne, og vi ser også at det er en regjering som sier at man i større grad skal satse på at kommuneøkonomien skal dekke nettopp kjerneoppgavene til norske kommuner. Da blir spørsmålet: Hvordan mener statsråden at man skal oppnå det å gi likeverdige tjenester, og ikke straffe kommuner økonomisk og

Det er bra. Så har vi et inntektssystem som skal være mest mulig nøytralt, men vi har også et system som tar inn over seg at noen kommuner er små, at det er distriktskommuner med særlige ulemper, og det er lagt inn i inntektssystemet. Så er det ikke sånn at de som har de høyeste skattene, har de beste tjenestene. Da hadde det jo vært veldig enkelt. Hvis det var sånn at høyest eiendomsskatt ga beste skole og best eldreomsorg, var dette veldig enkelt. Sånn er det ikke. Det er heller ikke sånn at de kommunene med høyest skatteinntekter er mest effektive og mest innovative. Det er altså godt rom, og vi vet også at effektiviteten i kommuneøkonomien er gått ned. Kommunene er blitt mindre effektive enn de var, på de største utgiftsområdene, som er helse, skole og eldreomsorg. Det kan kommunene gjøre noe med, og det

i hele kommunen, i hele landet, og ikke bare være en trygghet for at tjenester skal leveres i sentrale deler av kommunen? Det er grunn til å gi honnør til de mange kommunestyrerepresentantene rundt i det ganske land som jobber med budsjett. Å husholdere er viktig, og vi vet at mange har satt penger på bok og har buffere. Det står ikke i motstrid til det faktum at Senter for økonomisk forskning sier at effektiviteten har gått ned. Det at man får mindre skatteinntekter, gjør at man inviterer til mer effektive kommuner, mer innovative kommuner, for det er, som jeg sier, ikke sånn at de med de høyeste inntektene er de som gir de beste tjenestene. Det finnes det ingen dokumentasjon på. Så tror jeg ikke statsministeren har sagt at det bare er i sentrum av byene man skal være trygg. Tvert imot, det er selvfølgelig et mål at man er trygg i hele landet, og det legger vi til rette for. Så hvor det utsagnet kommer fra, kjenner jeg ikke til.

og de andre som er opptatt av nedbygging av norsk natur? Jeg mener jeg ga representanten Nævra et veldig tydelig svar den 27. november. Jeg sa at flere innsigelser ikke ga mer naturvern. Jeg sa at flere innsigelser ikke ga bedre politikk, og at det er villet politikk at antall innsigelser samordnes, at de er tydelige, og at de er konkrete, og at fylkesmennene gjør jobben med å være konkrete og ivareta nasjonale interesser. Sånn var ikke situasjonen. Det betyr også at jeg er uenig i Riksrevisjonens rapport. Dette er villet politikk fra regjeringens side. Det er kommunene som er arealmyndighet. Vi skal gripe inn når nasjonale hensyn tilsier det, ikke når det passer oss, og når vi har lyst til å overstyre. Replikkordskiftet er avslutta. Høyre-leder Erna Solberg reiste landet rundt i valgkampen i 2013 og snakket om hvordan man skulle omstille Norge, hvordan vi avslutta. Høyre-leder Erna Solberg reiste landet rundt i valgkampen i 2013 og snakket om hvordan man skulle omstille Norge, hvordan vi skulle gjøre Norge mindre oljeavhengig. Vi hørte det samme i regjeringserklæringen i går, og vi ser i regjeringsplattformens første punkt at man er opptatt av å omstille norsk økonomi. Det er mange ord om omstilling, grønt skifte og at vi skal gå bort fra oljeavhengigheten. Da er det interessant å se på fasiten etter fem og et halvt år med Erna Solberg. Har vi blitt mer eller mindre oljeavhengige i Norge? Er handelsunderskuddet blitt større fra Fastlands-Norge, eller har det blitt mindre? Faktum, som Erna Solberg helt sikkert vet, er at Norge som land har blitt mer oljeavhengig de siste årene – ikke mindre oljeavhengig. Handelsunderskuddet fra Fastlands-Norge var på 157 mrd. kr i 2014, og i 2018 lå det an til å bli på 258 mrd. kr. Altså: Handelsbalansen er forverret med 100 mrd. kr. Vi har blitt mer oljeavhengige selv etter oljekrisen som rammet norsk økonomi for noen år siden. Det er også interessant å se på investeringene i norsk økonomi.

Så hvis det har vært en omstilling av norsk økonomi under Erna Solberg, har det vært at vi har bygd flere boliger, og vi kan i Norge som land ikke leve av større satsing på eiendom og bo oss til rikdom. Dette er fasiten etter fem og et halvt år med Erna Solberg. Olje- og gassinvesteringene falt – de er på vei opp igjen og de investeringene som økte, var ikke investering i industri. Det var investering i bolig. Investeringen i industri er lavere nå enn for ti–elleve år siden, da lå den på rundt 30 mrd. kr. Det er faktaene som er grunnlaget for denne debatten. Det er forunderlig at regjeringen ikke er mer bekymret for det vi ser innenfor norsk kraftbransje. Vi ser en veldig høy kraftpris, som rammer industrien kraftfullt.

Når regjeringen har prioritert å gi noen store skattekutt, har man på den andre siden prioritert å gi avgiftsøkning for de mange. Avgiftsøkningen under Erna Solberg var på 6,6 mrd. kr i løpet av hennes første fem år som statsminister. Folk merker det på energiprisen nå. De kommer til å få høyere strømregninger enn de har hatt noen gang tidligere. Oppsummert: Norsk økonomi har ikke gått igjennom en omstilling. Norsk økonomi har blitt mer oljeavhengig – ikke mindre oljeavhengig. Skattepolitikken har rammet dem som har minst, og avgiftene for folk flest har økt. Derfor trenger regjeringen en tydelig opposisjon som får fram de svakhetene dagens regjering har.

statsminister Solberg

I august meldte Nav at det er ti år siden samtlige fylker hadde en ledighet på 3 pst. eller lavere. Ledigheten er særlig lav i distriktsfylkene, som Oppland, Troms og Sogn og Fjordane. Sysselsettingen øker. I forrige uke viste tallene fra SSB at 56 000 flere nordmenn var sysselsatt i 4. kvartal, sammenlignet med året før. Brorparten av de nye jobbene kommer i privat virksomhet. Det ble heller ikke mer byråkrati. En ny rapport fra Difi viser at det i staten er blitt færre ansatte i det vi kaller sentralforvaltningen, og en økning ute der hvor tjenestene til folk produseres, akkurat som ambisjonsnivået til regjeringen var. Vi skal ha mindre papirflytting

Det er bekreftet både av Fafo, av SSB og av Faktisk.no. Likevel fortsetter fortellingen om dette fra Stortingets talerstol. Det er heller ikke slik at andelen av fagorganiserte er synkende. Fafos siste rapport viser at andelen har ligget stabilt på 49 pst. blant arbeidstakere de siste ti årene. På arbeidsgiversiden er andelen høyere enn da denne regjeringen overtok.

Vi vet at pasientene har kortere ventetid på behandling enn da regjeringen overtok. Jeg følte behov for å si noen av disse tingene, for jeg har hørt mange påstander i debatten. En av påstandene jeg hørte like før jeg gikk på talerstolen, var fra representanten Aasland, som ville beskrive – ut fra Norsk Industris konjunkturrapport – at jo, det var jo en vekst som pågikk i norsk næringsliv, men den var svakt, svakt fundert, og det var store og vanskelige utsikter. Nei, det som står i rapporten, er at veksten er på 6–8 pst., at den er bredt fundert, at det er skygger på grunn av det som skjer i utlandet, at det er handelspolitiske utfordringer, men også at vi er på vei til å nå et investeringsnivå som ikke ligger langt fra toppåret toppåret 2008, da vi hadde vært igjennom en fireårig, svær vekstperiode, drevet av oljeindustrien. Jeg skjønner at det er behov for å ha politiske forskjeller, behov for å ha politisk retorikk, men jeg synes vi skulle bygget det på fakta, og ikke på påstander for å tegne våre egne bilder. Jeg mener at det er mange utfordringer i det norske samfunnet som vi fortsatt skal ta fatt på. Mange av dem tar vi fatt på i Jeg mener vi innenfor kriminalitetsbildet har nye utfordringer som vi er nødt til å jobbe med – det som skjer på nettet, de overgrepene barn opplever, de utfordringene vi ser med mer gjengkriminalitet. Derfor har vi i Granavolden-plattformen tatt tydelige grep og vist retning: at dette er områder vi skal jobbe mer med. Vi er nødt til å jobbe mer med de utfordringene – også ulikhet kan gi flere barn som vokser opp i fattigdom, men da må vi legge til grunn de tiltakene som virker best, som det å gi barnehagetilbud, sørge for at de med lavest inntekt får gratis barnehage for barna, med gratis kjernetid, som vi har sagt vi skal utvide til også å gjelde SFO-ordningen, og sørge for at vi gir mulighet til å ha fritidsaktiviteter. I praktisk politikk er Granavolden-plattformen full av tiltak som vil bidra til at de som i dag lever med en anstrengt økonomi , får en bedre situasjon, særlig

Så har vi på den andre siden av skalaen dem som får store skattekutt, dem som har mest, dem som klarer seg bedre. Da representanten Tajik tok dette opp med representanten Helleland tidligere i dag, skjønte han ikke problemstillingen. Han sa at alle har fått det bedre, alle har fått økt kjøpekraft. De har ikke det. Dette er et uttrykk for at forskjellene øker. Ser statsministeren at det er et problem at de med lavest lønninger kommer stadig dårligere ut? For det første har jeg lyst til å si at i det store bildet når det gjelder fordelingen mellom dem som eier og dem som jobber, var tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene ganske klargjørende i fjor – fordelingen av veksten har vært omtrent lik. Da skrev Bergens Tidendes kommentator at alt lykkes for denne regjeringen, og at Arbeiderpartiet ikke har noen politikk igjen. Det kan jo Arbeiderpartiet selv vurdere om de har, men det var altså konklusjonen når det gjelder det store bildet. Så er jeg faktisk enig i at det finnes noen utfordringer. Over tid har det vært god inntektsutvikling, men vi er nødt til å passe på de gruppene som har de mest konkurranseutsatte jobbene – de som har minst tilknytning til arbeidslivet. Det er en av grunnene til at vi har en inkluderingsdugnad for å sørge for at flere folk kommer inn i en fast jobb. Det er derfor vi har et integreringsløft for å sørge for at mange av de innvandrerne som er i disse arbeidsgruppene, faktisk får bedre tilknytning og får en mulighet til utvikling. Det er derfor vi sørger for en kompetansereform for dem som trenger å omstille sin kunnskap fordi arbeidslivet har forandret seg. Dette er de områdene som vi satser på å sikre. Tida er ute. Presidenten vil oppfordra båe talarane til å halda seg innafor taletida på eitt minutt.

Der er ikke fagforeningsgraden 50 pst., der er den nede i 10 pst., fordi regjeringen ikke gjør noe og tar tak i disse forholdene. Derfor har jeg lyst til å spørre: Når det gjelder det å sikre at vi i Norge har et trygt og anstendig arbeidsliv, som virkelig gir den tryggheten som velferdsstaten vår bygger på, og hvor vi ser disse urovekkende tegnene: Hva har statsministeren tenkt å gjøre med det? Fortsatt er det ingen grep for å gjøre noe med organisering. Fortsatt er det ingen grep for å styrke partenes rolle i det viktige trepartssamarbeidet vi har. Fortsatt anerkjenner statsministeren uorganisert arbeid. Jeg er veldig glad for at Jonas Gahr Støre nå slo fast at alt lykkes for denne regjeringen. Det skal jeg huske. På mange av disse områdene

Når det gjelder spørsmålet om pensjon fra første krone, har vi sagt at vi skal utrede det. Det er også et spørsmål om vi, gjennom vedtak her i Stortinget, skal laste over store kostnader på bedrifter som har relativt marginal inntjening, noe som kanskje gjør at jobbene faktisk forsvinner. Vi er nødt til å vite hvem det er som må ta belastningen – hvor kostnadene fordeles når vi gjør den slags vedtak. Arbeiderpartiet er opptatt av
teknologiske og medisinske framskritt skal komme folk til gode, så de kan bli kurert for sykdommer og bli hjulpet i sårbare situasjoner. Nå er det bom stopp for utvikling i bioteknologiloven, til tross for at det er et bredt flertall i Stortinget for å gjøre en del ting. En konsekvens av dette er at flere nå reiser til utlandet for å få behandling som er tilgjengelig der og ikke her, eller de kjøper det privat NIPT-testen. Vi får altså en utstrakt biotek-turisme. Det er kun for dem som har råd og anledning til å gjøre det. Norske fagfolk som ber om å få virkemidler til å kunne hjelpe norske kvinner og menn, og særlig kvinner i en sårbar situasjon, får det ikke. Den biotek-turismen som vi nå ser tydelig, uroer den statsministeren? Jeg mener at politikk ikke skal styres av teknologien. teknologien. Våre etiske spørsmål skal ikke styres av teknologien. Det må vi faktisk gjøre helhetlige og gode vurderinger av. Når det f.eks. gjelder NIPT-testen, mener jeg at det vi har gjort i dag, er riktig. Man bruker den testen der man alternativt ville brukt andre og farligere tester på de gruppene som har behov for å få undersøkt dette. Man gir det ikke generelt – til alle som egentlig ikke har et særskilt behov. Det er fordi vi mener at det er etiske grenser for hva vi skal bruke og hva vi skal lete etter. Det mener jeg også må være viktig. Det er mange ting man kan få vite ved å henvende seg til utlandet, som jeg mener det offentlige ikke skal finansiere, selv om det kunne vært gøy å vite det. Jeg kan f.eks. få gentestet hvem jeg egentlig er i familie med, og hvor min familie og andre stammer fra. Jeg synes ikke det er et offentlig anliggende å finansiere eller tilby det. Det bekymrer altså ikke statsministeren at vi

gjennomgang. Da stiller jeg statsministeren spørsmålet: Kommer det en ny gjennomgang, eller er det ikke noen grunn til å ta tak i dette? Finansministeren svarte utførlig på en del av disse spørsmålene i sitt replikkordskifte. La meg slå fast én ting, som jeg også etter det replikkordskiftet hørte at Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne gjentok, nemlig at vi hadde innført nye skatteregler for frivillige eller er det ikke noen grunn til å ta tak i dette? Finansministeren svarte utførlig på en del av disse spørsmålene i sitt replikkordskifte. La meg slå fast én ting, som jeg også etter det replikkordskiftet hørte at Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne gjentok, nemlig at vi hadde innført nye skatteregler for frivillige på f.eks. festivaler og annet. De skattereglene har vært der i 25 år. Hver gang Jonas Gahr Støre har vært statsråd, har han altså sittet i regjeringer som har forvaltet akkurat de samme skattereglene. Dette er ikke nye skatteregler. De har kommet opp i diskusjonen nå, men de har vært der i 25 år. De andre skattereglene tror Men en del ting er viktige. Når frynsegoder blir beskattet, får man også rettigheter. En del av gruppene som har disse ordningene, er grupper med lav inntekt som nå vil få pensjonsinntekt av nettopp de ordningene som de før har fått gratis. Det tror jeg vi alle skal være glade for at de får. Folk med lav inntekt kan få bedre pensjonsordninger med dette. Tida er ute.

2016. Der har i alle fall regjeringen fått til en endring. For vi har nå en enormt høy strømpris i Norge, som rammer norsk industri, som rammer norsk verdiskaping, og som gjør at vi kan få en ny industrireise inn til kysten vår. Er statsminister Erna Solberg fornøyd med at regjeringen har klart å få til en høyere strømpris? Mener statsminister Erna Solberg det er klokt at man skal bygge NorthConnect-kabelen, som kommer til å føre til enda høyere strømpris i Norge?

men da får en det ikke inn i pensjonsgrunnlaget, svangerskapspermisjonsgrunnlaget eller dagpengegrunnlaget sitt. Det er faktisk en ryddig del av det å komme inn. Det betyr kanskje ikke noe i det øyeblikket en får det, men det betyr noe i det øyeblikket endringene skjer rundt en og en trenger disse velferdsordningene. Så til spørsmålet om el. Jeg er ikke veldig glad i høy strømpris. Jeg vet ikke hvem som skal ha sagt at vi hadde for lav strømpris, i 2016. Det er sikkert tatt ut av sin sammenheng. Vi er opptatt av at vi skal ha en strømpris som folk kan leve med, vi er opptatt av at vi skal produsere strøm i Norge, og av at vi skal ha et godt fungerende strømmarked. I fjor var det tørkeår. Vi har nesten ikke noe, det er 0,01 TWh … Tida er ute. Regjeringen har konsekvent vært ganske smålig overfor vanlige arbeidsfolk. For eksempel har de som

Erna Solbergs olje- og energiminister, som i 2016 sa han var lei av lav strømpris. Han var veldig tydelig og sa at nok var nok, vi måtte få opp verdier på norsk vannkraft. Han ville altså ha høyere strømpris, og det er det som nå skjer. Hvis regjeringen sier ja til å bygge ut NorthConnect-kabelen, vil strømprisen gå ytterligere opp, og det kan i alle fall Erna Solberg ta ansvaret for. Hva mener regjeringen om ytterligere utenlandskabler? Er det klokt når vi vet at det kommer til å ramme norsk industri og norske forbrukere med enda høyere strømpris i det norske markedet? Det jeg forsøkte å si på overtid, var at i disse ukene i dette året har det omtrent ikke vært noe eksport av energi fra Norge, så når en i debatten forsøker å si at det er på grunn av kabler og utveksling prisen er høy, så er det ikke det. Men prisen er høy bl.a. fordi det er et CO2-innslag, og nå går kvoteprisen opp. Og den er høy fordi vi har høy nettleie – og nettleien i Norge er høy fordi vi har bygget ut massevis av nett. Jeg husker den rød-grønne regjeringen da prisene var mye høyere i Møre og Romsdal og i Trøndelag fordi vi ikke hadde bygget ut nok nett. De hadde egen sone. Nå betaler vi alle for at de har bygget ut nett,

Så i tillegg til at det er høy kraftpris, er avgiftene på strøm nå mye høyere enn de noen gang har vært. Det rammer norske familier som har litt dårlig råd. Det rammer husholdninger rundt omkring i hele landet. Det rammer den delen av industrien som ikke er definert som kraftkrevende industri, og skaper dårlig konkurransekraft for vårt næringsliv. det er klokt at norske husholdninger nå skal få økt strømavgift på toppen av økt kraftpris i markedet, og at mange norske husholdninger og mange norske familier dermed får en kjempesmell de kommende månedene? Dette faller på sin egen urimelighet. Norske forbrukere møter ikke økte strømpriser på grunn av økte avgifter i år. Vi senket elavgiften i budsjettet. Fra nå av er elavgiften lavere. Nettopp fordi vi visste at det var et tørrår, fordi vi visste at det var fare for at vi fikk høyere priser i løpet av denne vinteren, sa vi at da gjør vi en prioritering i statsbudsjettet, da tilbakefører vi penger til norske familier, sånn at avgiftsnivået ikke blir så høyt. I sum er det sånn at med vår skattepolitikk har en gjennomsnittsfamilie fått ca. 11 000 kr i skattelettelser. Det har vi gitt dem, og så kan de selv bestemme hvordan de bruker de pengene. Men i år så vi at strømprisene kunne komme til å bli og da gjorde vi altså en prioritering i vårt budsjett. Det var et ganske stort beløp. Vi senket elavgiften med 1 øre, og i tillegg reduserte vi noen av de økningene som var gjort i sukkeravgiften. Så fra i fjor til i år har avgiftene gått ned med denne regjeringen. Det utelater Senterpartiet i alle de regnestykkene de har. De kutter ut siste statsbudsjett. Her er statsminister Erna Solberg veldig selektiv med fakta. fakta. Poenget er at Erna Solberg har økt elavgiften i Norge med 5 øre, og så kutter hun den økningen med 1 øre. Først tar hun en hundrelapp fra folk, så gir hun 20 kr tilbake, og så sier hun at en skal være takknemlig for at hun gir tilbake 20 kr av den hundrelappen hun først tok. Det er dypt urimelig. Og den økningen på 36 pst. som vi snakker om, i avgiftene for folk, er etter at man ga tilbake 20 kr av de 100. Så den store økningen i elavgiften består, men man gjorde en liten justering. Mener Erna Solberg at den justeringen var nok, eller burde man gått lenger og kommet tilbake til rød-grønt nivå når det gjelder strømavgifter? For dagens regjering har et skyhøyt nivå, og det kommer på toppen av veldig høye kraftpriser for norsk industri, norsk næringsliv og norske

Jeg synes ikke det er så godt faktabasert. Vi kan godt diskutere hvor høy elavgiften skal være, men vi har altså redusert nivået fordi vi har sett at norske familier kom til å få en belastning. I tillegg har vi redusert skattenivået for en norsk gjennomsnittsfamilie med ca. 11 000 kr i løpet av disse årene. Norske familier har fått større økonomisk handlingsrom gjennom de endringene vi har gjort. Norske pensjonister har fått økt økonomisk handlingsrom gjennom de endringene vi har gjort i skattesystemet. Hovedtyngden av de skattelettelsene vi har gitt, er tilbakeført til vanlige familier og til pensjonister, som altså har fått bedre økonomisk handlingsrom. Som vi allerede har vært inne på, er

Mange er nå i en situasjon med uro og utrygghet rundt hvordan regningene skal betales. Det er svært høye priser, og det er store svingninger i prisene. I 2011 var vi i en lignende situasjon. Den gangen foreslo den rød-grønne regjeringen en ekstra utbetaling til alle som mottok bostøtte, på

er det også viktig å huske. Og så er spørsmålet hvor lenge det varer, når det gjelder hvordan dette slår ut. Vi skal selvfølgelig se på dette, men vi var altså føre var og senket elavgiften for å sørge for at familier får litt bedre økonomisk handlingsrom dette året. Det vil slå ut i betalingen for hele året ved at den ligger litt lavere enn den hadde gjort hvis vi ikke hadde gjort det. Forskjellen på det og det vi her foreslår, er at det er Forskjellen på det og det vi her foreslår, er at det er mulig nå å gi en målrettet veldig betydningsfull håndsrekning til dem som sliter mest. Det bør gjøres ved å kopiere det som skjedde i 2011, men det må også gjøres ved en håndsrekning til en del andre grupper. For denne regjeringen har jo strammet inn i bostøtten slik at langt færre får. Derfor bør en sånn ordning også gjelde noen flere grupper. Jeg forstår statsministeren slik at hun er villig til å vurdere det. I morgen fremmer SV et representantforslag, slik at Stortinget har muligheten til å gå ordentlig inn i denne vurderingen. Statsministeren har sagt i dag at hun vil invitere til samarbeid over blokkene, og da vil jeg gjerne ha statsministerens bekreftelse på at dette forslaget er noe som vil bli seriøst vurdert. Kanskje kan det bli det første vi

så det å ta enkeltbiter innenfor et budsjett med andre partier nå, ser jeg ikke som naturlig. Men det er en viktig problemstilling å se på, for vi har vært opptatt av det, og vi har gjort det før, også borgerlige regjeringer: nettopp brukt bostøtteordningen målrettet til å nå grupper. Men da har prisnivået i forhold til inntekt vært litt annerledes, og de høye prisene har vart enn de så langt har gjort. Vi får gjøre vurderingene når vi ser hvordan prisbildet ser ut fremover. Replikkordskiftet er då omme. Dei talarane som heretter får ordet, har ei taletid på inntil 3 minutt. Det er

Vi skal videreutvikle pasientens helsetjeneste, vi skal ta pasientene med i alle beslutningene som angår dem. De skal oppleve åpenhet og respekt i møte med helsetjenesten. Vi vil ta de pårørende mer på alvor, og det er varslet en egen strategi for å sikre det. Mange pårørende har i dag en så stor belastning at de blir syke selv. Sånn kan vi ikke ha det. Vi ønsker et mangfold av tilbydere av helsetjenester. Det som passer for noen, passer ikke for alle. Vi skal ikke ha et A4-samfunn, der innbyggerne må tilpasse seg systemet og ikke omvendt. Derfor vil vi styrke ordningen med fritt behandlingsvalg. Det er en stor suksess innen rusomsorgen, og den skal forbedres. Ideelle aktører, som f.eks. LHL, Sanitetsforeningen, Røde Kors og Diakonhjemmet, er viktige bidragsytere for å De driver mange store norske sykehus med høy kvalitet og god trivsel. Ofte opplever de ideelle aktørene at de ikke blir ansett som likeverdige tilbydere på linje med de offentlige. Høyre anerkjenner at de ideelle aktørene er en viktig del av velferdssamfunnet, og at de utgjør et viktig alternativ til både det offentlige og det kommersielle tilbudet. Vi er enige om å stille krav til mer bruk av ideelle institusjoner og begrense foretakenes overtagelse av tjenester derfra. Brukerstyrt personlig assistent ble innført av de borgerlige partiene i 2014. Ordningen er god, men den er ikke perfekt. Derfor skal vi nå utrede hvordan den kan forbedres. Vi vil også innføre brukerstyrt avlastningsvalg, slik at de som trenger hjelp for å komme igjennom hverdagen, får det bedre. Kvalitet og kunnskap er en forutsetning for god behandling. For å gjøre helsetjenestene bedre må vi lete etter svakheter i systemet. Derfor setter vi nå i kraft strengere kvalitetskrav til både offentlig, privat og ideell sektor. Vi leter etter nye løsninger – det bestående må utfordres. De som trenger helsetjenester, er målet for vår politikk. Vi vil både sørge for at folk holder seg friske lengst mulig, og at de får best mulig hjelp når de trenger det. Vi har alle ulike behov og forskjellige preferanser. Vår politikk underbygger dette, noe som tydelig fremgår av enigheten landets nye flertallsregjering har kommet frem til. Landet har nå fått en tydelig høyreregjering, med en tydelig høyrepolitikk. Det betyr et klarere skille i norsk politikk og

Eliten skal berikes på bekostning av vanlige arbeidsfolk og fellesskapet. De 1 000 rikeste skal få millioner i skattelette. Regningen må vanlige arbeidsfolk ta. Regjeringsplattformen er klar. Det skal bli svenske tilstander i kommunene. Det betyr privatisering, privatisering, privatisering. Erfaringene fra Sverige viser at kvaliteten går ned og kostnadene opp. Det betyr at lommeboka styrer om man får god eller dårlig pleie og omsorg. Dette bryter med den norske modellen – at folk skal få det beste velferdstilbudet, uavhengig av hvor de bor, uavhengig av hvor mye de tjener. I Stockholm er det bydeler som tilbyr mer enn 100 ulike aktører i pleie og omsorg, og det er et enormt stort og dyrt kontrollsystem. Velferd handler ikke om å shoppe eller om hvem som er flinkest til å markedsføre. Velferd handler ikke om å bygge ut byråkratiet – eller gjør det det? For Høyre og kapitalmakten handler det om nettopp dette. Det handler om å løfte makt og kapital fra fellesskapet til det økonomiske toppsjiktet. Det spiller heller ingen rolle om pengene havner i kontrollerer nå 25 pst. av privat omsorg i Norge. I Sverige har de tatt ut 2 mrd. kr i profitt fra fellesskapet og betalt usle 22 000 kr i skatt. Fellesskapets penger havner i et skatteparadis. Det er disse aktørene høyreregjeringen nå heier på. Arbeiderpartiet heier på fellesskapet, de som ikke underbetaler de ansatte med dårlig lønn og pensjon, at norske folks penger kommer fellesskapet til gode og ikke på kontoer i Luxembourg. Vi heier på valgfrihet for alle. Vi heier på kommuner som min egen, Oslo, som setter de ansatte og innbyggerne i førersetet, på de som tør og vil ta tilbudet tilbake til fellesskapet og satse på de ideelle. Det er et klarere skille i norsk politikk enn på lenge – en høyreregjering som representerer kapitalmakt og privatisering, mot Arbeiderpartiet og sosialdemokratiet, som representerer vanlige arbeidsfolk, fellesskap og velferd for alle. Torsdag 17. januar var ein historisk dag, då dei fire partia frå ikkje-sosialistisk side sa ja til å danne regjering saman. Granavolden-plattforma er dokumentet regjeringa skal styre etter, og som dei fire partia har sett sine fotavtrykk på. Som medlem av transportkomiteen og oppteken av samferdsel og infrastruktur er eg glad for at dette punktet er vel teke vare på i den nye plattforma. Det var ein historisk stor nasjonal transportplan Stortinget vedtok i juni 2017, med investeringar på over 1 000 mrd. kr over ein tolvårsperiode, og eg er glad for at regjeringserklæringa legg til grunn ambisjonane i NTP 2018–2029. Samferdsel og godt utbygd infrastruktur er viktig for oss alle, for næringslivet og for utvikling av lokalsamfunn. Gjennom samferdselstiltak byggjer me regionar tettare saman, og det gjev grunnlag for vekst, næringsutvikling og gode buregionar. I tillegg til store utbyggingar og investeringar på veg og bane er det positivt at regjeringa ser behovet for utbygging av breiband som eit viktig tiltak som gjer at folk kan bu og arbeide i distrikta. Den teknologiske utviklinga går fort. Måndag denne veka var Telemarks-benken og Vestfold-benken inviterte til IndustriClusteret på Herøya i Porsgrunn, der me blei presenterte for ein industri som har ein ambisjon om å bli verdas fyrste klimapositive industriregion og levere innovative grøne teknologiske løysingar for den globale marknaden – ambisiøse mål som industribedriftene sjølve har sett seg. Det gjer meg glad å sjå slik optimisme og tru på framtidas teknologi som grøn og utsleppsfri. Det same ser me i transportsektoren, der kvar tredje selde nybil no er ein nullutsleppsbil og nesten halvparten av alle nybilsal er av klimavenlege bilar. Utsleppa frå transportsektoren skal gå ned, og det går òg tydeleg fram av regjeringserklæringa at dette er eit prioritert område for regjeringa. Det blir bygd mykje veg og bane i Noreg. Sidan 2013 har samferdselsbudsjettet auka med 75 pst., og me byggjer over heile landet. Behovet for reformer innan både veg og bane har bl.a. ført til danninga av selskapet Nye Vegar AS, selskapet som har som formål å byggje veg raskare, billigare og meir heilskapleg. Så langt vil dei aller fleste vere einige i at dette har vore eit vellykka grep, og det kjem stadig forslag frå mange hald om at selskapet bør ta inn fleire strekningar i porteføljen sin. porteføljen sin. Dette er fylgt opp i regjeringserklæringa, der det står at regjeringa vil auke Nye Vegars portefølje i den komande NTP-en, når det gjeld både talet på prosjekt og finansiering, slik at vegselskapet får auka ansvar for utbygginga av NTP på dei viktigaste europavegane. Med denne utvida regjeringa er eg overtydd om at samferdselsutbygging og klima og miljø blir sett på i ein samanheng til det beste for utvikling av eit berekraftig samfunn.

dårlig infrastruktur på vei og bane og det faktum at fabrikken starter 80 mill. kr bak sine konkurrenter fordi den ikke får CO 2 -kompensasjon. Tradisjonelt har norsk kraftkrevende industri, som aluminiumsindustrien, gjødselindustrien og treindustrien, nytt godt av billig norsk, ren vannkraft. I dag er det, som det to nye utenlandskabler til Tyskland og Storbritannia i regi av Statnett. Signalet vi får fra den kraftkrevende industrien, er at dette er prisdrivende og svekker konkurranseevnen til norsk eksportindustri. Samtidig pågår det konsesjonsbehandling av en ny norsk privat eksportkabel til utlandet, den såkalte NorthConnect. Utbyggerne av at det vil påvirke strømprisene negativt med 0,7–1,7 øre per kilowattime. For Saugbrugs, som allerede starter 80 mill. kr bak sine konkurrenter, utgjør det ytterligere 10 mill. kr rett inn på bunnlinjen. Vi er altså i ferd med å ta knekken på den industrien som skal være framtiden i det grønne skiftet, og det før vi har kommet skikkelig i gang. Hvis vi vil ha norsk industri på norske hender – i Norge – må vi ha et helt annet politisk fokus framover. Vi må, som alle vet, sørge for trygge og forutsigbare rammevilkår, tuftet på en helhetlig økonomisk tilnærming. Norske Skog Saugbrugs er et veldig godt eksempel på at det ikke er nok politisk fokus på hva som skal til for å lykkes med norsk industri i framtiden, og at byrden av et enkeltvedtak kan bli for mye – og rett og slett knekke industrien. Da kan jeg love at det blir vanskelig å gjenreise den. Det eneste rette i den nåværende situasjonen er å stille konsesjonsbehandlingen av NorthConnect i bero. Vi vet at kablene driver strømprisen opp, og vi vet at en ny kabel vil bidra ytterligere. Det eneste logiske da, om man ikke bevisst holder norske strømforbrukere og ikke minst industrien for narr, er om man ikke bevisst holder norske strømforbrukere og ikke minst industrien for narr, er å stanse konsesjonsbehandlingen med øyeblikkelig virkning, inntil man har fått erfaring med dem man allerede har vedtatt. Bare sånn kan vi sørge for at norske forbrukere blir tatt på alvor, og at norsk industri får de konkurransevilkårene den fortjener, og den forutsigbarheten som må til. Jeg er glad for at vi i dag, på denne historiske dagen, kan gi gratulasjoner og hilsninger, for det

for så – på samme tid – å få kritikk for ikke å ha fått gjennomslag i plattformen. Det høres rart ut. Det er enkelt å kritisere andre, men å peke på hvordan man selv ville ha gjort det, er vanskeligere. En av de største ideologiske skillelinjene i denne salen går mellom dagens fire regjeringspartier og opposisjonen, og det er utgangspunktet at samfunnet bygges nedenfra og opp og ikke omvendt. Når venstresiden snakker om fellesskapet, snakker man om staten og kun den. Jeg mener at det finnes langt flere og ofte viktigere fellesskap i dette landet enn staten. Jeg mener at det er viktigere at man har en familie rundt seg, at man har fellesskap i venner, i en arbeidsplass, i en skoleklasse, i en fritidsaktivitet eller i bygda man bor i. At samfunnet bygges nedenfra og opp, betyr at alle mennesker i utgangspunktet er frie og selvstendige, at makten i samfunnet skal være nærmest mulig dem som merker vedtakene best, og at det er hvor hardt man jobber, som skal avgjøre hvilke muligheter man vil få, ikke hvem man er, eller hvor man kommer fra. Jeg er glad for at vi har en regjering som sier i plattformens innledning at et godt samfunn bygges nedenfra og opp. Til slutt: Denne regjeringen skal sikre et bærekraftig velferdssamfunn for framtiden. Da trenger vi flere jobber som bidrar til statsbudsjettet, og færre jobber som tar fra statsbudsjettet. Ikke misforstå: Vi skal ha flere lærere, sykepleiere og politifolk, men vi må ha en større vekst i privat enn i offentlig sektor når det gjelder nyskapte arbeidsplasser. For det er arbeidsplassene i det private næringslivet som bidrar til at statsbudsjettet går rundt. Det siste året ble det skapt 56 000 nye arbeidsplasser i dette landet, tre av fire i privat sektor. Ledigheten er den laveste på over ti år, veksten går opp, og skatteinngangen går opp. Nå må vi folkevalgte her i salen heie på dem som skaper verdier i dette landet, og sørge for å inkludere flere i arbeidslivet. Jeg vil begynne med å gratulere både landet og

Siden 2013 har de fire partiene som nå sitter i regjering sammen, senket skattene og avgiftene med om lag 25 mrd. kr, til glede for både folk og næringsliv i Norge. Det er en politisk retning som jeg er glad for at plattformen sier at man har tenkt å fortsette. Det er bra for verdiskapingen, det er fornuftig, og det er rettferdighet i å la vanlige folk beholde mer av sin Dette står imidlertid i sterk kontrast til den retningen opposisjonen i landet ønsker å føre oss. Det var intet mindre enn en skattejakt inn i folks lommebøker vi var vitne til da de alternative budsjettene for inneværende år ble lagt fram av opposisjonen i fjor høst. Det ene partiet var opptatt av å overby det andre. Senterpartiet ville øke skattene og avgiftene med 4 mrd. kr, Arbeiderpartiet med

skal få verdier, må de også skapes. Verdiene skapes av verken staten, regjeringen eller stortingsrepresentanter. Folk og næringslivet der ute er dem som skaper verdiene, og det er vår jobb som politikere å legge til rette og la være å legge unødvendige hindringer i veien. Skattenivået – det å ha et fornuftig skattenivå for bedrifter, men også enkeltpersoner og individer – er derfor viktig for en fortsatt vekst i landet. Jeg vil også trekke fram satsingen på infrastruktur. I en replikk tidligere i dag nevnte jeg at det i år åpnes rekordlange 104 km med firefelts motorvei. Det er dobbelt så mye – sammenlagt – som på de fire siste årene den Det er en veibygging og satsing på infrastruktur som betyr mye, ikke minst for distriktene i landet. Jeg er også veldig glad for at regjeringserklæringen legger opp til en fortsatt satsing på infrastruktur, både kollektivtransport og veibygging. Knut Arild Hareide spilte på mange måter opp til dagen i dag. Det er litt merkelig når man ser tilbake på det, men det

Jo, jeg tenker først og fremst på hva slags samfunn vi skaper for de minste blant oss, og spesielt de mest sårbare barna. Det som virkelig betyr noe, er hvordan vi fanger opp, hjelper og gir omsorg til de barna som ikke får omsorg fra foreldrene sine, men kanskje utsettes for svikt. Det som virkelig betyr noe, noe, er å sørge for at de barna ikke møtes med svik fra oss – vi som skal hjelpe dem og gi beskyttelse. Derfor er opprøret blant de ansatte i barnevernet som nå er blitt startet, blant det som virkelig betyr noe. 80 pst. av de ansatte i barnevernet sier at de har for liten tid og for mye å gjøre til å kunne følge opp hvert enkelt barn på en god nok måte. Det er dypt alvorlig. Hvordan skal barnet som er utsatt for omsorgssvikt, få den skreddersydde hjelpen hun trenger og den medvirkningen hun har krav på, hvis ikke den ansatte har tid til å følge henne opp skikkelig? Nok trygge voksne på jobb er grunnlaget for en god barnevernstjeneste, og barnevernet gjør kanskje den viktigste jobben i samfunnet vårt. Derfor er det så alvorlig når de ansatte i enkelte barnevernstjenester har ansvaret for 30–40 barn i snitt. Og derfor er det så alvorlig at denne regjeringen har avlyst den statlige opptrappingen for flere stillinger i barnevernet. Den rød-grønne regjeringen øremerket i sin tid penger til over tusen nye stillinger i den kommunale barnevernstjenesten. Denne regjeringen har levert under 150, og i statsbudsjettet for i år er det null nye stillinger. Derfor var vi mange som hadde store forventninger til Kristelig Folkeparti og den nye barneministeren, men forventningene har blitt knust med denne regjeringserklæringen. Bemanningen i barnevernet nevnes ikke med et ord. Det som virkelig betyr noe, skal visst ikke prioriteres – eller var det kanskje noe annet som virkelig betydde noe for den delen av partiet som gikk mot høyre? I stedet for å prioritere de innskrenket rett til selvbestemt abort og den samme økonomiske politikken for elitene. Men heldigvis mobiliserer de ansatte i barnevernet nå for et alternativ, og det er fullt mulig å gjennomføre det alternativet. Det handler bare om å velge: Skal de store pengene gå til dem med allerede store lommebøker, eller skal de store pengene gå til de små blant oss? Jeg vet i alle fall hva slags valg jeg ville tatt i det veivalget.

Dette er litt av utgangspunktet for det vi står og diskuterer her i dag. Det er en arv vi alle har en aksje i, men det er en framtid vi skal forvalte videre. Vi har et kjempegodt utgangspunkt. Det høres ut på debatten her i dag som om det som betyr noe, er svenske tilstander, og at det er en stor trussel – vårt naboland, som som ikke har vært så heldig å ha olje og gass, men som omstiller energisektoren sin og kutter i klimagassutslipp, og som faktisk har høyere strømpriser enn vi har i Norge. De har også langt mindre kjøpekraft. Så vi er godt stilt, og vi har eventyrlige muligheter. Særlig hvis vi fortsetter å samarbeide med våre naboland, som vi har gjort over mange tiår, og utvikler det samarbeidet, kan vi virkelig fortsette å være det grønne og rike hjørnet i verden. Jeg hørte representanten Dag Terje Andersen vise til at det nå er tre og et halvt parti i regjering. Vel, Arbeiderpartiet ønsket seg tydeligvis en regjering med to og et halvt parti, i mindretall. Jeg tror ikke det hadde blitt så handlekraftig. Vi skal være glade for at vi har en flertallsregjering som ambisiøse klimamål, faktisk de mest ambisiøse Norge noen gang har hatt, og blant de mest ambisiøse i verden. Vi skal kutte utslippene og redusere dem med 45 pst. innen 2030. Vi skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Vi er det landet i verden som omstiller persontransporten raskest til elektrisk transport. Vi skal begynne på tungtransporten. Varebiltransporten skal vi fase inn. Det er mye å ta tak i. Snart legger vi også fram en strategi for grønn skipsfart. Vi er også det landet i verden som har bygd suverent flest batteriferger og hybridferger. Dette er en industriell omstilling som er både rask og enorm, men den gir oss også konkurransekraft framover. Vi har eventyrlige muligheter. Vi skal også fortsette det samarbeidet som vi har hatt innen energisektoren med de andre nordiske landene. Debatten om høye strømpriser og kraftkabelen vi ikke skal bygge, blir litt pussig når Polen og Danmark nå er blitt enige om at de skal bygge en gassrørledning mellom Polen og Danmark, og den skal stort sett fylles med norsk gass. Hvis det er store muligheter, er det jo nettopp her – i å fortsette den omstillingen og

Den lengstsittende borgerlige regjeringen på over 30 år er nå avløst av en ikke-sosialistisk flertallsregjering. Med det innleder vi et nytt kapittel i norsk politisk historie. Det er bra for Norge, og det er bra for velgerne, som har stemt fram et borgerlig flertall. Det vil skape økt stabilitet i norsk politikk og økt forutsigbarhet for næringslivet og samfunnslivet for øvrig. Regjeringens politikk har som mål å bidra til økt trygghet og Generasjonsperspektivet og forvalteransvaret er viktige verdier. Vi ønsker at barna som vokser opp i dag, skal få oppleve en framtid hvor det er trygghet for pensjoner og velferd. Olje- og gass-sektoren er vår viktigste næring og vil være det i mange år framover, selv om den ikke vil være den kraftige motoren i norsk økonomi som vi har vært vant til. Der Arbeiderpartiet nå skaper usikkerhet, vil vi gi vår viktigste næring rammevilkår. Styrt omstilling er noe helt annet enn styrt avvikling. Et bærekraftig velferdssamfunn må skape verdier gjennom flere næringer enn i dag. Titusenvis av nye, grønne og smarte jobber må skapes dersom vi skal lykkes i å fylle gapet i lønnsomhet og ringvirkninger. Verdier må skapes før de kan fordeles. Her går kanskje en av de aller viktigste skillelinjene i norsk politikk. Vi trenger nye, sterke jobber som leverer inntekter til statsbudsjettet, ikke jobber som lever av statsbudsjettet. Derfor vil vi fortsette å skape bedre grunnlag for verdiskaping over hele landet. Vi må gjøre det attraktivt å skape arbeidsplasser som er lønnsomme, og de jobbene må skapes i private bedrifter. Det handler om rammevilkår. De viktigste investeringene vi gjør, er i kunnskap, kompetanse, forskning og utvikling, i bedre veier, jernbane og digital infrastruktur i kombinasjon med en enda sterkere satsing på samfunnssikkerhet, beredskap og forsvar. Skatte- og avgiftssystemet må oppmuntre til å jobbe og å investere. Vi må skape mer, ikke skatte mer! Vi skal fortsette å forenkle og å redusere skattebyrden på jobbene. Det skal lønne seg å jobbe og lønne seg å ta risikoen ved å starte for seg selv. Og ikke minst: Våre varer og tjenester må fortsatt sikres god tilgang til markedene ute i verden. Når økonomien går bra, må det offentlige holde tilbake. Vi må sikre at veksten i offentlige utgifter ikke er større enn veksten i økonomien for øvrig, og vi må fortsette å effektivisere. 2019 ser ut til å bli det tredje året der veksten i økonomien er større enn veksten i offentlige utgifter. Det er godt nytt. Den politiske plattformen svarer på omstillingsutfordringene med tiltak som kan gjennomføres de neste to årene, samtidig som den viderefører en politikk som i 2018 ga den høyeste industriveksten på ti år og en rekordsterk kommuneøkonomi.

Skal vi kunne bidra til at kommende generasjoner kan leve gode liv her, må vi finne løsninger på klimautfordringene nå. Den norske modellen bygger på at alle berørte parter er med på å finne gode løsninger, og er med på å forplikte seg til å ta sitt ansvar når det gjelder de løsningene man blir enig om. Den måten å jobbe på er viktig i arbeidslivet og innenfor arbeidslivspolitikk og næringslivspolitikk, men også innenfor klimautfordringene. Med kloke politiske valg her i salen kan vi bidra til å finne mange av de viktige løsningene for å redde kloden, samtidig som vi skaper nye verdier og nye arbeidsplasser. Det er lett å snakke om omstilling, men det er av den. For den enkelte handler det om å gjøre nye arbeidsoppgaver, bruke nye hjelpemidler i jobben sin. For bedrifter handler det om å ta større risiko, innovere mer, kanskje finne seg nye markeder og tjene mer penger. Endringene kan være vanskelige for den enkelte – ingen endring kan være mye verre. Statsminister Erna Solberg skal nå lede det norske samfunnet gjennom viktige endringer – det er rett og slett en viktig endringstid som vi står i. Arbeiderpartiet kommer til å være utålmodig og komme med egne forslag som vi mener er løsningen på de utfordringene vi står i. Klimaendringene vil komme til å utfordre oss, både levesettet vi har i dag, og arbeidsmetodene framover. Klimaendringene vil komme til å by på tøffere miljøpåvirkninger enn det vi har sett tidligere. Klimautfordringene vil komme til å kreve endringer i alle næringer ingen slipper unna. De nye klimamålene vil kreve endrede prioriteringer på statsbudsjettet. Er vi klare til å gjøre disse endringene? I så fall er det bare å gi grønt lys for endringene. Vi i Arbeiderpartiet vil ha en mer ambisiøs industri- og klimapolitikk, som også kan bygge opp under bl.a. sirkulærøkonomien. Vi har utrolige muligheter til både å skape nye verdier og nye arbeidsplasser og å ta vare på klimaet. Et konkret eksempel vil være å få et CO 2 -fond på plass, som NHO er veldig utålmodig etter, og som de ikke klarer å komme seg til forhandlingsbordet om, i lag med dagens regjering. Dette holder ikke. Her må det settes fart. Vi må få fart på karbonfangst og -lagring, og vi må tydeliggjøre at vi er klare for investeringsbeslutning allerede i 2020. De grønne omstillingstalene bør erstattes med handling.

Status er at delen av BNP brukt på forsvar går ned, ikkje opp mot 2-prosentmålet, som regjeringa har forplikta seg til at ho skal arbeide mot. Forsvarssjefen var svært open i tala si i Oslo Militære Samfund den 22. januar. Til liks med det Senterpartiet lenge har peika på, sa Forsvarssjefen i tala si at ei styrking av forsvarsstrukturen er heilt naudsynt. Forsvaret er rett og slett for lite til at Noreg over tid kan klare forpliktingane våre nasjonalt og internasjonalt. Evna til å halde ut og å vere til stades der det trengst, er ikkje god nok. Fyrst og fremst gjeld det dei maritime ressursane våre og landmakta, ifølgje forsvarssjefen. Han kunne òg ha teke med Luftforsvaret i oppramsinga si av utfordringar. Regjeringa flytter no dei fleste Bell-helikoptera til Rygge. Fregattane har ikkje helikopter, Kystvakta har ikkje helikopter, og snart har heller ikkje Hæren helikopterstøtte å rekne med. På toppen av dette er Noregs evne til maritim overvaking alvorleg svekt. Forsvarsministeren seier no at me må sjå på å leige inn sivile for å sikre tilstrekkeleg MPA-kapasitet. Det hadde strengt tatt ikkje vore naudsynt om me hadde behalde Andøya flystasjon som base for MPA-verksemd. Det er interessant at regjeringa trekk fram alliert mottak i erklæringa. Me har venta lenge på den meldinga og kan ikkje få rapporten om alliert mottak fort nok.

og me fremjar difor i dag forslaget i salen slik at regjeringa kan få røyste for, og setje i gang dette viktige arbeidet så raskt som råd er. Ingen krig er vunnen utan soldatar på bakken. Den norske hæren består av ein brigade. Med det langstrekte og store landarealet vårt å forsvare, og i tillegg dei forventa bidraga våre til alliansen, er dette altfor lite. Regjeringa har forsømt landmakta. Heimevernet er redusert, og regjeringa har heller ikkje sytt for helikopter eller oppgraderte, moderne stridsvogner til den vesle hæren me har, men røysta ned Senterpartiets forslag og tviheld på innfasing av stridsvogner fyrst i 2025. Det er skuffande at forsvarsministeren ikkje er på talarlista i dag. Han burde ha kommentert alle desse punkta. Men det viser vel kor lågt regjeringa prioriterer Forsvaret.

men det blir ikke mye politikk ut av det. Det de har hatt å utsette på politikken, har stort sett handlet om tre ting: abort, bioteknologi og likestilling. Når det gjelder kvinners reproduktive rettigheter, har vi i plattformen likestilt regelverket i Norge med våre naboland. Vi fjerner åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger. Kritikken fra Arbeiderpartiet er spesielt hul. I årene fra 2010 til 2013, da partiet hadde helseministeren, gjorde man ingenting for å etterkomme fagmyndighetenes ønske om avklaring på nettopp dette området. Da var det enkleste å stikke hodet langt ned i sanden. Nå skyter de på regjeringen med kanoner og forsøker å framstille det som om hele abortloven står på spill. Det er selvfølgelig feil. Når det gjelder bioteknologiloven, handler kritikken mot oss ikke om at vi gjør endringer, men tvert imot at vi på en rekke områder nettopp beholder loven som den er i dag. Kritikken mot likestillingspolitikken er også svartmaling uten rot i virkeligheten. De siste fem årene har det vært en positiv utvikling på en rekke områder, og Norge er i dag verdens nest beste land på likestilling. Høyre ønsker et samfunn med små forskjeller. Derfor satser vi nettopp på arbeid, utdanning og målrettede ytelser til dem som trenger det mest. For eksempel fikk 50 000 barn billigere barnehageplass i 2016, og i den nye plattformen lanserer vi fritidskortet til alle barn og unge mellom 6 og 18 år. Granavolden-plattformen har de gode svarene på utfordringene vi som nasjon har i vente. i vente. Der mange på venstresiden er opptatt av å bekjempe velstand og fokuserer i den enden, er regjeringspartiene opptatt av å bekjempe fattigdom. Når vi kritiserer regjeringen og plattformen, er det fordi den ikke svarer på de alvorligste og viktigste spørsmålene vi har. Det er dessverre ikke svartmaling å kritisere regjeringens klimapolitikk. Målene kan være bra, men når virkemidlene for å ta kuttene hjemme ikke er der, er det jo bare prat. Når man skjermer samferdselssektoren og lar oljesektoren fortsette som den er så henger det rett og slett ikke sammen, og det er ikke bærekraftig. Det andre gjelder velferd og ulikhet. Jeg hører flere fra regjeringspartiene snakke om bærekraft i velferden, og det handler visstnok om at de som er sykest og uten arbeid, og de som er uføre og fattige, må oppleve kutt, mens de som er fattige, må oppleve kutt, mens de som er friske og har store formuer, skal få sydd puter opp under armene så de knapt – for å si det sånn – kan bruke dem. Det handler visst også om at det skal være mer privatisering i velferden. Men profitt i velferd er ikke bærekraftig. Det betyr at det tappes fra våre skattepenger – penger som skulle gå til tjenester, til barnevern, barnehager, eldreomsorg, og til gode lønns- og arbeidsvilkår for dem som gjør den viktige jobben – heltene i velferden. Det er ikke bærekraftig at vi skal kaste bort penger som skulle gått til barnevern, til profitt. Det er forstemmende når vi har en kommunalminister som gjennom sitt innlegg viste at hun tydeligvis ikke forstår forskjell på butikk og barnevern. Det er ganske ille.

og inntektene til lavinntektsgruppene har gått ned. Jeg må gjenta: Snittinntekten for dem som får bostøtte nå, er 134 000 kr i året for husholdningen – det står i statsbudsjettet – og da skal regjeringen målrette bostøtten. Jeg lurer på hvem det er som skal få den da, hvis ikke dette er målrettet langt utover det som er sosialt forsvarlig.

dei ikkje-sosialistiske partia verkar i praksis. Det går så det susar i Distrikts-Noreg, kommuneøkonomien er god, arbeidsløysa er rekordlåg, næringslivet blomstrar, og det vert bygd ut veg og bane som knyter by og bygd godt saman. Sjømatnæringa har auka eksporten med 50 pst. på fire år, og havnæringa langs kysten opplever ei formidabel utvikling. I landbruket er det også gode resultat, og skogbruket hadde i 2017 det beste året sidan 1989. Reiselivet har sett rekordar fire år på rad, og sidan dei raud-grøne styrte, har talet på utanlandske turistar auka med meir enn to millionar. Den maritime leverandørindustrien går godt, langs kysten vert det levert innovative produkt i verdsklasse. Mange nye elektriske ferjer og båtar er sette i produksjon eller er i bestilling, også

Kommunane har også fått nye og større oppgåver, difor er mange av reformene til regjeringa viktige og vert vidareførte i den nye regjeringserklæringa. Der Arbeidarpartiet og Senterpartiet er opptekne av å sjå avgrensingar i Distrikts-Noreg, ser regjeringa nye moglegheiter, og det ber plattforma preg av. Regjeringa har ein distriktspolitikk som bidrar til å skapa nye jobbar og ein solid kommuneøkonomi, som gjev betre velferd der folk bur. Talet på ROBEK-kommunar er no nede i 17. Kort sagt: Regjeringa har ein kommune- og distriktspolitikk som verkar godt. Distrikta treng politikarar som seier ja til lokalt sjølvstyre, og som støttar mineralnæringa, seier ja til EØS, ja til meir vasskraft, ja til oppdrett og ja til nye vegar i distrikta. Seier me nei til dette, seier me også nei til jobbar i distrikta. Meir lokalt sjølvstyre og mindre regulering og statleg detaljstyring er grunnleggjande i Høgre sin distriktspolitikk. Det gjenspeglar også regjeringsplattforma. Det er bra. Heldigvis er det godt at opposisjonen ikkje ser så mykje ny retning i regjeringsplattforma, politikken til dei ikkje-sosialistiske partia verkar trass alt svært, svært godt. godt. Den nye regjeringsplattformen legger et godt grunnlag for å skape nye bedrifter og videreføre eksisterende. På vei mot et mer klima- og miljøvennlig samfunn er det avgjørende at vi klarer å gi gründere spillerom, og at småbedrifter får utvikle seg videre. Regjeringserklæringen gir rom for starte sin egen bedrift. Regjeringen skal arbeide for å redusere byråkrati og skjemavelde, sånn at det blir enklere å starte opp, omstille, fornye og drive små og mellomstore bedrifter. Skal vi klare omstilling, som Norge skal gjennom, må sånne bedrifter sikres rammevilkår som bidrar til vekst og utvikling. Det er også bra at plattformen styrker muligheter for finansiering av næringslivet i Norge. Erklæringen legger opp til økt bruk av folkefinansiering og lettere tilgang på risikokapital. Gode offentlige virkemidler skal videreføres, men det legges også bedre til rette for at privat risikokapital blir brukt til å styrke næringslivet i Norge. Spredt eierskap er en sentral pilar i et velfungerende demokrati og viktig for Venstre. Plattformen legger til rette for selveierdemokratiet ved at flere deltar i økonomien som eiere i bedrifter. Spredt eierskap er nødvendig for å fordele makt og ressurser på flere hender, skape en sosial markedsøkonomi og bygge samfunnet nedenfra gjennom vekst og nyskaping. For Venstre er det sentralt at det legges vekt på næringsrettet forskning og innovasjon. Det legges til rette for knoppskyting i eksisterende bedrifter gjennom rene nyetableringer. Dette bidrar til at Norge forsterker sin posisjon som et innovativt land. land. At det også legges til rette for at norske bedrifter og institusjoner i større grad deltar i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, er sentralt. Når det gjelder fiskeri og landbruk, har Kristelig Folkepartis inntreden i regjeringen gitt viktige gjennomslag for Venstre. Det årlige jordbruksoppgjøret videreføres, og politikken på landbruksområdet skal i stor grad styres etter de retningslinjene som Kristelig Folkeparti og Venstre ble enige om i Stortingets arbeid med jordbruksmeldingen i forrige periode. Dette synes jeg er veldig viktig. Omtalen av samsvar med vår politikk i større grad. Jeg er godt fornøyd med at planen om å strukturere båter under 11 meter legges i skuffen. Sånne båter er viktige for rekrutteringen og næringen, og de sørger også for at ungdommen i framtiden har mulighet til å komme inn i den viktige næringen. Når det gjelder havbruk, er jeg godt fornøyd med at erklæringen slår fast at kommunene skal kompenseres for bruk av lokaliteter til oppdrett. Dette er en sak som vi helt sikkert kommer tilbake til. Det er også bra at regjeringserklæringen spesifikt nevner reiseliv som en viktig del av næringslivet.

Universitetssykehuset Nord-Norge. Denne regjeringen fortsetter sin overkjøring av Finnmark. Flyttingen av Finnmarkssykehuset er ikke drøftet med noen – ikke med de ansatte, ikke med lederne, ikke med politiske myndigheter. Tre tidligere direktører ved UNN har skrevet en kronikk som viser hvor lite gjennomtenkt dette er. Denne omfattende endringen, som vil få store konsekvenser for både Finnmarkssykehuset og UNN, er ikke engang utredet. UNN har aldri bedt om det, Finnmarkssykehuset har ikke bedt om det, men det virker som om sentralisering er en ideologi for regjeringen. Helseminister Høie rykker ut og sier at det er viktig med dialog med de ansatte om sammenslåing av sykehusene. Hva skal man med Hva skal man med dialog når man har innført et diktat? Dette er skinndemokrati og ingenting annet. Bent Høie skriver attpåtil følgende i et tilsvar til den massive kritikken regjeringen har fått: «Målet med omorganiseringen er altså å styrke sykehustilbudet til befolkningen i Finnmark.» Det er oppsiktsvekkende at det å miste styring over egne sykehus skal styrke sykehustilbudet i fylket. Vi som er finnmarkinger, har opplevd dette før fra flertallet i Stortinget og regjeringen. Vi vet at stortingsflertallet ikke har lyttet til Finnmark når 87 pst. av innbyggerne sa nei til å bli sammenslått med Troms, men vi

den individuelle friheten – og trakk fram den stakkars privatbilistens kår. Det er også disse tankene som har seiret så det holder i regjeringsplattforma. De skal doble posten til bompengestøtte, de skal gi skattefritak for bompengeutgifter til fossilbiler, de skal ha større budsjetter for å bygge motorveier, og sjølsagt skal det åpnes for 120 km/t – alt på bekostning av miljø og klima. Samtidig er det ingen belønning til dem som lar bilen stå. Det er ingen nye konkrete tiltak for å øke kollektivdelen og for å stimulere sykkel og gange – ingen nye, bare generelle formuleringer. De vil bygge motorveiene før jernbaneopprustningen mange steder der det går parallelt, i beste fall samtidig. Uansett: Grunnlaget for passasjerveksten på jernbanen blir utsettes i minst to år i forhold til NTP. Klarer noen representanter å finne en eneste Fremskrittsparti-tilhenger i noen av de store miljøorganisasjonene? Det lurer jeg på – i miljøer som er opptatt av framtida, klodens klima og tap av natur. Hvordan kan Venstre leve med dette? Det spør jeg meg så skyver de alt ansvaret fram til 2030. Da er de flinke. Men det er jo flere stortingsperioder til. De tar ingen sterke grep for utslippskutt her og nå, og de gir rett og slett opp Derimot er det et annet felt innen transportsektoren der det ikke er handlingslammelse, og det gjelder privatisering og anbudsutsettelser. Der er de dyktige. Jernbanereformen, oppsplitting av ansvar, konkurranseutsetting og det ryktebefengte engelske selskapet Go-Ahead på norske skinner kan være stikkord for dette. Og aldri nevnes arbeidsfolks kår i disse omleggingene – aldri. Det er det vi som må bringe på banen hver eneste gang. Samtidig som motorveiene bygges, strupes gods på bane. Den enorme veksten i godstransport skjer på gummidekk, ikke på skinner. Det tas altså ingen store, raske grep som skal sikre transportørene på jernbanen lønnsomhet. De stemmer imot SVs forslag om dette hver eneste gang. Men vi skal hamre videre.

til stadighet gjentar det. For det var med Høyre i regjering at pasientene som satt nederst ved det helsepolitiske bordet, ble løftet fram – pasienter som har utfordringer innen psykisk helse og rus. Det er i denne regjeringen at brukermedvirkning er satt i system – din stemme skal høres i saker som berører deg. Med Kristelig Folkeparti i regjering er det satt et skikkelig fotavtrykk i barne- og familiepolitikken. Det er jeg utrolig glad for. De unge skal høres. Regjeringen vil derfor sette ned et ungdomspanel som skal gi råd til regjeringen i aktuelle saker som berører dem, innen psykisk helse, integrering eller frafall i skolen. Det er nødvendig å ta de unge stemmene på alvor. Helsetilsynets rapport fra januar i år gjennomgikk 106 barnevernssaker hvor det var omsorgsoverdragelse, og de avdekket at barn og unge ofte kom i skyggen av foreldrenes problemer. I denne regjeringen vil vi derfor legge barnets beste til grunn. Vi vil styrke barnets medvirkning når det gjelder når det offentlige må overta omsorgen. Vi vil styrke barnevernstjenesten og videreføre barnevernsreformen. Vi vil innføre kompetansekrav og autorisasjon i kommunale barnevernstjenester. Kommunene skal få økt faglig og økonomisk ansvar. Kommunene skal kunne velge barnevernstiltak og hvem som skal drifte det – statlig eller privat – og vi må ikke minst sikre at søsken som trenger barnevern, får vokse opp sammen. Det er vi opptatt av. Vi skal gi en tettere oppfølging i skolen til dem som er i barnevernet. Antallet ansatte i barnevernet har økt, og det er ikke riktig det som representanten fra SV hevdet her i salen. Ved utgangen av 2017 var det over 6 000 årsverk i barnevernet. Det har altså vært en økning på 1 150 ansatte siden 2013. Vi vil føre en politikk som løfter barn og unge ut av fattigdom, og dermed også Vi vil ha en integreringsdugnad. Vi vil skape flere arbeidsplasser. Vi vil ikke minst styrke det sosiale sikkerhetsnettet for barn og styrke rettighetene. Og vi vil at barn skal kunne delta på fritidsaktiviteter. Derfor kommer nå aktivitetskortet for barn fra 6 til fylte 18 år. Det vil hjelpe.

uttrykk for en politisk vilje til økt satsing på Forsvaret i årene fremover, og at mitt fagmilitære råd også denne gang skal veie tungt i utarbeidelse av planen. Det er jeg glad for.» Så fortsetter forsvarssjefen: «Langtidsplanen som ble vedtatt i 2016 utvikler Forsvaret i riktig retning. Vi står altså ikke overfor noen omfattende omlegging av Forsvaret. Mye godt arbeid har blitt gjort de siste årene med å få det vi har til å virke, effektivisere støttestrukturen, og å legge grunnlaget for nye investeringer.» investeringer.» Det er det som er litt av poenget for denne debatten. Forsvarspolitikken er altså et langsiktig arbeid. Å ha en langtidsplan betyr at man planlegger på lang sikt. Vi gjør et veldig godt arbeid, og vi får den økningen og de resultatene vi vil ha, i et stort og komplekst system med endrede sikkerhetsforhold rundt oss, noe også forsvarssjefen var tydelig på. Det er et større alvor over sikkerhetsomgivelsene våre. Da er det merkelig at man skal snakke ned alt det bra arbeidet som blir gjort i Forsvaret, og alle de gode endringene vi har gjort. Vi har siden 2013 økt budsjettene med over 30 pst. Landmaktproposisjonen tar opp i seg utfordringene som kommer nå hvis vi skal ha en større landmakt i tida framover. De rød-grønne hadde et prosjekt på bordet der de skulle bygge om 40 år gamle stridsvogner. Vi har sagt: Det holder ikke for framtida, vi skal kjøpe nye stridsvogner. Vi endrer rekruttskolen ved å flytte den ut av bataljonene. Med en dedikert rekruttskole får vi større operativitet i bataljonene, bedre mannskap, større profesjonalitet. Vi endrer verneplikten på de områdene vi mener det er behov. Vi skal ha 16 måneders verneplikt, vi skal ha dyktige folk lenger i stillingene – for å være flinkere og ha større operativitet der vi er. Vi bygger en ny mobiliseringsordning – reservistene skal ha et meningsfylt oppdrag å gå til – rett og slett for at vi skal kunne ha økt klartid. Vi skal være klare kjappere hvis vi trenger det. Vi endrer utdanningen og personellordningen slik at vi kan ha spesialister i styrkene. Det Vi endrer utdanningen og personellordningen slik at vi kan ha spesialister i styrkene. Det gjør det til en mer meningsfull karriere. Vi får dyktigere hoder i Forsvaret, og vi konkurrerer bedre om de dyktigste hodene i Forsvaret. Vi bygger altså forsvarsmakten for framtida med den langtidsplanen vi er inne i nå, og med den langtidsplanen vi går i gang med i år, i godt samarbeid med forsvarssjefen.

fra 2013 og fram til i dag. Ikke nok med at man ikke når egne målsettinger – knusende kritikk fra bl.a. politiet av nærpolitireformen ser ikke ut til å bety noe som helst. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, som det så fint heter, føres videre på alle områder uten noen form for koordinering. Tjenestene blir dårligere og mer sentralisert, og det oppstår frustrasjon hos dem dette berører. Vi opplever nå en feilslått kommunereform, regionreform, jernbanereform, politireform og reform av universitets- og høyskolesektoren. Dette er reformer som av regjeringen blir beskrevet som en sammenhengende solskinnshistorie. Slik er det ikke ute i den virkelige verden. Det er en sammenhengende sentraliseringshistorie, der beslutninger blir tatt i lukkede styrerom og ute i direktoratene. Nå er det en veireform som igangsettes over den samme lesten. I regjeringsplattformen skriver regjeringen at den skal fortsette arbeidet med å modernisere Statens vegvesen, med mål om større handlingsrom og mer effektiv tjenesteproduksjon. Kjenner vi igjen ordlyden og målsettingene fra de andre reformene? Modernisering og effektivisering er to ord dagens regjering liker å smykke seg med, men hva betyr det i praksis? I utredningen som Statens vegvesen leverte 15. januar, regionale veikontor og erstatte dem med en divisjonsstruktur. Dette er en modell der makt og myndighet sentraliseres bort fra dagens regionveikontor – og i klartekst bort fra de områdene der jobbene skal gjøres. Kunnskap om geografi, vær- og føreforhold – sagt med ett ord: lokalkunnskap – er svært viktig i et mangfoldig og langstrakt land som Norge. Da er vi avhengige av å ha lokal tilstedeværelse fra dem som skal bygge og vedlikeholde veiene våre. Parallelt med dette foregår det en evaluering av trafikant- og kjøretøyområdet til Statens vegvesen. Også her legges det opp til en sentralisering av tjenester. Trafikkontor er foreslått nedlagt, tjenestene flyttes lenger bort fra folk. Tid og penger blir belastet dem som er avhengige av tjenestene. Senterpartiet mener disse prosessene bærer preg av manglende Dette fører til kaos og frustrasjon. Det mest alvorlige er at hundrevis av ansatte ikke vet om de har jobb, eller hvor de skal jobbe, i nær framtid. I Oppland og Hedmark ser vi nå en kamp mellom byer som kan føre til at viktige offentlige arbeidsplasser langt utover det som overføres til den nye fylkeskommunen, kan forsvinne. Nærhet til tilbudene folk er avhengige av, er svært viktig, og det har aldri vært en suksess å organisere seg bort fra realitetene. realitetene. I denne debatten har vi hørt at kommunalministeren skryter av at lokalpolitikerne har vært gode til å husholdere, at man endelig har fått stadfestet fra regjeringshold at også de ser de ekstraordinære inntektene som en av grunnene til den visstnok svært gode kommuneøkonomien, og at man har hatt rause

sentrum i kommunene. Der skal det være trygt å være – men ikke noe om at det skal være trygt i resten av landet. Det må jo ha sammenheng med at man ønsker å slå sammen flere kommuner. Da blir det interessant at Stortinget har gjort et vedtak som sier at i denne perioden skal eventuelle kommunesammenslåinger utelukkende bygges på frivillighet. Man skal heller ikke bruke inntektssystemet for å framtvinge sammenslåinger.

når terrenget ikke passer med det kartet man har tegnet, prøver altså denne regjeringen seg på bortforklaringer etter bortforklaringer om at det skal være tidenes kommuneøkonomi, og at man har levert bedre tjenester enn før. Men hvis det er sånn at kommunene stadig bedre tjenester, har det en sammenheng med at lokalpolitikerne har hatt det rommet for å gjøre egne lokale justeringer og prioriteringer, og vi ser altså en regjering som er stadig mer opptatt av å drive detaljert styring. Det kommer ikke til å fremme lokaldemokratiet og heller ikke muligheten til å utvikle gode lokalsamfunn i hele landet. gode lokalsamfunn i hele landet. I ein polarisert debatt er det til å forstå at ein stundom må gå til ytterlegheiter for å få fram skilnader i politikken. Men når ytterlegheitene vert sette fram som normalen, synest eg ein faktisk må stoppa opp og gjera seg nokre refleksjonar. Gjennom dette siste halve året, der polariseringa har vore stor mellom fløyar i politikken, har det hendt at eg har måtta lese oppslag opptil for verkeleg å konstatera at jo, det er mitt Noreg det her er snakk om – eit Noreg der dommedagsprofetiar sit laust, og der svarte skyer vert måla over horisonten. Då er det god hjelp i å koma seg ut og møta folk og bedrifter. Då er det god hjelp i å snakka med næringsliv og enkeltpersonar, organisasjonar og mannen i gata, som kan fortelja at det no er arbeid å finna der det tidlegare var som kan fortelja at skulekvardagen har vorte lettare, og at respekten for folk med fagbrev har auka, som kan fortelja at innan reiselivet set ein stadig nye rekordar, og at den maritime leverandørindustrien har fått eit oppsving etter at nye elektriske ferjer og hybride farty er komne i produksjon, fordi me har ei historisk satsing på transportsektoren inn mot det grøne skiftet. Og snakkar me med sjømatnæringa, har dei auka sin eksport med 50 pst. dei siste fire åra, og skogbruket hadde i 2017 det beste året sidan 1989, noko som kjem av investeringar i vegar og kaier for skogbruket, investeringar som i seg sjølve gjev ringverknader til andre område. Den norske bonden opplever òg sterkare produksjonsvekst enn på lenge, og færre gardsbruk vert lagde ned enn då Senterpartiet sat i regjering. Folk ser at det vert bygd meir veg og bane som knyter saman landet vårt, og me har våga å ta tak i ein del strukturelle endringar som nødvendigvis har vore og vil vera krevjande å gjennomføra, men resultatet av strukturendringane vil etter kvart visa at dei var heilt nødvendige for å bringa samfunnet framover. Me gjennomfører ikkje reformer for å endra landet, men fordi samfunnet er endra. Politiet møter andre former for kriminalitet, og det krev andre arbeidsmåtar. Helsetenestene krev meir spesialisering, og det krev eit anna samarbeid med kommunane, som igjen får andre oppgåver som dei må handtera. Innbyggjarane opplever at makta vert flytta nedover i systemet, og at me gjennom digitalisering får enklare tilgang til informasjon og kan forenkla arbeidsoppgåvene. Dette er den røynda me møter når me går ut og snakkar med folk. Og plattforma me er inviterte til å drøfta, legg opp til ein politikk som i endå større grad evnar å ta heile landet i bruk, som legg vekt på den breie distriktspolitikken, som legg vekt på levande lokalsamfunn og trygge arbeidsplassar, samstundes som det vert lagt til rette for at det grøne skiftet vert ein viktig motor for eit meir differensiert næringsliv.

i. Eg er glad for at eg provoserte forsvarsministeren så pass at han teikna seg til 3 minutt. Dessverre gir ikkje det høve til replikkveksling, og igjen står det fast at prioriteringa til regjeringa ikkje er på topp når det gjeld forsvar. Forsvarsministeren ramsa opp hovudpunkta i langtidsplanen – auka budsjett, større landmakt, nye stridsvogner osv. Men når forsvarsministeren først tok bryet med å teikne seg til 3 minutt, kunne han kanskje òg teke seg bryet med å

Me er f.eks. positive til at ein prioriterer Heimevernet noko høgare når det gjeld både utstyr og trening. Det er bra. Men me er kritiske der òg mange i Forsvaret sjølv er kritiske. Ny langtidsplan kan ikkje innebere eit minimumsforsvar. I vårt alternative budsjett la me inn 1,3 mrd. kr meir enn regjeringa gjorde til Forsvaret, for no må det takast grep. Ein kan ikkje berre drive kontinuerleg å omorganisere og flytte folk. I Brigaden i Hæren er ein bekymra for at han òg vert splitta opp. Ein flyttar ting til Finnmark. Det er usikkerheit. Folk veit ikkje kva som skal skje. skje. Det er på tide at det vert ei fastare styring, og at det vert ein skikkeleg vekst for landmakta, Hæren og Heimevernet, som òg har fått store kutt i bemanninga, sjølv om det er betring i utstyr. Det er ikkje slik at me tek opp dei punkta som eg tok opp i mitt innlegg, for å provosere forsvarsministeren. Me tek det opp fordi det er viktige spørsmål å diskutere i denne salen, når me no har ein diskusjon om framtida og den politikken som skal førast for landet dei neste åra. Regjeringa er utruleg glad i omorganiseringar. Det vart nemnt av ein tidlegare talar at Statens vegvesen skal omorganiserast. I mitt fylke har me hatt regionkontor for Statens vegvesen, og det har fungert særs bra. No er regjeringa i ferd med å gjennomføre ei regionreform som fører til at ein splittar opp Statens vegvesen, som fører til at den resterande delen tydelegvis står føre ei omorganisering. Det er veldig usikkert om den desentraliserte organiseringa vil halde fram, og om Leikanger får behalde sine sårt tiltrengte statlege arbeidsplassar. Dei har gjort ein fantastisk jobb med å utvikle vegsystemet på Vestlandet i mange år.

grep. Det å etablere en bataljon i Finnmark, flytte landmakten tilbake til Finnmark nå, er et strategisk grep forsvarssjefen har valgt, rett og slett fordi de uforutsigbare omgivelsene våre har gjort det nødvendig. Det er også slik at vi gjerne skulle hatt noen soldater i Hæren som vi bare kunne hentet ut hvis vi trengte å

som gir oss nye sårbarheter som gjør omgivelsene mer utrygge. Og når det gjelder debatten rundt det med helikopter: Det er jo ikke slik at det er noe distriktspolitisk i det når vi flytter Bell ned til spesialstyrkene. Forsvarssjefen gjør sine vurderinger i fire scenarioer: fred, krise, usikkerhet og krig. I krisescenarioet er det at spesialstyrkene har en kontraterrorkapasitet, et veldig verdsatt verktøy, rett og slett fordi det I krisescenarioet er det at spesialstyrkene har en kontraterrorkapasitet, et veldig verdsatt verktøy, rett og slett fordi det kan ta en del av de mer ulne, usikre truslene som vi ser, når vi rundt oss ser eksempler på hybrid krigføring. Det er alltid problematisk med omstilling. Det er veldig vanskelig å bygge noe for noe som er litt usikkert der fremme, men historien har lært oss at det eneste feilgrepet vi kan gjøre, er å gjøre ingenting – eller å bli der vi er.

til Forsvaret, er det kanskje lurt at helikoptrene f.eks. trener med Hæren, som jo er i indre Troms. Men det var ikke det jeg tok ordet for. I Nord-Norge har vi veldig mye aktivitet til havs, på land og ikke minst i fjellene. Det er også en økende aktivitet i et område hvor været er hardt, og med økt vekst og aktivitet vil også behovet for beredskap bli

Banak. Så har vi snakket mange ganger om at vi nå flytter Bell-helikoptrene, som jo også har en betydning for beredskapen. Redningshelikoptrene skal utføre viktige beredskapsoppdrag for samfunnet. Man skal bekjempe brann til sjøs, ulykker til lands og til vanns og i fjellet, man skal bistå politiet ved trussel og terror, og man skal også drive med nødevakuering. For hva gjør man når båten står i brann utenfor Tromsø og redningshelikopteret er helt øst i Finnmark? Jeg vil takke Senterpartiet som har fremmet et viktig forslag om redningshelikopter på Bardufoss. Arbeiderpartiet støtter intensjonen i forslaget. Om lokaliseringen skal være Bardufoss eller Tromsø, kan nok drøftes, men denne saken er så viktig at vi er nødt til å støtte det, og jeg regner med at spesielt Høyre, som har gått høyt ut på banen, også støtter forslaget.

og at vi gjorde regjeringen grønnere og rausere. Nå er regjeringen utvidet med Kristelig Folkepartis deltakelse, og det er ingen tvil om at en god plattform har blitt enda bedre. Venstre har fått betydelig gjennomslag for sine hovedsaker. Vi fortsetter satsingen på skole, styrker satsingen mot barnefattigdom, øker ambisjonene innenfor miljø og klima og skaper nye arbeidsplasser over hele landet. Det viktigste vi kan gjøre for å sikre bærekraft, redusere ulikhet og gi alle like muligheter, er å satse på skolen. Bærebjelken i Venstres skolepolitikk har over mange år vært å satse på lærerne, og det har disse fire regjeringspartiene gjort over flere år, bl.a. gjennom å gjøre lærerutdanningen mer attraktiv, tilby flere lærere mer etter- og videreutdanning, lage nye karriereveier i skolen og sikre flere lærere, særlig for de yngste. I tillegg har en langsiktig satsing på grunnleggende ferdigheter gitt resultater. Norske tiåringer – både gutter og jenter – har bl.a. hatt en klar framgang i leseferdigheter de siste årene. Det er i dag flere elever på de høyeste ferdighetsnivåene. Andelen svake lesere er halvert, og andelen som fullfører og består videregående opplæring, har økt. Norsk skole har kanskje aldri vært bedre. Likevel er det selvfølgelig et forbedringspotensial. Vi trenger i enda større grad en skole som tilpasser seg eleven, og ikke omvendt. Vi trenger en skole der vi bruker de flinkeste folkene på de elevene som trenger det aller mest, og der alle elevene blir utfordret på sitt nivå. Derfor var det viktig for oss i den nye regjeringsplattformen å videreføre den sterke satsingen vi har hatt på lærerkompetanse, og vi er derfor glad for at erklæringen også er tydelig på at vi må få en bedre spesialundervisning, slik at ungene får raskere og bedre hjelp, og at fagkompetansen kommer dem til gode. Andre nye tiltak som vi er veldig glad for at vi har fått inn i erklæringen, er at elever med svake resultater fra ungdomsskolen får bedre tilpasset overgang til videregående opplæring gjennom et 11. skoleår og en mer fleksibel skolestart, slik at det blir enklere å utsette – eller framskynde – skolestart for barn som trenger det.

Jeg registrerer at opposisjonen ynder å kalle dette en «høyreregjering» for å usynliggjøre Venstres og Kristelig Folkepartis gjennomslag. Det er selvsagt opp til oss å vise fram våre seire, men jeg kan betrygge alle i denne salen om at Venstre – i tillegg til å være stolt av de gjennomslagene vi har fått – stiller oss fullt og helt bak hovedlinjene i den politikken og den retningen denne regjeringen tar for Norge.

Her har Kristelig Folkeparti fått noen av sine viktigste gjennomslag, særlig når det gjelder rammebetingelser for primærnæringene. Når det gjelder landbruk, har Kristelig Folkeparti sikret tydelige formuleringer som slår fast at de viktigste hovedlinjene i landbrukspolitikken blir ført videre. Regjeringen vil holde fast på ordningen med årlige separate jordbruksoppgjør og videreføre produsentsamvirkenes ansvar for markedsbalanseringen. Regjeringsplattformen fastslår også at det ikke vil bli gjennomført ytterligere liberalisering av jord- og

Og sist, men ikke minst: Regjeringen vil videreføre kanaliseringspolitikken og ha som mål å videreføre vektleggingen av ulik struktur og bruksstørrelse for å opprettholde et livskraftig landbruk over hele landet. Når det gjelder fiskeripolitikken, har Kristelig Folkeparti også oppnådd viktige gjennomslag. Hovedprinsippene i deltakerloven, fiskesalgslagsloven og havressursloven skal ligge fast. Det betyr at eiendomsrett til fiskefartøy med tilhørende kvoter fortsatt skal ligge hos yrkesaktive norske fiskere, og fiskerne skal fremdeles ha siste ord når prisen på fangst blir fastsatt. Det skal ikke åpnes for strukturering i lukket gruppe under 11 meter. Strukturkvoter med tidsbegrensning skal tilbakeføres til fartøygruppene når tidsbegrensningen utgår, og det skal ikke foretas omfordeling av ressurser mellom fartøygruppene. Så registrerer vi i Kristelig Folkeparti at opposisjonspartiene var lynraskt ute med å fastslå at Kristelig Folkeparti har gitt bort brød for smuler, og at frykten for at Kristelig Folkeparti ikke prioriterte fiskeri og jordbruk og distrikter i jordbruksforhandlingene, dessverre har slått til, ifølge lederen i næringskomiteen, Geir Pollestad. Slike uttalelser blir stående i et underlig lys når både Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget, Skogeierforbundet, Norskog, Fiskarlaget, Kystfiskarlaget, Fiskebåt og Råfisklaget uttrykker stor tilfredshet med at Kristelig Folkeparti nettopp har fått

distriktspolitikk. Den nye landbruksministeren, Bollestad, fikk i dag spørsmål om det var noe hun ville endre i landbrukspolitikken. Svaret var ikke helt klart, men det ser ut til at Bollestad blir ministeren som forbyr oppdyrking av myr, på et sviktende faglig grunnlag. Minister Bollestad blir dermed den som på sin vakt fratar mange bønder anledning til å produsere mer mat på kortreist gras og annet grovfôr. Grunnen til dette myrdyrkningsforbudet er at Høyre og Fremskrittspartiet er villig til å ofre enkeltbønders framtid regjering. Det er underlig å lese Prop. 39 L for 2018–2019, som regjeringa har lagt fram, med vikarierende argumenter for å forby nydyrking av myr. Her påstås det at myrdyrking har lite å si for landbruket og matproduksjonen, og at bare et fåtall kommuner og gårdsbruk blir berørt. Skulle dette tas alvorlig, burde konklusjonen selvfølgelig være at dette forbudet er helt unødvendig. Virkeligheten er at et forbud vil bety kroken på døra for mange enkeltbruk. Det vil ramme jordbruket hardt i noen områder av landet som fra før ikke har de beste forutsetningene. Alle svakhetene ved den NIBIO-rapporten som er det faglige grunnlaget, med som vikarierende motiv, tyder på at denne proposisjonen kan brukes til bare én ting, nemlig å underbygge Høyre og Fremskrittspartiets vilje til økt arealvern for å tekkes sin lille partner. Rapporten legger oppsiktsvekkende forutsetninger til grunn for sine konklusjoner. Dyrkningsmetoder som legges til grunn, var avleggs allerede på 1970-tallet. Moderne nydyrking av myr utføres i hovedsak med å grave opp underliggende mineraljord, omgraving av myr. Det gjøres for å hindre de problemene det skaper for jordbruksdriften at den organiske myra Myr utgjør ifølge Fylkesmannen i Nordland 45,5 pst. av de dyrkbare ressursene i fylket. I gode landbruksregioner som Lofoten, Vesterålen og Ytre Helgeland er myr eneste tilgjengelige reserve for nydyrking, så det blir mange gårder som ikke får utvidet arealgrunnlaget. Det blir mer «dekk og diesel». Dette varslede forbudet må selvfølgelig oppheves så snart denne regjeringa takker av. Inntil så skjer, må minister Bollestad stille seg i spissen for å sørge for en raus årlig kompensasjon til alle gårdbrukere som får urettmessig

På tross av tøffe tider har Solberg-regjeringen styrt godt og gjort de rette prioriteringene når det har vært nødvendig, og resultatene er tydelige. Det skapes nye jobber i privat næringsliv, og ledigheten går ned. Sysselsettingsandelen øker, og færre står utenfor arbeidslivet. Skoleresultatene blir bedre, flere får læreplasser, og færre faller ut av videregående skoler. Det satses stort på forskning og utdanning, og ved å sette gründerskap i fokus har man løftet dette feltet betraktelig. Alt dette og mye mer er avgjørende for velferdssamfunnets forutsigbarhet og bærekraft. Landet vårt har et godt utgangspunkt. Vi har produkter og teknologier i verdensklasse og gode eksportmuligheter gjennom EØS-avtalen. At Senterpartiet og miljøer i LO vil si opp EØS-avtalen, er helt uforståelig, noe vi også får tydelige tilbakemeldinger om fra næringslivet. Å si opp avtalen vil få dramatiske konsekvenser for tusenvis av arbeidsplasser i hele landet. Et eksempel fra mitt eget fylke er bildelfabrikken Chassix i Farsund, som eksporterer alt de produserer, til Europa. For denne bedriften ville det bety kroken på døra hvis noe slikt skulle skje. Heldigvis har vi nå en regjering som forstår viktigheten av denne avtalen. Gjennom flere år i næringskomiteen – og en rekke bedriftsbesøk – er tilbakemeldingene fra næringslivet i hele landet veldig Gi oss bedre infrastruktur, et konkurransedyktig skatte- og avgiftsnivå, påfyll av kompetanse og økt satsing på forskning og utdanning, så skal vi investere og skape arbeidsplasser. Alle disse områdene har Solberg-regjeringen fokusert på så lenge den har eksistert. Det har gitt gode resultater. Regjeringspartiene har økt samferdselsbudsjettene med 75 pst. og lansert en ambisiøs NTP. De har opprettet Nye Veier, og at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet kanskje vil legge det ned igjen, er helt uforståelig. Denne regjeringen har senket selskapsskatten, formuesskatten på arbeidende kapital og faser ut maskinskatten, noe næringslivet også setter stor pris på, og som opposisjonen ikke snakker særlig høyt om i møte med næringslivet. Jeg er stolt over alt denne regjeringen har fått til, og jeg er optimistisk på vegne av den nye den nye plattformen. Den vil trygge velferdssamfunnet vårt i dag og inn i framtida. Helt til slutt vil jeg sende en stor takk til alle dem som skaper jobber i privat næringsliv. Velferdssamfunnet vårt er helt avhengig av dere.

Kristelig Folkepartis historie sitter nå Kristelig Folkepartis representanter her i Stortinget og Kristelig Folkepartis representanter i regjeringen stille og aksepterer en liberalistisk argumentasjon for den politikken som skal føres. Det har aldri skjedd før i det partiets historie. Det er selvfølgelig den prisen Kristelig Folkeparti må betale for Høyre- og Fremskrittsparti-dominert regjering. Vi hørte tidligere i kveld kommunalministerens argumentasjon, som var overraskende tydelig. Hun sidestilte produksjonen av omsorg og helse med entreprenørskap og industriproduksjon. Det er etter mitt på hva Kristelig Folkeparti nå må akseptere som premisser. Mitt syn på Kristelig Folkeparti har alltid vært at de har vært et velferdsparti. Det har vært et parti som har vært villig til å skape velferd på fellesskapets grunn. Den viktigste forskjellen og den historiske dimensjonen vi i dag opplever, er at det nå blir forlatt. protester. Det er derfor jeg mener jeg har grunnlag for å si dette. I forlengelsen av dette kommer privatiseringslinjens virkninger, som er blitt belyst av veldig mange. Men det er én side ved dette jeg vil beklage. Det er at de ideelle organisasjonene, som har betydd mye for helse- og omsorgsproduksjon i Norge gjennom veldig mange år, nå må gi tapt. Det er ikke bare noe jeg sier. De sier det selv. De blir utkonkurrert av de store selskapene. De må trekke seg vekk fra den virksomheten som de har hatt. Den delen av det ideelle Norge, som har betydd så mye for så mange, vil gradvis bli faset ut på grunn av den liberalistiske utviklingen. Det må være tungt for Kristelig Folkeparti. Og ettersom ingenting blir forsvart og ingenting blir sagt som alternativ til de premissene som høyrepartiene legger for denne delen av den norske samfunnsutviklingen, mener jeg at jeg har grunnlag for å si dette.

Senest i går kom det en ny rapport fra Fafo som viser at planen har ført til at kommunene utvikler tjenestene sine i tråd med målene. Vi har bl.a. hatt en vekst på nærmere 2 000 årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. Det merkes ute i kommunene. Det måtte en ikke-sosialistisk regjering til for å legge fram tidenes mest progressive rusreform. For rusreformen handler også mye om at vi har endret synet på narkomane. Det å møte noen med moralske betraktninger er å møte dem med fordømmelse. Det er sjelden et godt utgangspunkt for å hjelpe personen til å få et bedre liv. Regjeringen skal gjennomføre en rusreform som sikrer at rusavhengige blir møtt med den verdigheten de fortjener. Vi flytter ansvaret fra justissektoren til helsesektoren. Regjeringen skal styrke behandlingen og ettervernet innen rusomsorg og psykisk helse, utarbeide en strategi mot overdosedødsfall og innføre pakkeforløp for rusbehandling innen 2020, der ruspasienter umiddelbart går fra avrusning til behandling. Det er liten tvil om at den politikken Norge og flere land med oss har ført tidligere på rusområdet, har vært feil. Jeg er derfor veldig glad for at regjeringen nå går videre med dette utrolig viktige arbeidet for en mer verdig og human ruspolitikk. Landet har fått en ny regjering tuftet på de fire borgerlige partienes felles verdier. Målet for regjeringen er at folk skal få leve frie og selvstendige liv. Vi tror at gode samfunn bygges nedenfra, og at mennesker som blir vist tillit, tar ansvar. Norge er et samfunn med små forskjeller, tillit mellom folk og høy grad av trygghet. Det er vår oppgave å ta vare på denne sosiale kapitalen. Regjeringen vil styrke de viktige fellesskapene og bygge samfunnet nedenfra gjennom å spre makt og gi enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn muligheten til å styre sin egen hverdag, og til å forme sin egen framtid. Vi må heie fram de som skaper arbeidsplassene, og samtidig inkludere flere. Det er en sammenheng mellom lønnsomme bedrifter og trygge arbeidsplasser. Svekkes bedriftene, svekkes arbeidsplassene og på sikt også velferden. Inkluderingsdugnaden ble startet i 2018, og den fortsetter nå med full kraft. Stadig flere aktører åpner dørene og senker tersklene inn i arbeidslivet. Alle bør få en plass. Nylig fikk uføretrygdede Emily jobb på Scandic i Stavanger, gjennom prosjektet HELT MED i regi av Stiftelsen SOR. Jeg var så heldig å få være med da hun signerte kontrakten, og gleden ved å signere en arbeidsavtale er vel gjenkjennelig for de fleste

Hun kaller det å normalisere galskap. Linda var innlagt på psykiatrisk i ni år, og hun var dømt nedenom og hjem av helsevesenet. I dag har hun sagt fra seg uføretrygden og driver nå firmaet Fra offer til kriger, og hun har fått med seg flere krigere på laget. Felles for alle er at de har brukerkompetanse, men den må være omsatt til erfaringskompetanse. I samarbeid med Nav Rogaland skal hun, gjennom prosjektet Motor med mening, hjelpe 20 ungdommer med psykiske utfordringer tilbake i jobb eller aktivitet. De skal rett og slett «mekke på motorsykler», som vi sier på Jæren. Regjeringen heier fram sosiale entreprenører som Linda, for de er en viktig del av inkluderingsdugnaden. For alle skal få en plass. Regjeringen jobber nå videre med å løse de store Det må skapes mer, slik at det blir mer å dele. Kjernen i den norske modellen er høy sysselsetting, velferd for alle og et velorganisert arbeidsliv. Det skal denne regjeringen fortsette å ivareta. For alle skal ha en plass i samfunnet vårt, og alle skal være trygge på at samfunnet også stiller opp. Kampen mot negativ sosial kontroll har mange likhetstrekk med kamper arbeiderbevegelsen og

Det er Jibril, som drømmer om å bli skuespiller, men som blir tvunget til å bli ingeniør. Og det er Leyla, som aldri kan fortelle om sin kjæreste, Rita, i frykt for å miste familien. Negativ sosial kontroll skaper vanskelige familieforhold, skaper usikre ungdommer, skaper dårligere samfunn. Skal vi klare å skape et samfunn hvor alle er frie, må vi se på årsakene til at noen er Ofte er det foreldrene og familiene som utøver den negative sosiale kontrollen, som stenger jentene inne på jenterommet, stenger dem ute fra verden. I Fafos rapport om sosial kontroll kommer det fram at den negative sosiale kontrollen avtar jo lenger foreldrene bor i og jo mer de blir en del av Norge. I familier der det for storesøster var helt forbudt å snakke om en kjæreste, har lillesøster nå besøk av kjæresten Ole. Vi må gi folk mulighet til å utvikle seg og bli en del av det norske fellesskapet, gi foreldrene de verktøyene de trenger, og si klart fra om hva vi som samfunn forventer når det gjelder å oppdra barna uten negativ sosial kontroll. Det viktigste vi kan gjøre for å motvirke negativ sosial kontroll, er å styrke integreringen i Norge. For oss i Arbeiderpartiet går veien til det norske fellesskapet gjennom det å komme seg i jobb. Vi må ta i bruk de verktøyene vi vet får mennesker ut i jobb. Vi må styrke bruken av lønnstilskudd. Vi må i større grad benytte utdanning som arbeidsmarkedstiltak. Ja, vi må sikre og styrke kompetansen både på vei til jobb og i jobb. Drømmen om frie liv i Norge kan ikke stoppes av at du og familien din ikke får de mulighetene dere trenger. Når familien ikke godtar den du er, skal samfunnet stå der som et fellesskap og ta imot deg. Drømmen om det frie liv i Norge skal vi som samfunn legge til rette for. Alle som kommer til Norge, skal få bli en del av det store fellesskapet vårt. Da blir spørsmålet: Kommer denne regjeringen til å levere, eller vil den gjøre som den forrige – være bakoverlent og lite offensiv for å hjelpe dem som utsettes for negativ sosial

og dette er følgt godt opp i Granavolden-plattforma, som står fram som ein rein privatiseringsplan for velferdssektoren. Ei fritt brukarval-ordning skal greiast ut for kommunane etter modell frå Sverige. Fritt behandlingsval på sjukehus skal utvidast. Begge delar betyr ei sterk privatisering og svekking av vårt offentlege helsevesen. For den nye regjeringa er det tydelegvis ingen forskjell på det å produsera velferdstenester og det å produsera andre varer og tenester. tenester. Denne konkurransepolitikken er dessverre òg ei god oppskrift på korleis skvisa ut dei ideelle tilbydarane. Ein reduserer norske kommunar til marknadsaktørar som skal konkurrera med private om å tilby helse- og omsorgstenester til innbyggjarane, betalt av staten. Men er velferdstenester verkeleg butikk? Vil vi ha eit helsevesen som behandlar Norsk offentleg helseteneste treng ikkje meir konkurransepolitikk og meir privatisering. Ho treng ei leiing og ei tillitsreform der ein satsar på folka i førstelinjetenesta. Dette er Senterpartiet sitt alternativ for fornying og styrking av offentleg sektor. Norske pasientar spør ikkje etter å få velja mellom fleire private tilbydarar; dei spør etter gode offentlege tenester i nærleiken av der dei bur. dei bur. Dei vil ha nærleik til akuttilbod, til ambulanse og lokalsjukehus, og dei krev kvalitet i dette tilbodet. Det er det fullt mogleg å få til, men da må regjeringa flytta fokuset frå konkurranse og privatisering til å satsa på det offentlege helsevesenet. Norsk helsevesen er bygd på tillit. Sjukehusstreiken i 2016 var ein vekkjar. Han avdekte ei tillitskrise i norsk helsevesen. helsevesen. Derfor burde det bekymra regjeringa at norske sjukehus i dag er organiserte og leia på ein måte som ikkje tar fagfolk på alvor. Men helseføretaksmodellen vert likevel verna i regjeringsplattforma, sjølv om tre av fire regjeringsparti er imot han. Kristeleg Folkeparti, Venstre og Framstegspartiet burde ha sørgt for at regjeringa la fram ei plattform der sjukehus vart lagde inn under der det vert innført reell stadleg leiing ved alle sjukehus, slik at alle tilsette kunne vita kven som var deira nærmaste sjef. Det er slik at det offentlege helsevesenet toler konkurranse, men det dei ikkje toler, er ei regjering som meiner at helseteneste er butikk, og som har som øvste målsetjing å gjera offentleg sektor om til ein marknad. Ein slik konkurransepolitikk går ut over dei som helsevesenet er til for, nemleg pasientane.

deres utsikter til å lære seg norsk, kvalifisere seg til norsk arbeidsliv og finne en jobb, for barna å få god skolegang, venner og delta i fritidsaktiviteter – kort sagt for nye borgere å finne veien inn i det norske samfunnet som deltagere og bygge forståelse og lojalitetsbånd til de verdiene vi bygger vårt samfunn på. Noen ganger er jeg litt forundret over dette perspektivet kommer når vi diskuterer fattigdomsproblematikk og arbeidsliv. Når jeg har hørt på Arbeiderpartiet her i dag, f.eks. Jonas Gahr Støres hovedinnlegg, der integrering ikke ble nevnt, eller hans spørsmål til statsministeren omkring lavtlønte og arbeidslivsforhold, slo det meg at det kanskje er beleilig for Arbeiderpartiet å se forbi innvandringsperspektivet og integreringspolitikken når arbeidsliv Manglende resultater innenfor integrering er nemlig en stor del av forklaringen i mange sosialpolitiske spørsmål og spørsmål knyttet til lavtlønte og arbeidslivsforhold. Skal vi finne frem til gode politiske løsninger på flere av disse områdene, må vi derfor trekke integreringsperspektivet inn. Hvis ikke diskuterer vi bare halve bildet. Og vi er nødt til å gjøre noe, for statistikken taler sitt tydelige språk. For få kommer i arbeid – og for sent, og andelen innvandrere på sosialbudsjettene er for høy. Gjennom regjeringsplattformen og integreringsstrategien initierer derfor regjeringen et kraftig løft for å stake ut en annen kurs. Hovedgrepet er å gjøre veien fra flyktning til arbeidstaker kortere. Gjennom arbeid gir vi våre nye borgere selvrespekt og evne til å ta vare på seg selv og sine familier. Her ligger nøkkelen – en første viktig forutsetning for å lykkes i det videre integreringsarbeidet. Skal vi få til dette, må vi styrke norskopplæringen og bidra til at innvandrere blir kvalifisert til det norske arbeidsmarkedet. Også i integreringspolitikken bygger Høyre sin politikk på å se det enkelte menneske. Vi ønsker en integreringspolitikk som gir for bedre å bygge på den enkelte innvandrers personlige forutsetninger og bakgrunn i de oppleggene som legges gjennom introduksjonsprogrammet eller i annen sammenheng. Integreringsstrategien beskriver et femtitalls konkrete forslag flertallsregjeringen nå kan sette ut i livet. Det blir bra for mennesker som skal slå ny rot i tilværelsen i vårt land, og det blir bra for Norge, som får flere bidragsytere til et tryggere samfunn med større kraft til å bygge morgendagens velferd.

Så kunne vi kanskje lent oss tilbake og tenkt litt på gamle dager, om nærbutikken på hjørnet, som kanskje ikke hadde det største utvalget, men den var nå der, og den skapte en slags lun og fin stemning i lokalmiljøet – fra ni til fem – eller på Posten, for folk sendte jo både kort og brev til hverandre, og de som ikke sendte brev til hverandre, fikk gjerne et fra en offentlig etat, eller kanskje et fra Televerket som svar på søknaden om hvor mange uker eller måneder de kunne forvente at det ville gå før de fikk installert fasttelefon. Men folk var stort sett fornøyd. Folk krevde nok litt mindre før. Og folk tok kanskje også litt større ansvar for seg selv og sin familie før. Men så går verden framover. Folk krever nok litt mer i dag. Nye løsninger har utviklet seg, og framtiden vil gi både flere muligheter og kanskje større utfordringer. Alternativet til utvikling er stillstand. Hvis land rundt oss utvikler seg, hvis næringslivet andre steder utvikler nye løsninger og nye produkter mens vi står stille, vil vi raskt oppleve tilbakegang. Akkurat på samme måte er det med politiske målsettinger. Hvis vi ikke følger med og sørger for å utvikle en politikk for framtiden, sørger for en politikk som gjør at folk vil investere tid og ressurser og etablere nye, innovative arbeidsplasser, med en skattepolitikk som er harmonisert med land rundt oss, ja, da vil ikke våre barn om 20–30 år oppleve den samme tryggheten – eller gleden – ved skole, arbeid eller alderdom som vi gjør i dag. Derfor er denne regjeringserklæringen så viktig, Derfor er denne regjeringserklæringen så viktig, fordi vi vet at stillstand fører til tilbakegang, og tilbakegang er noe dagens regjering ikke ønsker. Vi hørte i dag Arbeiderpartiets leder i sitt innlegg prøve å si at regjeringen vil skape forskjeller mellom folk med flere private tilbydere innen helse- og velferdstjenester. Men det er jo med Arbeiderpartiets politikk vi opplever forskjeller. Fremskrittspartiet ønsker et mangfold der staten betaler, hvor og av hvem de skal ha tilbud, uavhengig av om det er en privat tilbyder eller en offentlig tilbyder. Men med Arbeiderpartiets politikk er det det offentlige som skal bestemme hvem man skal få tilbud av. Hvis man ikke er fornøyd og vil velge noe annet, må man altså betale selv. Det er altså Arbeiderpartiet som bedriver forskjellsbehandling, ikke vi. Vi vil at flere tilbyr sine tjenester, og at staten betaler og lar innbyggerne velge. Det kaller vi i Fremskrittspartiet god

er å ta vare på Noreg som verdas beste land å bu i. Plattforma svarer på desse utfordringane. Vi må forandre for å bevare. I ei tid med omstilling må vi òg ta vare på limet i samfunnet vårt, det at vi har små forskjellar, at vi er framtidsoptimistar, og at vi er eit samfunn med moglegheiter for alle. Det er vi

til å definere kven som er kald, kven som er varm, kven som skal få lov til å vere inne, og kven som må vere ute? Venstresida lar retorikken øydeleggje for å løyse problematikken. Ein solid offentleg sektor krev stor verdiskaping i privat sektor. Helsenæringa er i seg sjølv sektorovergripande. Å sikre god helse og å fremje livskvalitet for alle vil inkludere alt frå fattigdomsproblematikk og inkludering til førebygging av livsstilssjukdomar, trafikkulykker, rusmisbruk – berre for å nemne noko. Kvar tiande nordmann jobbar i dag i den definerte helsesektoren, dei fleste i Her skil helse seg kraftig ut frå mange andre næringar ved at det offentlege òg utgjer størstedelen av marknaden. Helse og velferd er ein aukande offentleg utgiftspost, men her ligg også marknadsmoglegheiter for norske bedrifter, om dei får lov til å bidra. Når «dei private» blir brukt som eit skjellsord i debatten om velferd,

Dette er reine ostehøvelkutt, som vil verta gjennomførte i offentleg sektor og i realiteten visa seg å vera reine velferdskutt. Arbeidstakarane må springa fortare og gjera meir, med færre folk, utan nokon vidare føringar for smart effektivisering. Det som er bra, er at det står at Arbeidstilsynet skal Men òg dei må silast gjennom denne ABE-reforma. Det er ikkje lett å tru på at Arbeidstilsynet faktisk kjem til å verta styrkt. Når ein ser på statsbudsjettet for i år, eksempelvis, ser ein at ein gjev med den eine handa – og tek med den andre handa. Og så skryter ein av styrking, når den litle styrkinga som faktisk kom, ikkje eingong gjer opp for

er for meg ei gåte korleis Arbeidstilsynet skal kunna utføra fleire kontrollar, få bukt med ein større del av den useriøse arbeidsmarknaden og sosial dumping med færre tilsette og strammare budsjett. Det er faktisk ikkje lett å tru noko anna enn at denne regjeringa faktisk ikkje har nokon ambisjon om å slå ned på ein større del av dei svarte

og den kraftintensive industrien kommer fra en plass langs en fylkesvei. Og vi kan legge merke til at Granavolden-plattformen er full av begrensende ord, som «vurdere» og «gjennomgå». Det er ord helt uten forpliktelser, ord som faktisk er helt uten Dersom Høyre og Fremskrittspartiet virkelig vil satse på fylkesveier, kunne vel de representantene bare være med på det fylkesveiprogrammet som vi foreslo, eller de kunne ha stemt for Senterpartiets budsjettforslag, som satser over 9 mrd. kr mer enn regjeringa på distriktspolitikk. Vi vet at det ville ført til bedre fylkesveier, fordi fylkeskommunene har fokus på veier for verdiskaping. Senterpartiet vil fortsette å peke på det regjeringa gjør, ikke på det den sier. Vi vil peke på sentraliseringen, som vil fortsette, muligens prøvd bedre skjult gjennom byråkrati, foretak og Når Posten skal tilpasses den endrede etterspørselen, ser vi hva det betyr. Utenlandske sjåfører, uvant på vinterføre, skal kjøre Bring-biler i Norge for 30 kr i timen til sjåføren. Folk i utkanten får postkassene sine flyttet langt vekk fra der de bor. Statsråden tar på seg hørselsvernet og later som om protestene handler om regninger som ikke kommer fram fort nok. nok. Statsministeren sa i går at regjeringa vil legge til rette for at alle innbyggerne skal ha tilgang til internett, men i regjeringsplattformen brukes ordet «boområder» for områder hvor det skal være dekning. Og det står ingenting om at alle skal ha tilgang til høykapasitetsnett. Statsministeren må fortelle folk hvor mange som må bo i et område før det kan defineres som gårdbrukerne innerst i dalen bredbånd med høy kapasitet? I dag synest eg det kan vere greitt å referere til Trygve Bratteli sine ord: Vi forstod tida vi levde i, og gav svar folket trudde på. Solberg-regjeringa forstår nettopp tida vi lever i, og gjev svar på dei utfordringane og moglegheitene som samfunnet vårt står overfor. Bratteli sine ord kjem til sin rett hos oss. Regjeringa har som sitt fremste mål å sikre eit berekraftig velferdssamfunn gjennom å omstille norsk økonomi, skape vekst og fleire jobbar, byggje infrastruktur i heile landet, fremje ei grøn omstilling og sikre landet vårt fleire bein å stå på. Arbeidarpartiet etterlyser entusiasme. Vel, eg kan slå fast at det er heilt fantastisk å vere del av ei borgarleg fleirtalsregjering, og til Kristeleg Folkeparti: Hjarteleg velkomne skal de vere! På fleire område står landet vårt i ei brytningstid, og det er behov for ein politikk som møter utfordringane offensivt. Skal vi òg i framtida bu i verdas beste og tryggaste land, ha verdas beste velferdsordningar og vere verdas lykkelegaste folk, må vi ta nokre strategiske grep. Eg som kjem frå distriktsfylket Sogn og Fjordane, gler meg stort over at den borgarlege politikken gjev synlege resultat, at stadig nye vegstrekningar vert utbetra og sikra, og at tunnelar, bruer og vegdekke vert oppgraderte og vedlikehaldne. Eg gler meg over eit næringsliv som har kasta seg over det grøne skiftet og utvikla ny teknologi og nye arbeidsplassar som kjem lokalsamfunn, landet og verda til gode. Eg gler meg over folk som kjøper nye elektriske bilar fordi dei ser at det gjev ein gevinst for dei sjølve og for Bønder og fiskarar uttrykkjer klart at dei vil ta del i og gjere sitt for klima og miljø, fordi dei – kanskje mest av alle – tydeleg ser konsekvensane av korleis klimaendringane og forsøplinga av havet slår ut. Eg heiar på dei. Distriktsnæringane er ingen miljøsinker, tvert imot så går dei i front. Opposisjonen fortel at politikken til regjeringa ikkje passar for distrikta.

Etter elleve budsjettenigheter og mange felles vedtak har partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti god erfaring med å finne løsninger sammen. Ved valget fikk vi fornyet tillit, og nå er det vår oppgave å forvalte den til det beste for landet. Nå skal vi altså gjøre det i regjering sammen. En av de viktigste satsingene for den ikke-sosialistiske regjeringen er klimaet. Selv om utslippene går ned, skal vi ikke gi oss der. Vi må ta vare på kloden og har bare tiden og veien for å få det til. Derfor skjerper regjeringen klimamålene, og derfor vil vi bygge en moderne grønn industri i Norge og gjøre bedriftene våre mer konkurransedyktige. Regjeringen styrker forskningen, Innovasjon Norge og Enova, og det gir konkrete resultater. Hydro på Karmøy 1,5 mrd. kr i støtte og produserer nå verdens reneste aluminium. Norcable, som lager kraftkabler av aluminium fra Karmøy, utvikler nå 15 pst. mer energieffektive kabler. Eramet i Sauda er i gang med å omgjøre overskuddsvarme fra smelteverket sitt til strøm og varme tilsvarende

klimautslippene. Regjeringen har i plattformen varslet at man vil trappe opp investeringskapitalen årlig, og bare i statsbudsjettet for neste år dobler man innsatsen. Det største opposisjonspartiet brukte forrige uke til å skape uforutsigbarhet for vår største og viktigste næring. Det er ikke veien å gå. Norsk olje og gass skal fortsatt bidra til trygge jobber og velferd og Samtidig må vi – og skal vi – stille strengere klimakrav under produksjonen, og krav om bruk av beste tilgjengelige teknologi. Sammen med industrien skal vi utvikle teknologi for karbongangst og -lagring. Det vil være avgjørende for å få ned utslippene i all norsk industri. Sammen skal vi nå klimamålene, men da må vi skape flere grønne jobber, og med denne regjeringen er vi på stø kurs dit. dit. Vårt oppdrag som folkevalgte i det norske storting er å ivareta norske interesser, det er å stå opp for norske arbeidsfolk, det er å stå opp for er å sikre vekst og verdiskaping i hele Norge. I møte med dette har vi dessverre en regjering som bidrar til det stikk motsatte. En øker skatten for vanlige arbeidsfolk, pendlerne har fått innstramminger i sine vilkår i runde etter runde. De som bor borte fra sin familie i lengre perioder, og som bor på har fått økt skatt, sjøfolkene har fått økt skatt, og nå er det også bussjåførene som skal få økt skatt. Og dette kommer på toppen av at veldig mange av disse arbeidsfolkene jobber i praktiske yrker der det allerede er sterkt press på lønns- og arbeidsvilkår gjennom fri flyt fra andre land. En har et flertall som øker avgiftene som rammer norske arbeidsplasser,

så pågår det en intens kamp om eierskapet til Oslo Børs. En 200 år lang historie om en selvstendig nasjonal børs, som har ivaretatt norsk næringsliv og norske interesser på en god og viktig måte, kan være over dersom en selger til et utenlandsk børskonsern, og det er dessverre en fullstendig passiv regjering så langt. En hører ikke et ord fra statsministeren om verdien av å ivareta Oslo Børs, en hører ikke Og den børsen – ja, vi er ikke en stormakt i verden, men vi har en børs som altså er den største i verden på sjømat, som også er blant de største på energi, på shipping, og som har tjent norsk næringsliv i hele Norge på en særdeles viktig måte. Det som regjeringen har som sitt ansvar gjennom norsk lov, er å sørge for å stoppe den type raid mot børsen som vi har opplevd

Våre partier har et felles ønske om å skape et bedre samfunn. Norge blir altså ikke et kaldere samfunn under denne regjeringen. Jeg tror ikke halvparten av det norske folk ønsker en borgerlig regjering fordi de ønsker seg et kaldere Norge. Jeg tror – tvert imot – velgerne ser at helsekøene blir kortere, og at stadig flere kommer ut i jobb. De kan også se at antallet bostedsløse går kraftig ned, at antallet helsesykepleiere i skolen går opp, og

Vi har innført brukerstyrt personlig assistanse, og det er en velferdsreform som Arbeiderpartiet ikke klarte å innføre da de satt i regjering i åtte år, men som vi brukte kun halvannet år på å få på plass. I plattformen understreker vi at denne retten til brukerstyrt personlig assistanse handler om like muligheter til å delta i samfunnet, og at retten handler om å inkludere mennesker i samfunnet vårt, og at det Barn skal også ha like muligheter til å delta i fritidsaktiviteter, og alle barn skal få et fritidskort som kan brukes til å betale kontingent til barne- og ungdomsaktiviteter. Det synes jeg er veldig bra, og det skjer under en borgerlig regjering. Jeg tror alle i denne salen har hjertet på rett sted, de har et ønske om å gjøre livet bedre for folk flest og ønsker en positiv utvikling i hele landet, men samfunnsdebatten gjenspeiler ikke dette i det hele tatt. Politikken blir erstattet med retorikk, polariserende retorikk, som er splittende. Alle politikere har et ansvar for å bidra til et godt debattklima – også her, slik at vi bidrar til at innbyggerne kan ta

I dag innkaller alle helsestasjonene og skolehelsetjenesten til faste kontroller fra barnet er 0 til 10 år. Jeg mener at samfunnet har et særlig ansvar for å følge opp de mest sårbare, og kommunene burde ha plikt til å følge opp alle familier som velger å holde barna sine unna offentlig helsesjekk. Men i dag kan familier bruke religion eller kultur som unnskyldning for ikke å møte på helsekontroller på skole eller helsestasjoner. Obligatorisk helsesjekk har vært en viktig sak for Fremskrittspartiet i lengre tid, og det er gledelig at det nå er en felles forståelse for og vilje til dette. I den rykende ferske plattformen er dette nå et faktum. Det skal bli obligatorisk å følge opp barn som uteblir fra aldersbestemte helsekontroller, uansett årsak som ligger til grunn. Barn som vokser opp i Norge, skal være trygge og bli sett, men for at dette skal kunne fanges opp, må det Derfor håper jeg at vi alle ser viktigheten av at barn som uteblir fra aldersbestemte helsekontroller, følges opp – og ikke minst at barn som står i fare for utenforskap på grunn av dårlige norskkunnskaper, blir fanget opp på et tidlig stadium, slik det ligger fast i denne plattformen.

velferdssamfunn, at vi får flertall for en politikk som bidrar til at det kan skapes flere arbeidsplasser, som gjør at flere får arbeid, og at flere inkluderes i samfunnet. For meg som politiker er det å være i kontakt med dem som skaper arbeidsplasser, og dem som rammes av politiske vedtak fattet i denne sal, viktig. Og jeg får et helt annet bilde enn det skremselsbildet som spesielt Senterparti-politikere sprer.

Nei, han fortsetter med sitt polariserte debattnivå. Videre hører vi fra Senterparti-representanter som reiser rundt i landet, at EØS-avtalen, nei den kan vi bare skrote. Forrige fredag besøkte jeg Elkem og Celsa Nordic i Rana – bedriften som til sammen sysselsetter flere hundre ansatte, og som er en viktig arbeidsplass i regionen og for landet. På møtet deltok også tillitsvalgte. Både fra ledelsen og fra de tillitsvalgte var beskjeden klar: EØS-avtalen er helt avgjørende for å sikre konkurransekraften og sikre arbeidsplassene. Til og med det å så tvil om avtalen kan true denne industrien, Men nok en gang hører vi at Senterparti-representantene synes å vite bedre og fortsetter å spre sin uenighet rundt EØS-avtalen og dermed er med på å skape usikkerhet om viktige distriktsarbeidsplasser. For ressursfylket Nordland, som i stor grad baserer sin aktivitet på eksport nettopp til EØS-landene, er jeg glad for at regjeringsplattformen slår fast at EØS-avtalen skal være bærebjelken for norske arbeidsplasser og verdiskaping. Et annet viktig område er den fantastiske samferdselssatsingen som skjer også i nord. At plattformen så tydelig viser at dette skal fortsette framover, er bra. Regjeringen ser sammenhengen mellom samferdsel og næringsutvikling, særlig i Distrikts-Norge. Dette er viktig ikke bare for næringsliv, men også for at folk skal komme seg trygt fram uansett hvor det måtte være.

innleggene fra både posisjon og opposisjon i denne sammenheng, i forbindelse med behandlingen av forrige budsjett, i trontaler og i forbindelse med i hvert fall to regjeringsplattformer, er jeg fristet til å starte med et spørsmål til presidenten: «Same procedure as every year?» Presidenten skal få lov til å la være å svare. Det ville vel ikke være i tråd med parlamentarisk etikette. «Same procedure as Det er like overraskende som at denne setningen kommer hver lillejulaften, at vi i dag står og diskuterer på den måten som vi har gjort i løpet av dagen. Fra svartmaling til glansbilder – vel, vel. La meg i hvert fall gripe tak i et par ting som er sagt her i dag, og som jeg føler det er riktig å korrigere. For det første er det sagt at vi har blitt mer avhengig av oljeindustrien. Det er ikke rett. Den som sa det, var partilederen for Senterpartiet, Slagsvold Hvert eneste år han satt i regjering sammen med de andre rød-grønne kameratene, var inntektene fra oljeindustrien totalt sett i dette landet betydelig høyere enn de er nå. Vi var mer avhengig av inntektene den gangen. Det siste året var faktisk statens andel av disse inntektene om lag 50 pst. høyere enn i dag. Det som representanten Slagsvold Vedum sier, er feil. feil. Det er også en del av logikken bak det som blir sagt om strøm og strømleveranser. La meg i hvert fall ta bare én ting: Når man snakker om at strømregningene har steget noe helt voldsomt, virker det som om man har glemt hva man gjorde i den forrige regjeringen, med tanke på investeringene i nett, som har gjort at størstedelen av min strømregning i dag er nettleie og Så når strømmen har steget 100 pst. på min regning, har strømregningen min steget med 15 pst. Det er situasjonen vi har møtt. Det er ingen katastrofal økning, men det kan være tungt nok for den enkelte, og det må vi ta hensyn til, og det må vi være forberedt på å gjøre noe med, hvis det skulle utvikle seg ytterligere negativt. Det ble sagt av Terje Aasland at man skulle satset mer på industri og de mulighetene vi har. Ja vel, mon det. Vi har sett fra både Arbeiderpartiets valgkampopplegg og deres budsjettopplegg at de i siste budsjett tok ut mer penger enn de la inn til ny satsing på næringslivet. Man tok altså mer fra næringslivet enn man la inn. Det betyr f.eks. at når det gjelder et par av støtteordningene som man skisserte der, og som man skulle øke, tok man og som man skulle øke, tok man ut dobbelt så mye som man la inn i støtteordningene, for så å kreve 50 pst. medvirkning, som disse ordningene krever. Det betyr altså at næringslivet skulle betale tre ganger for den ene gangen de fikk tilbake. Det er ikke næringspolitikk, og det hadde ikke blitt flere arbeidsplasser av at det hadde vært 15 mrd. kr høyere skattenivå i dag heller.

Jeg har møtt rusavhengige som slapp å stå en måned ekstra i behandlingskø. Jeg har møtt kreftpasienter som har opplevd en ubeskrivelig trygghet gjennom pakkeforløp for kreft. I går fikk vi tall som viser at mobbingen går ned. I forgårs fikk vi tall som viser at fraværet på videregående stuper. Dette betyr noe. Når regjeringen nå skal fornye spesialundervisningen, sikre at alle barn kan delta på en fritidsaktivitet, eller reformere introduksjonsprogrammet, betyr det noe særlig for oss som er litt over gjennomsnittet opptatt av å trygge et velferdssamfunn med høy tillit og gode fellesskap. Det er noe som heter «usosial skolepolitikk», og det handler ikke nødvendigvis om bevilgninger. Det handler oftest om noe så vanskelig og enkelt som elevsyn. Det mest usosiale vi kan gjøre, er å ha lave ambisjoner på vegne av bestemte barn eller bruke elevenes bakgrunn, adferd, kjønn eller diagnose til å bortforklare svake resultater og manglende mestring. Det gjøres aldri med vond vilje i norsk skole, men det gjøres allikevel for ofte. Jeg er overbevist om at alle barn, også de rastløse gutta på bakerste rad eller de barna som har fått vedtak om spesialundervisning, kan lære, kan mestre og til og med kan like fag som norsk, matte og engelsk dersom man gir Løsningen på at noen elever sliter med grunnleggende ferdigheter, er ikke, som venstresiden altfor ofte tar til orde for, å nedjustere ambisjonene våre og la disse elevene gjøre alt annet enn å lese, skrive og regne. Løsningen er å gi tilpasset oppfølging og bygge et lag rundt eleven. Arbeiderpartiet og jeg har én ting til felles: I likhet med meg har Arbeiderpartiet de siste årene blitt mer og mer nærsynt. Jeg har fikset problemet ved å kjøpe nye linser; Arbeiderpartiet derimot sliter i dag med å se framover og svare på de langsiktige utfordringene som Norge har, enten det er spørsmål om verdiskaping, nye kompetansekrav eller smartere organisering av offentlig sektor. Å kritisere enkeltsaker uten å ha en alternativ retning for Norge kan kanskje funke hvis man skal toppe en meningsmåling, men det funker ikke om man skal styre et land. I stedet for å stå utenfor og kritisere har vi nå fire ikke-sosialistiske partier som tar ansvar og samarbeider. Resultatet er en erklæring som både viser en tydelig retning for Norge, og som svarer på de utfordringene vi har om fem og ti år. Og tro det eller ei – det gjør meg ganske entusiastisk. Vi fra Finnmark er Vi fra Finnmark er kjente for å snakke rett fra levra, og i disse møljetider kunne man kanskje si torskelevra. Vår borgerlige, blå statsminister sto her i salen i går og tegnet et bilde av seg selv som liknet mest på keiserens nye klær. Statsministeren sa: «Regjeringens politiske plattform tar utgangspunkt i verdier som deles av de fire regjeringspartiene. Særlig kommer det til uttrykk i oppfatningen om at et godt samfunn må bygges nedenfra gode lokalsamfunn skapes når beslutninger tas nærmest dem de angår» Vi i Finnmark er forbløffet. Hvordan kan statsministeren, som med sentralisert tvang og i beste diktatorstil glatt overkjørte folkeavstemningen der så mange som 87 pst. av Finnmarks sa nei til tvangssammenslåing med Troms, karakterisere det som å bygge samfunnet nedenfra? Statsministeren må ha gjort saltomortale da disse setningene kom på papiret. Hvordan regjeringens diktatur kan markedsføres med slik «new talk», kan man bare undres over. Vi finnmarkinger kaller en spade for en spade: Statsministeren snakker ikke

både byer, tettsteder og distrikter. Regjeringen vil legge til rette for levende lokalsamfunn og vekst i hele landet.» I Kyst-Finnmark lever vi av fisken. Regjeringen løfter ikke en finger for å slippe til ungdommen i fiskerinæringen. Den 25. januar fikk vi høre om Einar på 25 år som ble tildelt én av ti rekrutteringskvoter. Han ble tildelt framtid i fiskerinæringen. Han sa opp jobben og ga fra seg skoleplassen for å bli kystfisker. Deretter mistet han kvoten og står nå på bar bakke. Senterpartiet forventer at fiskeriministeren ordner opp i dette, og at det ordner seg for Einar. Senterpartiet arbeider for mer fisk til kystflåten. Einar skal vite at han har støtte hos Senterpartiet. Presidenten vil anmode representanten Geir Adelsten Iversen om å vurdere å bruke andre ord enn «floskler», selv om en ønsker å snakke «rett fra levra». Representanten Grøvan sa i sitt innlegg tidligere i dag: «Se deg ikke tilbake, tilbake, det er ikke dit du skal.» Det er et godt og relevant sitat i dag. Det er en stor milepæl når vi nå har fått en borgerlig, eller ikke-sosialistisk, flertallsregjering – en regjering med mål om at folk skal få leve frie, selvstendige liv, en regjering med en sterk tro på at mennesker som blir vist tillit, også tar ansvar, en regjering som ser at vi er avhengige av gode, fungerende fellesskap, med felles verdier og institusjoner som sikrer rettssikkerhet, personvern og ytringsfrihet, og som bygger tillit mennesker imellom. Det er fire ulike partier som har jobbet seg fram til en felles regjeringsplattform, og jeg er stolt av den viljen til samarbeid og viljen til å finne fram til gode løsninger som partiene våre har lagt for dagen i denne prosessen. Det står i sterk kontrast til opposisjonspartiene, som også i denne debatten har demonstrert hvor grunnleggende uenige de er i de store og viktige sakene, og som framstår uten tydelige regjeringsalternativer. Selv om de fire partiene er ulike, har vi mange felles verdier som det er lett for oss å enes om. Våre partier er alle kjennetegnet av at vi baserer vårt verdisyn på en anerkjennelse av at samfunnet bygges nedenfra. Granavolden-plattformen er godt fundert i et menneskesyn der enkeltmenneskets unike iboende og ukrenkelige egenverdi ligger til grunn. Vi har en felles tro på at vi alle har samme menneskeverd, på tross av ulike utgangspunkt, forutsetninger og egenskaper. Jeg er glad for at våre fire partier deler målet om et samfunn med muligheter for alle, for alle, der friheten til å leve egne liv bare sikres gjennom et rettferdig og bærekraftig velferdssamfunn, der det er evner og innsats heller enn bakgrunn og opprinnelse som teller. «Dette politiske prosjektet er ikke nytt», sa representanten Gahr Støre i sitt innlegg i formiddag. Nei, det skulle bare mangle, spør du meg. Etter å ha samarbeidet i fem år på ulike måter skal Kristelig Folkeparti, Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre nå i et sterkt regjeringssamarbeid bygge et bærekraftig velferdssamfunn der vi sørger for at flere kommer i jobb, inkluderer alle i samfunnet og sørger for at vi når klimamålene. Det skulle bare mangle at ikke plattformen skulle være gjenkjennelig. For meg er det et kvalitetstegn og viser med all tydelighet at disse fire partiene både har gjennomføringskraft og er styringsdyktige, i motsetning til slik opposisjonen nå framstår. De gule vestene er

Ingen myndigheter har så liten tillit i hele OECD-området. Frankrike er stort og viktig. President Macron kjører fram i turbofart med sine reformer. Etter mange år med et underskudd på statsbudsjettet langt over EUs grense på 3 pst. er statsgjelden formidabel. Skattene til de rikeste skal ikke økes.

Fri bevegelse av arbeidsfolk, kapital, varer og tjenester over landegrensene gir grunnlag for stadig svakere folkevalgt styring hos de nasjonale parlamentene. EU-institusjonene har ikke myndighet eller fellesøkonomi til å erstatte denne svikten. EU-landene preges av større utrygghet. Handelskrigen mellom USA og Kina forsterker dette. Tvisteløsningene i WTO er nærmest enn ved finanskrisen i 2008, og i Norge er private husholdningers bruttogjeld på over 220 pst. av samlet inntekt. Dette er mer sårbart enn ledere tør å tenke på. Det er i denne situasjonen vår nye borgerlige regjering sier i innledningskapittelet at «Norge skal være en pådriver for friere handel». Senterpartiet arbeider for regulert handel mellom land innen WTO. Mens regjeringa arbeider systematisk innenfor EØS-avtalen for å stimulere til friest mulig arbeidsinnvandring, snakkes det nå innen EU-institusjonene ikke om fri, men fair arbeidsinnvandring. Den internasjonale usikre situasjonen er slik at omfattende raske endringer i norsk økonomi vil komme fra utlandet. Stortingsflertallet må derfor legge til rette for at det ikke er lånefinansiert privat konsum som skal sikre full sysselsetting. For Senterpartiet er det da avgjørende å fremme en langsiktig strategisk næringspolitikk med bedre lønnsomhet i lange verdikjeder basert på våre enormt viktige naturressurser. De fornybare er viktigst. Videre må vi erstatte fri arbeidsinnvandring fra EØS-området utenfor Norden med regulert, kontrollert fair arbeidsinnvandring. Markedskreftene må styres strengere, og den private, personlige eiendomsretten til land må innebære både retter og plikter. Dette gir trygghet og frihet for folk flest.

To professorar ved Politihøgskolen har òg forska på reforma og nyleg lansert ei bok. Den eine uttalte: «Situasjonen i Politi-Norge er nå alvorlig. Vi må bare håpe at politikerne våkner og gjør noe før situasjonen blir enda verre.» Leiaren i Politiets Fellesforbund har sagt at statsbudsjettet gamblar med tryggleiken og at det betyr færre patruljer der folk bur og oppheld seg, og færre etterforskarar til å etterforske alvorleg kriminalitet og vald og overgrep mot barn. Det vert i dag kutta i dei fleste politidistrikt rundt om i landet, noko vi ser dagleg i media – seinast i dagens Sunnmørsposten, der domstolane og politietaten varsla om store kutt i rammene: «Det kjem færre saker frå politiet til tingretten. Og når sakene først kjem, er dei gamle. Det fører jamnleg til at dommarane må gje lågare straffer, fordi behandlinga går treigt, seier sorenskrivar Kirsti Høegh Bjørneset.» Det er mange som har forsøkt å seie frå, men ingenting har vorte gjort. Regjeringa hadde moglegheit til å lage ein ny politikk i denne regjeringsplattforma, men dei har valt å oversjå den kritiske situasjonen i politidistrikta. Når eg høyrer representantar frå regjeringspartia fortsetje å omtale reforma som ei nærpolitireform, lurer eg på om dei ikkje har fått med seg nyheita, eller om dei bevisst har latt vere å lytte. Kritikken har vore øyredøyvande, men då er ikkje svaret å halde seg for øyra og knipe igjen auga. Det vert det ikkje betre politikk av, og heller ikkje betre politi. Det burde ikke være slik at elever er Det burde ikke være slik at elever er prisgitt hvilken kommune de bor i, hvilken skole de går på, hvilken klasse de havner i. Derfor viderefører den nye borgerlige regjeringen satsingen på kunnskap og mestring i skolen. Derfor har vi satset på lærernes kompetanse. Hver elev må bli sett og løftet fram, uavhengig av bakgrunn og utgangspunkt. Skolen må være et trygt sted å være. Elever i trygge omgivelser vil lære mer, gi mer av seg selv og lettere dele med andre. Den målrettede satsingen på skole og utdanning de siste årene viser at elevene er mer til stede på skolen, lærer mer, flere fullfører, karakterene går opp, og mobbingen går noe ned. Et miljø der elevene kan blomstre, være seg selv og glede seg til å gå på skolen, er noe jeg ønsker for hver eneste elev. Så satsing på skole og utdanning må hele tiden utvikles – og det legger denne regjeringen opp til. Vi vet at elever som er 5–6 år, har Regjeringen vil at alle barn skal få en best mulig start på skolelivet og vil derfor se på mulighetene til å gjøre skolestarten mer fleksibel. Vi vet at fysisk aktivitet er bra – og at det kan både stimulere og sosialisere. Jeg har lært i Forsvaret at fysisk styrke og psykisk helse henger sammen. Jeg synes derfor det er spennende med regjeringens satsing på daglig fysisk aktivitet i skolen, der man kobler undervisning og fysisk aktivitet. Denne typen kreativ satsing kan bidra til å øke lærelysten for mange elever og riste litt løs i rastløsheten. Regjeringen gjør også et viktig grep i den videregående skolen ved å innføre engelsk gjennom hele skoleløpet. Ved å styrke engelsken vil elevene være bedre rustet til å møte internasjonaliseringen både i arbeidslivet og innen høyere utdanning. Den borgerlige skolepolitikken fungerer og vil bli ytterligere styrket med denne regjeringen.

I skolepolitikken har SV og Kristelig Folkeparti hatt mange felles saker – lærernorm, veiledningsordning for nyutdannede lærere, i spørsmålet om overgang mellom barnehage og skole, om å beholde barndommens egenverdi og ta vare på lekens plass i skolen, om fysisk aktivitet og om å styrke bemanningsnormen. Og Kristelig Folkeparti og SV har vært dundrende uenig i har vært dundrende uenig i avskiltingen av norske lærere og selvfølgelig firerkravet i matematikk. Så da Kristelig Folkeparti valgte å bli med i Solberg-regjeringen, hadde jeg noen tydelige forventninger til hva de skulle få til. Dessverre ser jeg få fotavtrykk i erklæringen fra våre venner Vi er nødt til å få på plass flere lærere for å sikre at alle barn og unge får like muligheter til å lære, lykkes og trives. Vi trenger lærere med tid og mulighet til å tilpasse undervisningen slik at barn og unge med ulike forutsetninger og behov får den undervisningen de trenger. regjeringsplattformen tas det ingen nye grep for å forhindre det faktum at lærermangelen under Høyre og Venstres statsråder i Kunnskapsdepartementet har økt med 40 pst. 1,5 millioner skoletimer undervises per i dag av en lærer uten godkjent utdanning. Mange av disse kommer rett fra videregående. Den nye regjeringen sier riktignok at de skal sette i verk noen omfattende rekrutteringstiltak. Men dette er lite konkret og veldig lite forpliktende. Og tiltak som i dag medfører lærermangel, fortsetter med stor styrke og vil undergrave dette vage målet de setter seg om Folkeparti er blitt tatt som gissel i utdanningspolitikken og har ikke fått endret det urimelige kravet om 4 i matematikk fra videregående, noe som holder døren igjen for elever med høye snittkarakterer, holder dem fra å komme inn på lærerutdanningen, samtidig som man heller ikke anerkjenner kompetansen til erfarne lærere. Jeg har havnet i så dårlig selskap, og jeg synes det er trist at de har gitt opp disse kravene for å få flere kvalifiserte lærere inn i norsk skole.

Helikoptrene er en støtte Hæren og Nord-Norge har et stort behov for. Sjef Hæren uttalte i januar 2018 at Hæren er helt avhengig av helikopterstøtte for å være operativt relevant, ikke minst ved medisinsk evakuering og taktisk transport av personell. Likevel virker det som om det har gått prestisje i saken for regjeringen og forsvarsministeren – dette til tross for mange advarsler og bekymringsmeldinger fra Forsvaret, fra Fylkesmannen og fra politidirektøren i Troms. Dette er med på å sette Forsvaret i en svært utfordrende Med den flyttingen regjeringen legger opp til nå, kan Norge bli det eneste landet i verden som har en moderne hær uten helikopterkapasitet. I den senere tid har vi også sett at Bell-helikoptrene har hatt en stor betydning når det gjelder beredskap. Den tragiske skredulykken i Tamokdalen er dessverre et godt eksempel på viktigheten av Forsvarets helikopter i nord. Vi så viktigheten av Bell for bare noen uker siden, og vi har sett viktigheten av beredskap i Nordland med tanke på de utfordrende værforholdene som har vært der. Vi ser nå en regjering som er i ferd med å rane hele Nord-Norge for helikopter, både når det gjelder Forsvaret, og ikke minst når det gjelder beredskap. Dette uroer med rette veldig mange, og det bør også uroe oss politikere. Vi er altså nå i ferd med å sette hele beredskapen i nord på sidelinjen. I dag finnes det ikke ett eneste redningshelikopter i Troms. Det er ingen tvil om at dette lager et stort beredskapshull i Nord-Norge. Derfor fremmer Senterpartiet i dag et forslag om å etablere permanent redningshelikopterberedskap i Troms med base på Bardufoss. dette lager et stort beredskapshull i Nord-Norge. Derfor fremmer Senterpartiet i dag et forslag om å etablere permanent redningshelikopterberedskap i Troms med base på Bardufoss. Det er fra Senterpartiets side ikke en erstatning for Bell-helikoptrene. Kampen om Forsvarets helikopter har vi ikke tenkt å gi oss på, selv om denne regjeringen ikke ser ut til å bry seg. Jeg har også merket meg at stortingsrepresentanter fra Høyre i denne salen har vært på Bardufoss den siste uken og nettopp tatt til orde for beredskapshelikopter på Bardufoss. Det vil forundre Beredskap i hele landet er viktig – livsviktig i mange situasjoner. Mitt og Senterpartiets syn er at dette er en av de viktigste samfunnsoppgavene vi som politikere bør legge til rette for. Det er faktisk snakk om sikkerheten og tryggheten til våre innbyggere. Derfor håper Senterpartiet på støtte for det forslaget. Jeg hørte representanten

intensjoner med loven, og utredning må på ingen måte bli en hvilepute. Representanten Stensland nevnte også punktet i plattformen om å utvikle og utprøve brukerstyrt personlig avlastning, slik som i Sola kommune. Det er interessant at kommunestyret, i dette utstillingsvinduet for høyre- og fremskrittspartipolitikk, under budsjettbehandlingen for 2019 enstemmig vedtok å avvikle ordningen. Det ble for dyrt, og de kommunale kostnadene var som før.

kaller representanten Stensland det. Jeg kaller det økt kommersialisering, økt byråkrati og mindre kommunal kontroll med tjenester kommunen har ansvar for. Ordningen innebærer at etter en enkel godkjenningsprosess vil firmaer få rett til å kunne tilby f.eks. hjemmetjenester. Eldre og andre som har rett på tjenesten, får et antall glansede brosjyrer fra tilbydere som de så skal velge blant. Tilbyderne kan på kort varsel trekke seg ut, og da må kundene deres finne nye leverandører, eller så må den kommunale tjenesten overta. Det skilles ikke mellom kommersielle og ideelle aktører, samtidig som jeg hører representanter fra Kristelig Folkeparti og Høyre prate om økt bruk av ideelle. Troverdig? Nei. I omsorgstjenesten er over 80 pst. av kostnadene personalkostnader – folks lønn og pensjon. Skal en kommersiell eier tjene penger, betyr det lavere bemanning, mer bruk av ufaglærte, lavere lønn og dårligere pensjon for de ansatte. Forskning fra Sverige viser også at kvaliteten på tjenestene går ned over tid. Det er helt ufattelig at Kristelig Folkeparti nå har gjort dette til partiets politikk, og slik løper kapitalkreftenes ærend. I sykehusene vil regjeringa utvide bruken av fritt behandlingsvalg. Kommersielle tilbydere har fått rett til å drive på statens regning, frikoblet fra offentlig kontroll. Regjeringsplattformen sier at flere kommersielle aktører skal slippe til i nye områder i spesialisthelsetjenesten. Pasientene vant på Granavolden, sa Stensland. Ja vel, ham om det. Det er i alle fall lenge siden sykehusene har vært budsjettvinnere med mindre en ser på Arbeiderpartiets alternative budsjetter de siste fem årene. Vi har fått en utvidet høyreregjering, men innholdet i plattformen er årene. Vi har fått en utvidet høyreregjering, men innholdet i plattformen er ikke veldig nytt. Vi får fortsatt økende forskjeller mellom folk, mellom by og land, og mer og mer private løsninger hvor det er pengeboken din som avgjør hvilken frihet du har. Arbeiderpartiet vil ha et sterkere fellesskap, bosetting og likeverdige tjenester i hele landet. Nå skal samferdsel være den store vinneren i denne plattformen. Plattformen legger til grunn en nullvisjon for hardt skadde og drepte i trafikken – og det er veldig bra. Men da er det særdeles skuffende at plattformen ikke prioriterer NAF, lastebileiernes landsforbund, fylkeskommunene og Opplysningsrådet for Veitrafikken har alle varslet at situasjonen nå er meget kritisk. Forfallet øker med tre milliarder hvert eneste år. Det er nå 62 pst. større sjanse for å dø på en fylkesvei enn på en riksvei. Halvparten av veinettet vårt er fylkesveier.

Statens vegvesen skal moderniseres, og plattformen sier at en skal sikre et desentralisert tilbud gjennom samarbeid med private – altså ytterligere privatisering og distriktsnedlegging. I tillegg har debatten rast de siste dagene om utenlandske transportører. Man ser at frykten blant dem som har veien som yrke, øker. Det har skjedd flere stygge ulykker, og unødvendige berginger skaper hindringer. Så vi kan ikke se at plattformen på noen måte bidrar til at de viktigste utfordringene innenfor samferdsel løses. Vi ser dessverre mer av økt arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, mindre andel gods over på sjø og bane, lengre planleggingstid på samferdselsprosjekt, flere og oftere forsinkelser på passasjertog, mer byråkrati, oppsplitting og fragmentering av ansvar. Men fortsatt er altså samferdsel den store vinneren. Da kan en vel tenke seg hvordan de andre sektorene føler det nå. Jeg er

Folkeparti. Det er slik at i mine kretser, hvor jeg både har venner og familie og andre som gjør det bra, og som jeg ikke alltid kjenner det politiske ståstedet til, så sier jeg gratulerer. Men med den svartmalingen som har vært i dag, regner jeg med at den gratulasjonen ikke kommer fra opposisjonen. Skjønt jeg tror den rausheten hadde gjort seg, for det er et godt forbilde for barn og unge og alle at man snakker vel om hverandre, og så får vi ta uenigheten på sak. Men intet mindre – vi skriver historie. Historie til tross: Det gir oss mulighet for en stabil styring for landet, hjemme som ute, ikke minst for det enkelte menneske, og det er i dette gylne øyeblikk at politikken betyr noe, at politikken faktisk er oppe til eksamen. Ute i distriktene, der jeg bor, hvor bussen går tre ganger om morgenen og tre ganger om ettermiddagen, og hvor NSB forbedrer rutetilbudet sitt, der går det så det suser, det går veldig bra. Tenk det! Ute i Distrikts-Norge er ledigheten rekordlav, næringslivet blomstrer, det bygges både vei og bane, og på bygda også. Tenk det! Barna går mer på skolen, de det er bedre skoleresultater, og det er mindre mobbing. Tenk det! Etter fem–seks år med en borgerlig regjering utvider vi den nå til en flertallsregjering og den blir enda bedre. Og tro det eller ei, men det er færre kommuner nå som er på ROBEK-listen. Tenk det! Og det er særlig i bygdene at det er blitt færre. færre. Der hvor andre er opptatt av å se begrensninger ute i Distrikts-Norge, så ser både forrige regjering og nåværende regjering – i Granavolden-erklæringen, med Høyre – nå mulighetene. Vår distriktspolitikk bidrar til at vi får nettopp flere arbeidsplasser, den bygger også by og bygd sammen og gir bedre Distriktspolitikken virker, og den skaper altså flere arbeidsplasser og en bedre sysselsetting, som er hele grunnlaget for at vi kan ha et velferdssamfunn. Det handler om å tjene penger før vi bruker dem. Og når jeg har hørt på retorikken her i dag, ville jo den største utjevningen vært at de rikeste flyttet ut av landet. Men tenk det – de rikeste skaper altså arbeidsplasser. Man kan like det eller ikke, men det er i det skismaet at velferden møtes, og hvor vi kan skape arbeidsplasser. Det var en stor dag da vi fikk en flertallsregjering bestående av alle de ikke-sosialistiske partiene, partier som bygger sin politikk på felles, grunnleggende verdier, og som har tro på at mennesker som blir vist tillit, også tar ansvar. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er enige om at samfunnet skal bygges nedenfra, og at familien er en viktig grunnstein i samfunnet. Vår nye regjering består av fire ulike partier, og vi kommer fortsatt til å være de partiene vi er, men vi er enige om en regjeringsplattform hvor vi skal spille hverandre gode. Og vi har flere fellesnevnere: Alle de fire partiene er opptatt av dem som strever med livet sitt. Vi på ikke-sosialistisk side har hjerter som banker for det enkelte menneske, og vi har varme hjerter. Venstresiden har ikke monopol på hjertevarmen her i landet, selv om de tror det selv.

Regjeringen Solberg tok tak i denne utfordringen umiddelbart etter at den tiltrådte i 2013, og det er utarbeidet en strategiplan med målrettet bruk av ulike tiltak og støtteordninger, slik at de treffer barn med størst behov. Gratistid i barnehage for barn i lavinntektsfamilier og stipendordningen i videregående skole er gode eksempler på det. Nå gis stipend kun til elever som kommer fra familier hvor fars og mors samlede inntekt er lav. Det er innført en nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, noe som bidrar til at barn og unge som lever i familier med svak økonomi, kan delta i minst én fritidsaktivitet, få støtte til kontingent og utstyr. Ordningen bidrar også til at familier kan få tilgang til ferieopplevelser. I regjeringsplattformen er det enighet om å innføre et fritidskort for alle barn fra 6 til 18 år som kan benyttes til å dekke Ordningen skal være ubyråkratisk, og det skal være mulig for kommunen å legge på en lokal andel. Frivillighet Norge applauderer tiltaket og vil gjerne være med på å utvikle ordningen. Jeg har lyst til å skryte av min hjemkommune Asker, som nylig har utviklet et slikt aktivitetskort, en app som heter A!A. I Asker har 1 300 barn lastet ned appen, som gir en god oversikt over alle fritidsaktivitetene, og som gir billigere priser for alle barn og unge som vil delta. Appen brukes også som betalingsmiddel for besøk i svømmehallen og bowlingen, til kontingenter etc. Foreldre eller Nav, kommunen, betaler inn på appen. Ingen blir stående utenfor, ingen blir stigmatisert, og ingen vet hvor pengene kommer fra inn på den appen. Jeg vil avslutte med å si at regjeringsplattformen er et godt fundament for en politikk som vil ha et varmt samfunn, bygd på trygge norske verdier, hvor

Dei er ikkje einige om regjeringa går i riktig retning eingong, og heller ikkje om kva som faktisk står i plattforma. Nokre eksempel: Framstegspartiet skryt av vegbygging og at klimaavgiftene ikkje skal endra eller påverka folks åtferd. Venstre ropar: Nei, me har jo fått gjennomslag når det gjeld klima. Innvandring: Ei innstramming, seier Framstegspartiet. Nei, seier Venstre og Endring i abortlova, som uomtvisteleg er ei innskrenking av kvinners rettigheiter: Ein stor siger, seier Kristeleg Folkeparti. Det som er sikkert, er at Erna Solberg og Høgre set lovnader om ikkje å innskrenka kvinners rettigheiter til side så lenge ein kan behalda makta. Da må berre prinsippa vika. Dette svelgjer vi òg, seier Venstre og Men alt no har Venstre fått kalde føter, og skal ha omkamp i 2021. Diskusjonen om skatt på naturalytingar er eit godt bilde på kva vi har i vente. På spørsmål frå Arbeidarpartiet om å ordna opp i utilsikta konsekvensar, slik at frivillige på kulturarrangement ikkje vart omfatta av skatte- og rapporteringsplikt, var svaret frå Siv Jensen at reglane var klare. På spørsmålet om om det arbeidsrettslege var vurdert, var svaret at ein er forundra over at Arbeidarpartiet spør om dette, for Arbeidarpartiet er jo for rettferdig skatt. Ja, Arbeidarpartiet er for rettferdig skatt, men imot utilsikta konsekvensar som slår beina under frivillig innsats eller gjev bussjåførane skattesmell.

til. Ord og handling må hengja saman. Ein samla opposisjon er klokkeklar på kva retning ein ynskjer å gå i – meir fellesskap, mindre forskjellar, tiltak til dei som treng det mest, for å nemna nokre fellesnemningar. Da må det verta ei venstredreiing av norsk politikk.

folkehelsen er jevnt over god. Vi stoler på hverandre. Når folk i Norge blir spurt om de stoler på naboen, sier de aller fleste ja. Det sørger for økt oppslutning om nettopp det vi driver med her: demokratiet vårt, at vi skal vi kunne velge inn representanter som kan gjøre det beste for det brede lag av befolkningen. Men nå øker forskjellene mellom folk i Norge. Bare siden 2008 er det mange som i dag er dårligere stilt enn de var for ti år siden. Tall fra SSB viser at det i gjennomsnitt gjelder den gruppen som fra før tjente minst, nemlig de 10 pst. arbeidsfolk i privat sektor med de laveste lønningene. Det kan være folk som jobber med renhold, med bygg eller med servering, som alle på sin måte bidrar til at vi andre skal ha gode liv. Den sammenhengen og de tallene som SSB har dokumentert, står i sterk kontrast til hva Henrik Asheim, fra Høyre, sa på Politisk kvarter fredag. Han sa: har jo fått en veldig vekst i inntektene og sin kjøpekraft.» Det er direkte feil. Det er uansvarlig å sitte og si den type ting på radio i Norge når vi vet at virkeligheten er stikk motsatt. Og om grunnen til den feilinformeringen er at lederen av finanskomiteen ikke har fått med seg hvordan virkeligheten er, eller at han ikke bryr seg om det er uansett like alvorlig begge deler. Det mest alvorlige er jo når representanten fra det samme partiet stemmer imot Arbeiderpartiets forslag om å sørge for at flere får faste jobber, sørge for at en million nordmenn får bedre økonomi ved opptjening av pensjon fra første krone vi tjener, uansett hva vi jobber med. Hvis man ikke ser samfunnsproblemet, er det kanskje lett å hoppe over de avgjørende tiltakene som kreves. Derfor må vi virkelig ta på alvor den samfunnsutviklingen vi ser. Vi i Stortinget kan nå sammen støtte opp om gode forslag for å få forskjellene mindre. På partiet Høyres hjemmeside er På partiet Høyres hjemmeside er statsminister Solberg sitert i en artikkel der det står: «Det er viktig å unngå en utvikling i retning av «normale» heltidsjobber hvor det ikke går an å leve av lønnen.» I Granavolden-plattformen står det følgende: vil åpne for økt bruk av delingsøkonomi i persontransporten innenfor et regelverk og krav til tilbyderne som er forutsigbare.» Etter Arbeiderpartiets syn står disse to utsagnene i motsats til hverandre, spesielt når vi tar i betraktning den politikken som det legges opp til skal føres for drosjenæringen i Flere sentrale politikere, med representantene Frølich og Nordby Lunde i spissen, sier at disse endringene i yrkestransportloven, som er sendt ut på høring, åpner opp for at Uber ønskes velkommen til Norge – Uber, som er ulovlig i hele Norden. Det er et foretak uten fast ansatte, uten kontrollerbare inntekter og med sjåfører som beviselig unndrar inntekter fra beskatning og kun jobber på tider det er kjøring å hente i storbyene. Det er et varslet frislipp på drosjemarkedet som vil føre til at vi vil få en drosjenæring med jobber det ikke går an å leve av, og med åpning for foretak som ikke bidrar verken med skattekroner eller trygghet for fast ansatte. Vi hadde håpet at den nye regjeringsplattformen hadde inneholdt noen formuleringer om drosjer som kollektivtransport. Representanten Tage Pettersen beskyldte oss for å telle ord som gikk igjen i plattformen, men det er to ord jeg har lett etter, og som ikke finnes i plattformen, det er «taxi», og det er De er utelatt denne gangen, i motsats til i Jeløya-plattformen. Det gir dessverre et dårlig signal for det forventede lovendringsforslaget som en flertallsregjering nå skal legge fram for Stortinget. Arbeiderpartiet frykter at det blir som i Danmark, som regjeringen tydeligvis har hentet inspirasjonen ifra. Der har sjåførene nå satt i gang en aksjon mot lavlønnsutviklingen i Regjeringen hadde nå en mulighet til å formulere noe om det, men har forspilt sjansen. Nå kan vi bare krysse fingrene og håpe at regjeringen tar til fornuft, for dette undergraver et trygt og sterkt fellesskap, slik som Arbeiderpartiet vil ha det. Jeg skal ikke påberope meg å bo i det som virkelig er

Ja, det er sågar en overraskelse av og til om bussen går én gang om morgenen og én gang om ettermiddagen, men jeg registrerer at vi har litt forskjellig perspektiv. Dette er også betegnende for den debatten vi har her i dag. Vi har en kommunalminister som sier at trygge lokalsamfunn i hele landet er et mål for denne regjeringen, samtidig som statsministeren i regjeringserklæringen, som kommunalministeren tydeligvis ikke selv hadde lest, sa: «Det handler både om noe så enkelt som at det å ferdes i sentrum av kommunen skal oppleves som trygt for alle, og om at vi har et troverdig forsvar av landet vårt.» Vi er enige om at trygghet er en viktig del av velferdssamfunnet, men at det kun skal være trygt å ferdes i sentrum av kommunen, er litt spesielt.

Jeg tror ikke det er tilfellet. Jeg er i hvert fall helt sikker på at verken helsearbeideren, læreren eller den som jobber i utetjenesten i en hvilken som helst kommunes tekniske etat, mener at de ikke er blitt mer effektive i det siste. Tvert imot er jeg temmelig sikker på at de føler at de springer mer under denne regjeringen, og i så måte – i hvert fall ifølge økonomisk teori – skulle de ha blitt mer effektive. Det at vi har mer effektivitet i samfunnet, kan være et gode dersom vi vet å ta det ut på en klok måte. Det betyr at enkeltmennesket må ha mulighet til å leve det gode liv i alle lokalsamfunn, samtidig som vi skaffer mer velferd gjennom det offentlige for hver krone som skapes av verdier der ute. Da er det sånn at vi som politikere i denne sal skylder folk å legge til rette for at man skal kunne bo og virke i hele landet, og ikke kun i sentrum eller enkelte deler. Da legger vi ikke grunnlaget for at vi skal ta i bruk alle de fantastiske mulighetene som dette landet gir, eller ta i bruk alle de kloke hodene som er der ute.

Hvordan skulle det gå? Ville de bli født altfor tidlig? Hadde vi egentlig nok kapasitet til å følge opp dobbelt så mange barn – og særlig hvis vi fikk ekstremt premature tvillinger? Heldigvis hadde vi god nok økonomi til å bære innkjøp av mye nytt utstyr, minibuss og en ombygging av gangen for i det hele tatt å komme inn med For en håndfull kvinner hvert år blir disse bekymringene, som jeg kjenner meg godt igjen i, for store til at de klarer å gjennomføre et tvillingsvangerskap. Om lag tusen kvinner bærer fram tvillinger hvert år. Åtte kvinner valgte å ta bort en av tvillingene i 2018 – åtte av tusen. La disse kvinnene få ta dette valget selv. Representanten Ørmen Johnsen sa tidligere i dag at «din stemme skal høres i saker som berører deg». Jeg skulle ønske regjeringen heller ville bidra til å redde tvillinger gjennom tidlig ultralyd enn å gå løs på kvinners selvbestemmelse. Hvert år er det tvillinger som dør eller blir sterkt skadet i mors mage fordi de rammes av Når tvillinger som deler morkake, får TTTS, skjer det en blodoverføring fra den ene til den andre tvillingen. I verste fall kan begge dø. For å redde disse tvillingene må vi ha tidlig ultralyd. Oppdages dette ved ordinær ultralyd, er det for sent. Inngrepet som sikrer tvillingene hver sin del av morkaken, må utføres før uke 18. Denne regjeringen må slutte å skyve tvillinger foran seg i spørsmålet om abort når de ikke vil bidra til å redde tvillinger gjennom tidlig ultralyd til alle. Statsråd Skei Grande sa i replikkordskiftet at tidlig ultralyd ikke skal være forbudt. Nei, men det forbeholdes dem som har råd til å benytte seg av private tilbud – nok et eksempel på at denne flerlingregjeringen øker forskjellene mellom folk. folk. I regjeringsplattformen står det at regjeringen vil legge til rette for levende lokalsamfunn og vekst i hele Norge, likeverdig tjenestetilbud i hele landet, og at det er mange politikkområder som til sammen utgjør en god distriktspolitikk. Ja, hele intensjonen med distriktsdelen i plattformen kunne nesten ha vært hentet fra Senterpartiets program. Problemet er bare at politikken de siste fem årene har gått i stikk motsatt retning, og at det ikke er noen konkrete lovnader i plattformen om hvordan disse intensjonene skal følges opp i praksis. Tvert imot ser vi at reformene som sentraliserer Norge bit for bit, skal videreføres. For å oppnå vekst i Distrikts-Norge må det legges til rette for gode lokalsamfunn, med boliger og arbeidsplasser, gode kommunale tjenester og trygghet for innbyggerne. Det skal ikke være et usikkerhetsmoment å bo i distriktet fordi tjenester og beredskap flyttes langt unna innbyggerne. Dessverre har vi de siste fem årene fått redusert ambulanseberedskapen og politiberedskapen, og dette skaper utrygghet. Eksemplene på arbeidsplasser som har blitt sentralisert, er mange, bl.a. politi, skatteetat, distriktspsykiatriske senter, asylmottak, Nav – bare for å nevne noen. Tilbud som passutstedelse – og nå veistasjonene – skal flyttes milevis, ja, timevis unna innbyggerne, og det gjør det vanskeligere for folk å benytte tjenestene. Regionale utviklingsmidler, samferdselstiltak, mobil- og bredbåndsutbygging – dette er effektive virkemidler for å få næringsutvikling i distriktet. Jeg registrerer at Senterpartiet har en mye mer ambisiøs politikk enn Blant prioriteringene i vårt alternative statsbudsjett var det bl.a. 500 mill. kr mer til regionale utviklingsmidler, 400 mill. kr til bredbånd og 1 mrd. kr årlig til fylkesveier. Satsing på disse områdene er en nødvendig investering for næringsliv og bosetting i hele landet. Plattformen legger opp til en økning til bredbånd. Det er bra, og jeg håper det kommer en betydelig satsing. Jeg registrerer at regjeringen i flere sammenhenger gjemmer seg bak at det er universitetene og helseforetakene som har myndighet til å bestemme strukturen. Her er det statsråder som ikke tar ansvar for den sentraliseringen som skjer på disse områdene. Senterpartiet ønsker en bedre fordeling av statlige arbeidsplasser. Derfor har vi foreslått at 5 000 statlige arbeidsplasser skal flyttes ut i løpet av de neste seks Den lokaliseringen må skje til små og mellomstore kommuner også. Vi mener at 50 pst. av denne utflyttingen bør skje til nettopp små og mellomstore kommuner. Etableringen av kompetansearbeidsplasser har viktige ringvirkninger for lokalsamfunn og arbeidsmarkedet for øvrig. Vi har vellykkede eksempler på slik utplassering, bl.a. til Leikanger og Brønnøysund.

Tallene taler for seg, og dommen er brutal: Digital Evolution Index setter Norge i gruppen med lav endringstakt. Vi var i tet – nå henger vi etter. Norge blir nå forbigått av Storbritannia, Sverige og Danmark. Regjeringa møter dette med en skremmende passivitet.

Langt flere enslige og familier med dårlig økonomi har ikke tilgang til bredbånd. De med det dårligste utgangspunktet blir nå hengende etter, og tar vi ikke grep, blir forskjellene bare større. Det samme ser vi i skolen. En fersk Fafo-rapport viser at det er store forskjeller i lærernes digitale kompetanse, opplæringen elevene får i digitale verktøy og tilgangen på digitale ressurser. Dette påvirker elevenes eksamensresultater. De med det dårligste utgangspunktet blir nå hengende etter. Utfordringene med å ruste Norge for den digitale revolusjonen er enorme. Det kommer til å kreve flere studieplasser, strategier, forskning og tydelige ambisjoner om hva som skal bli Norges nisje. Derfor er det urovekkende at høyreregjeringa er så taus om sine tiltak. Jeg hørte bare én eneste ting i regjeringserklæringen om hva regjeringa har prioritert på dette området, og det er å opprette en ny statsrådspost. Spør du meg, hadde kanskje millionlønnen til den nye statsråden og hans nye byråkrater vært bedre brukt på flere IKT-studieplasser eller en nasjonal strategi for kunstig intelligens. Da hadde vi i hvert fall kommet et skritt videre. Regjeringas digitale verktøykasse har fått en ny statsråd, men ellers er den dessverre tom. Forventningen er at den raskt må fylles opp med mer enn tomme ord, for vi har ikke tid til at

skal den økonomiske politikken være ansvarlig, og det skal ikke brukes mer oljepenger enn handlingsregelen tilsier. Da er spørsmålet: Hvordan skal dette regnestykket gå opp? Mer ut og mindre inn blir en spagat de fire partiene har gått ned i for å bli enige om en regjeringsplattform. Det blir vanskelig å komme seg opp fra den når budsjettene skal gå opp, og den økonomiske politikken skal tilfredsstille punktet «ansvarlig og bærekraftig». Det blir et gap som den økonomiske veksten ikke vil greie å tette. Det meste fra fire partier skulle med i plattformen. Det er store forskjeller i politikken mellom de fire partiene, og kompromisser kan fort utslette partienes profiler og gjøre politikken til en grå, kjedelig masse. Derfor har opplegget vært at alle partier skulle få noen såkalte blanke seire. Det bærer også regjeringsplattformen preg av. Problemet er at det i en del tilfeller er slik at ett partis blanke seier blir slått i hjel av et annet partis blanke seier: I klimapolitikken skal CO2-avgiftene opp, Venstres, men de som rammes, skal kompenseres, I helse- og sosialpolitikken er det mange gode og fornuftige tiltak, men som koster masse penger, Kristelig Folkepartis, mens kommunenes mulighet til å bruke eiendomsskatten til å betale for dette skal strupes enda mer, Fremskrittspartiets. Når verken miljøavgifter eller oljefondet skal dekke kostnadene, må regjeringen ha andre planer. Blir det kutt i offentlige tjenester eller høyere egenandeler? Det vi finner, er mer privatisering. Høyreregjeringen vil jobbe for at «flere private tjenestetilbydere i større grad kan bidra til å løse fellesskapets oppgaver». Men skal det gjøres uten finansiering fra kommune, fylke og stat? Neppe. Her er et annet eksempel på sprik mellom mål og virkemidler: De fire partiene er enige om «en nullvisjon for hardt skadde og drepte i trafikken», men skal begrense bruken av det som virker best, og åpner for 120 km/t på motorveiene. Energipolitikken ligger mitt og Fremskrittspartiets hjerte nær. Vi har en fornybar vannkraftproduksjon som betyr enormt for Norges energiforsyning, og her slår plattformen fast at produksjonskapasiteten skal utvikles videre. Vi har en olje og gass-sektor av særdeles stor betydning for landet vårt, og jeg er stolt av hva disse næringene får til. Spesielt olje og gass-sektoren er en næring som vi må framsnakke, og vi må sikre rekruttering til bransjen. Nå er det mange som er ute og surrer med meninger om skatteregimet til denne næringen. Det er liksom blitt in å være imot – såkalt politisk korrekthet – i disse dager. Sist ut er Arbeiderpartiet, med Espen Barth Eide, som inviterer til framtiden og ber næringen tilpasse seg en verden i endring. Jeg forstår ikke helt hva en ønsker med dette utspillet, foruten å skape usikkerhet i Norges viktigste næring. For hva er det Barth Eide egentlig vil? Er det

faktisk med et helt Tyskland hvert år. Samtidig løftes millioner av mennesker ut av fattigdom, der de fleste har fått, eller vil få, tilgang til energi. Verden trenger mer energi og ikke mindre. 80 pst. av verdens energimiks er i dag fossil. Skal utslippene minkes, er det en sektor som må kutte. Da må vi begynne med de utslippene kuttene gir mest mulig effekt, og – med respekt – de utslippene finner en ikke på norsk sokkel. Regjeringen møter framtiden proaktivt og framtidsrettet, med en politikk som bidrar til et bedre klima, mens det gamle industripartiet Arbeiderpartiet, med Barth Eide i spissen, inviterer til seminar i eget parti for å finne ut av hva de mener om Jeg har lenge etterlyst konsekvensen av å fase ut norsk petroleumsnæring. Det er ingen som har klart å svare meg ennå. Én ting er bortfall av arbeidsplasser og inntekter til staten, men det er også å fjerne muligheten for Europa til å erstatte europeisk kull med norsk gass. Så det er ikke bare 170 000 arbeidstakere i oljeindustrien – og deres usikkerhet – Arbeiderpartiet klarer å rote det til for, en vil få økte klimagassutslipp i tillegg. Det er ingen som kan vise til en bedring av verdens klimagassutslipp ved redusert produksjon på norsk sokkel, snarere tvert imot. Sentraliseringspolitikken til regjeringa begynner ein verkeleg å merke rundt om i heile landet. Spesielt merkar ein dette godt utanfor dei store byane og byregionane. Det landet. Spesielt merkar ein dette godt utanfor dei store byane og byregionane. Det har vore sagt veldig mykje ifrå medlemene til regjeringspartia om kor godt det står til med kommuneøkonomien rundt om. I realiteten merkar kommunane no – etter fem år med ei Høgre- og Framstegsparti-styrt regjering at fleire oppgåver vert overførte til kommunane, utan at det følgjer med midlar til å dekkje opp desse oppgåvene. Eksempel på det: Kommunane opplever at heving av innslagspunktet for ressurskrevjande brukarar har vorte gjord i gjentekne rundar, og det er ytterlegare kutt i ordninga, der kommunane må dekkje utgifter når det gjeld sjukmelding og etterutdanning av tilsette – store utgifter som har vorte overførte til kommunane. Samhandlingsreforma kommunane. Samhandlingsreforma gjev òg kommunane ekstra utgifter. Sjukehusa og helseføretaka sender pasientane tidlegare ut til kommunane, utan at det følgjer med midlar. Vi har ei barnehagenorm som ikkje har vore fullfinansiert. Det er mange eksempel. Staten lempar oppgåver over på kommunane, utan at det følgjer med midlar. Dette opplever kommunane dagleg. Vi ser stadig ei sentralisering – gjennom kommunereforma, regionreforma, politireforma – og vi ser ei sniksentralisering gjennom å bruke direktorat og føretak til å sentralisere viktige tenester rundt om. Eg vil dra fram nokre eksempel på dette ifrå mitt fylke: Helse Møre og Romsdal må kutte i viktige tilbod. Dei vil leggje ned fødetilbodet i Kristiansund, rehabiliteringssenteret i Aure og i Volda og DPS i Ørskog kommune, der ho Sylvi Listhaug kjem ifrå. Dette skjer mens helseministeren og regjeringa sit og ser på – og skryter av at det er robuste tenester rundt om. Eit eksempel til er nedbygginga av trafikkstasjonar i landet. Regjeringa vil kutte i det leddet som yter tenester nær folk, mens det vert auka byråkrati rundt deira eiga regjering. Sentralisering av trafikkstasjonane i Møre og Romsdal vil føre til ein uhaldbar kvardag for dei som skal ta førarkort eller få godkjenning av tunge køyretøy. I Møre og Romsdal har vi fjordar, vi har fjell. Det er vanskelege forhold. Viss det skal bli att berre éin stasjon, vert det vanskeleg for ungdomen som går på skule, å få tatt førarkort.

Den nye generasjonen fiskere må holde seg til åpen gruppe. Åpen gruppe er den gruppen hvor folk som ikke har fått tildelt en kvote, er. Som regel er det her de yngste fiskerne må starte. Fordi kvotemengdene som kanaliseres til denne lille gruppen, reduseres, gir heller ikke denne siste inngangen til næringen noen sikker og god næringsvei. I 2019, der den internasjonale torskekvoten tildelt Norge er 6 pst. lavere enn i 2018, har regjeringen kuttet i kvoten til åpen gruppe med 17 pst. All fisken som stortrålerne soper med seg for å sende den ubearbeidet til Kina – fisk som opprinnelig var tatt fra kystflåten, og som skulle leveres for produksjon i Norge – gir null arbeidsplasser i Norge. Hva gjør regjeringen? Ingenting. Er det handlingslammelse regjeringen klarer å betegne som å legge til rette? Dette er et kunststykke. Jeg siterer fra regjeringserklæringen: «Norge skal fortsatt ta en internasjonal lederrolle i arbeidet med rene og produktive hav.» Sannheten er at Norge er en sinke i Dette er det motsatte av å ha en lederrolle. Videre: Regjeringen bekjemper de krefter i landet som krever at oppdrett skal drives i lukkede anlegg – i en industri som dumper ca. 430 000 tonn ekskrementer i folkets rene hav. Dette bekrefter ytterligere regjeringens forvrengte bilde av seg selv. Jeg siterer videre fra regjeringserklæringen: «De siste har millioner av mennesker arbeidet seg ut av fattigdom gjennom internasjonal handel og fremveksten av markedsøkonomi. Nå er den globale handelen under press og proteksjonisme på fremmarsj. Det gir grunn til bekymring.» Den markedsøkonomien som den borgerlige blå regjeringen forguder, av fiskekvoter, praktisert i strid med uttrykkelige stortingsvedtak. Dette har utarmet en lang rekke småsamfunn i mitt hjemfylke. Se f.eks. på Kvalsund, som har mistet 77 pst. av sine torskekvoter på ti år, Loppa med 48 pst., Vardø med 45 pst. og min hjemkommune Hasvik med 31 pst. Dette

Enkelte partier forsøker å skape inntrykk av at de har monopol på et varmt og inkluderende samfunn. Slik er det ikke, for det er typisk norsk å ta godt vare på dem som av ulike grunner sliter eller faller utenfor. Regjeringsplattformen vil gjøre Norge til et varmere samfunn også for funksjonshemmede. I regjeringserklæringen sa statsministeren: «Regjeringen vil gjennomføre en likeverdsreform for å gjøre det enklere for familier som har barn med spesielle behov. Vi vil sikre like muligheter til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse for alle.» Dette er ord for et varmere samfunn. Og hun fortsatte: «Vi skal forbedre BPA-ordningen og øke antallet VTA-plasser for å sørge at enda flere får mulighet til å bli inkludert i arbeidslivet og i samfunnslivet for øvrig.» Det er denne regjeringen som rettighetsfestet brukerstyrt personlig assistanse, også kalt BPA. Rettighetsfestingen kom i 2015, og med den fulgte det med mer enn 500 mill. kr i økte midler til kommunene. Brukerstyrt personlig assistanse skal gi funksjonshemmede likestilte muligheter for å delta på skolen, i arbeid og i fritidsaktiviteter. Assistenten skal være brukerens forlengede hender eller hva enn den funksjonshemmede trenger bistand til, slik at brukeren skal få mer og bedre styring over egen livssituasjon. Jeg får stadig henvendelser fra funksjonshemmede som er frustrert over at kommunen de bor i, ikke tilbyr tilfredsstillende BPA-tjenester. Det kan også se ut til at enkelte kommuner ikke klarer å skille syke fra funksjonshemmede. En funksjonshemmet er ikke syk. Da skal de heller ikke ha hjemmetjenester, men brukerstyrte personlige assistenter. I et skriv fra departementet til kommunene står det at BPA skal inkludere «praktisk bistand til nødvendig rengjøring og annen nødvendig hjelp til alle dagliglivets praktiske gjøremål». Men det er ikke alle kommuner som praktiserer dette Et blindt ektepar kontaktet meg nylig. De er frustrerte, for kommunen de bor i, nekter dem assistanse til dagliglivets praktiske gjøremål. Ekteparet må pent klippe plen og vaske vinduene selv. Kan presidenten se for seg et blindt ektepar klippe plen og vaske vinduer? Neppe. Jeg synes det er svært beklagelig at enkelte kommuner ikke følger opp intensjonen med BPA. Det har ført til at regjeringen i plattformen enda tydeligere sier at BPA er et likestillingsverktøy og ikke en helseordning. I dag er det kun funksjonshemmede under 67 år som har rett til personlige assistenter. I regjeringsplattformen står det at denne aldersgrensen skal fjernes. Regjeringen har lovet at det kommer en NOU om kort tid. Den ser jeg fram til, for det er på tide å klargjøre tilbudet til funksjonshemmede. De fortjener et bedre tilbud enn mange kommuner gir dem, for BPA-ordningen er ikke en helsetjeneste, men et frigjøringsverktøy. En styrking av BPA vil være med på å gjøre Norge til et varmere samfunn, og det vil hindre at en sårbar gruppe faller utenfor. Den reglementsmessige tiden for møtet er straks omme. Presidenten foreslår at Stortinget fortsetter møtet til dagens kart er ferdigbehandlet. – Det anses vedtatt.

Det er Arbeiderpartiet enig i, men vi ønsker altså en annen kurs for Norge, med langt mer vekt på fellesskap og utjevning av sosiale forskjeller enn det vi finner i høyreregjeringas erklæring. Et nærliggende spørsmål er: Hvor er det blitt av de funksjonshemmede? Erna Solberg nevnte dem ikke med ett ord i går. Høyre har selv lagt ut 30 nye ideer og gode løsninger fra Granavolden på høyre.no. Et par eksempler på hva Høyre høyre.no. Et par eksempler på hva Høyre mener er verdt å nevne, er 120 km/t og åpne polutsalg til kl. 16 på lørdager. Men de rundt 90 000 funksjonshemmede som ufrivillig står utenfor arbeidsmarkedet, er ikke nevnt. Siv Jensen sa i sitt innlegg i dag at høyreregjeringas mål er en enklere hverdag for folk flest, at vi skal trygge Norge for framtida gjennom Heller ikke hun nevnte at funksjonshemmede med en enklere hverdag både vil og kan bidra til framtidig verdiskaping. Den nye likestillingsministeren fra Venstre fant ikke plass til de funksjonshemmede i sitt innlegg. Noe står i plattformen, men er altså ikke viktig nok til å bli løftet opp og fram i regjeringserklæringen. Spørsmålet er om det vil gå bedre når Norge til som overvåker om vi følger opp våre forpliktelser etter FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Jeg lurer på hva de har å si om at høyreregjeringa valgte å fjerne alle tidsfrister for universell utforming. Jeg lurer på hva de har å si til at bilstønaden forsvant for alle dem som står utenfor både utdanning og arbeidsliv. Er det likestilling, eller er det snarere eksempler på diskriminering, og hvis det er diskriminering, vil da høyreregjeringa snu i slike spørsmål? De funksjonshemmedes organisasjoner har et godt råd til oss politikere: Slutt å tenke i baner som handler om likeverd – det signaliserer at det er forskjell på folk – og begynn å tenke likestilling med rettigheter og plikter, som vi gjør når det gjelder likestilling for øvrig. De har også noen grunnleggende krav: inkorporere konvensjonen i menneskerettsloven for å gi den større tyngde, også rettslig, rett til selvbestemmelse, beslutningsstøtte istedenfor vergemål og rett til selvbestemmelse, beslutningsstøtte istedenfor vergemål og representasjon fra funksjonshemmede i alle sammenhenger der premisser legges og beslutninger tas. Plattformen gir dessverre ikke noe svar på slike spørsmål, selv om vi snakker om vår største minoritet. Det er

Til forskjell fra andre sykdommer ledsages gjerne rus- og alkoholavhengighet av skyldfølelse og skam over at man har mislyktes med å komme seg ut av elendigheten. Det har i det siste pågått en debatt om gamingens sosiale oppsider, og at disse gjerne undervurderes av foreldre og de av oss som ikke har vokst opp med den gamingkulturen som våre barn vokser opp Samtidig har internett gjort pengespill tilgjengelig på en helt ny måte. Nå er selvsagt verken dataspill eller pengespill problematisk i seg selv – på samme måte som heller ikke alkohol er problematisk i seg selv – men det er avhengigheten og den destruktive kraften som ligger i å være styrt av behovet for å spille, som er problematisk. Jeg husker at mange i min besteforeldregenerasjon hadde et veldig anstrengt forhold til kortspill, og det handlet om faren for å spille seg fra gård og grunn. Det skulle man være forsiktig med. I dag er risikoen for å spille seg fra gård og grunn bare et tasteklikk unna. Når tilgjengeligheten øker, øker også risikoen for avhengighet. Dette er et selvsagt premiss som ligger til grunn for vår restriktive alkoholpolitikk her til lands, men nå er det på høy tid at vi politikere tar på alvor at spilleavhengighet er et økende samfunns- og folkehelseproblem som også må bekjempes med konkret politikk. Derfor er et av gjennomslagene i Granavolden-plattformen noe som jeg er glad for, noe som jeg vil løfte fram her i denne debatten: handlingsplanen mot spilleavhengighet. Jeg er også glad for at regjeringen har forpliktet seg til å – og jeg siterer nå – «føre en politikk som legger til grunn det sosiale ansvaret og hensynet til spilleavhengige». Kristelig Folkeparti har en lang tradisjon for å fremme politikk som tar hensyn til samfunnets sårbare og utsatte grupper. Derfor er denne handlingsplanen helt etter Kristelig Folkepartis hjerte, og jeg ser fram til at den kommer til Stortinget, for den handlingsplanen kommer til å utgjøre en forskjell for potensielt spilleavhengige og deres familier og barn.

Tvert imot synes jeg egentlig det er ganske oppsiktsvekkende at en så stor andel av det som ramses opp, allerede er vedtatt politikk. For øvrig er det en del ganske uforpliktende formuleringer. Det å blåse opp regjeringserklæringen på denne måten – jeg vet ikke helt hva slags strategi det er, men det er mulig det er en strategi for å skape et inntrykk av en erklæring med mye ny politikk. Realiteten er at det tilslører litt av den reelle politiske situasjonen når man også tar med en rekke punkt som allerede er vedtatt politikk. Det er for så vidt ikke så veldig overraskende at en Høyre-ledet regjering vil føre Høyre-politikk på utdanningsfeltet, men alle lærere, rektorer, foreldre og elever bør merke seg at erklæringen inneholder en klar videreføring av Høyres politikk og dermed er et varsko om mer, ikke mindre, Med Kristelig Folkeparti om bord har jo regjeringen nå flertall for å gjennomføre det. La meg få lov til å ta et par eksempler knyttet til den problemstillingen. Det ene er det punktet i erklæringen som handler om kartlegging av læringsresultater og offentliggjøring av resultatene på skolenivå. Det betyr i klartekst at lærerne fortsatt skal bruke uforholdsmessig mye tid på prøver, internasjonale tester, nasjonale prøver, osv. Argumentet om at denne testingen fører til mer læring, er et argument som mangler faglig belegg. Forskning tyder tvert imot på at den pedagogiske nytteverdien av de nasjonale prøvene er liten, mens omkostningene for elevene, bl.a. i form av økt stress og press i skolen, er ganske egnet til bekymring. I en doktorgradsavhandling som ble avlagt i høst, er en av konklusjonene